Solveig Horne som var interessant å lese. Og det er jo rørende å høre det store engasjementet for barn som Horne viser fra denne talerstolen. Det er i intervjuet bl.a. et sitat, der Solveig Horne sier: «Ofte høres setningen helt fin ut inne i hodet, men når den kommer ut blir den feil.» Det kan jo være mange i denne salen som har opplevd noe lignende. Men det som gjorde at jeg tok ordet, og som jeg gjerne vil stille et spørsmål om, er et utdrag fra intervjuet, hvor det står: «Homofile er ikke en spesielt diskriminert gruppe i Norge i dag, ifølge Solveig Horne. Det er derimot de hjemmeværende husmødrene.» Da ble jeg bekymret. For vi vet at mange homofile opplever skjellsord i skolegården, at folk på bussen reiser seg og går bort fra dem, og at de opplever diskriminering på arbeidsmarkedet. Da lurer jeg på: På hvilke områder mener Horne at husmødre i dag er mer diskriminert enn

mitt engasjement for barn i denne salen, vet representanten Grande veldig godt at det er viktig for meg, og det har vi vært i mange debatter om før. Jeg er veldig glad for at vi fikk på plass en diskrimineringslov rett før sommeren som alle partiene sto bak. at det er viktig for meg, og det har vi vært i mange debatter om før. Jeg er veldig glad for at vi fikk på plass en diskrimineringslov rett før sommeren som alle partiene sto bak. Noe av kritikken av diskrimineringsloven, som ble fremmet av den foregående regjeringen, var at vi ikke hadde en helhetlig diskrimineringslov. Det skal denne regjeringen nå ta fatt i ved å fremme en egen antidiskrimineringslov, en universell Så vet vi at det er mange husmødre der ute som ikke blir verdsatt for det arbeidet de har gjort med å være hjemmeværende i en periode, og det har vært viktig for meg som statsråd å påpeke at vi skal anerkjenne dem som gjør andre valg enn det som den foregående regjeringen hele veien proklamerte var det beste for familien.

Det var viktig for regjeringen, i samarbeid med både Kristelig Folkeparti og Venstre, å øke engangsstønaden og kontantstøtten, og jeg registrerer at adopsjonsstøtten ikke var på lista over prioriterte mål for verken Kristelig Folkeparti eller Venstre når det gjelder det endelige budsjettet. Da vi fikk tilleggsproposisjonen, lette vi med kraftfulle blikk etter hvor det var regjeringen hadde kuttet, og da så vi at man hadde kuttet i når det gjelder det endelige budsjettet. Da vi fikk tilleggsproposisjonen, lette vi med kraftfulle blikk etter hvor det var regjeringen hadde kuttet, og da så vi at man hadde kuttet i foreldrepermisjonen. En ting var i antall uker som var forbeholdt far, men man tok jo da man kuttet i antall uker som var forbeholdt far, innsparing på det. Halvårseffekten var minus 35 mill. kr, for man forventer at fedre da ikke Fremskrittspartiets program er jo at man ønsker at det skal velges helt fritt – ingen ting skal være forbeholdt far. Er det å se på som et innsparingstiltak hvis man fjerner fars rettigheter? Og ser statsråd Horne det som negativt at det i hennes budsjett legges opp til at færre fedre skal være hjemme, og at man bruker de pengene til å gi skattelette eller til andre formål?

av foreldrepermisjonen. Vi styrker denne ved at foreldrene nå selv kan få fleksibilitet og velge hvem som skal være hjemme med barnet. Det vil også si at foreldrene selv får mer samvær med sine barn. Så vil jeg understreke at det er ingen i dag som vet helt hvordan endringene vil slå ut. Det kan ta mange år før vi ser det. Men jeg vil oppfordre både menn og kvinner til å ta sin del av foreldrepermisjonen. La oss nå håpe at det kanskje blir sånn at det blir mennene som tar mer permisjon enn det kvinnene gjør. Så jeg er ikke så bekymret som representanten her gir uttrykk for. Det er bred enighet om at barnevernet må styrkes. Målet må etter Venstres mening være at barna skal få god

løfte barnevernutdanningene – et forslag som ble støttet av Fremskrittspartiet og Høyre i 2011, men nedstemt av de rød-grønne. Vi ble derfor positivt overrasket da de rød-grønne la fram et budsjettforslag der disse utdanningene var løftet, og desto mer skuffet da Høyre og Fremskrittspartiet la fram sitt forslag der man igjen kuttet. Heldigvis fikk vi gjennom budsjettforliket med regjeringen reversert dette kuttet. kuttet. Mitt spørsmål til statsråden er: Hvilke tiltak ønsker hun å sette i verk for å styrke kompetansen i barnevernet utover den styrkingen som nå kommer på
Jeg tror alle vi er enige om at vi trenger god kompetanse i barnevernet, slik at de som faktisk jobber med disse barna, har kompetanse til å gi rett tilbud til de barna som trenger det. Vi har sett så altfor ofte at når staten går inn og overtar ansvaret for barna, så altfor ofte at når staten går inn og overtar ansvaret for barna, har vi ikke klart å gi dem et bedre tilbud enn det de hadde før. Det er noe som kommer til å være satsingsområdet til denne regjeringen, og jeg er veldig glad for at Venstre er med på laget og har sikret flertall for at vi nå har styrket kompetansen og også barnevernspedagogutdanningen til det nivået som nå foreligger i dette budsjettet. Til replikkordvekslingen mellom Slagsvold Vedum og statsråden er

18. oktober at hun ikke «tror folk flest umiddelbart vil oppdage de helt store forskjellene fra den forrige regjeringen» på likestillingsfeltet. Med respekt å melde tror jeg folk flest vil oppdage det. Det er færre pappaer som får tid med barna sine, barnehagene blir dyrere, kontantstøtten øker, og det kuttes i en hel haug med tiltak som skal bidra til økt likestilling. Hvordan mener statsråden at disse prioriteringene passer inn i en regjering som er «veldig opptatt av likestilling»? Jeg har lyst til å minne representanten Serigstad Valen om at det faktisk har vært valg. Det handler om politikk, og det tror jeg vi er veldig klar over begge to. Velgerne til både Høyre og Fremskrittspartiet har sagt helt klart at de ønsker en ny retning – de ønsker mer fleksibilitet og valgfrihet for familiene. familiene. Og vi har altså tillit til familiene. Vi har tillit til at familiene klarer å foreta den fordelingen av de foreldrepermisjonsukene uten at vi som politikere skal blande oss inn i det. Så er det viktig å få fram at det faktisk er en styrking for barnet, for barnet, fordi det er flere barn som nå får samvær med sine foreldre ved at man har større valgfrihet. Det er viktigere at barnet får være hjemme med en av foreldrene enn at en av dem må ut i arbeid på grunn av at man ikke kan overta de ukene som det var en kvote på. Replikkordskiftet er omme. Statsråd Horne viste til at Høyre og Fremskrittspartiets velgere gikk til stemmeurnene og ønsket seg en ny kurs, og det er

og valgte Fremskrittspartiet som partner i en mindretallsregjering, har vi altså en regjering med to partier – et godt grunnlag for at disse partiene skulle fremme de forslagene som de gikk til valg på, og innfri kontrakten med velgerne. Men etter at budsjettet ble lagt fram, kan vi fastslå følgende: Aldri har avstanden mellom de løftene som ble gitt før et valg, og de forslagene som blir fremmet når man faktisk sitter med makt til å foreslå ting, vært større enn ved dette valget. Det er alvorlig fordi det undergraver tillitsforholdet mellom velgere og tillitsvalgte, men det er også alvorlig fordi det ødelegger for de gode politiske ordskiftene om retningen for Norge. Det blir vanskelig å vite når disse partiene faktisk mener det de sier. I sin kontrakt med velgerne sa f.eks. Høyre at Norge måtte gjøres mindre oljeavhengig. I regjeringskontorene presser nå Høyre og Fremskrittspartiet gjennom i Stortinget en økt bruk av oljepenger. I sin kontrakt med velgerne sa Høyre at de skulle sørge for at kommunene gjennomfører kontinuerlig opptak i barnehagene, som det står i Høyres program. Nå fjerner man forslaget om to barnehageopptak i året. I sin kontrakt med velgerne lovet Høyre at det skulle lønne seg mer å jobbe. Nå gjeninnføres skatteklasse 2, kontantstøtten økes, og barnehagene svekkes. I sin kontrakt med velgerne sa vel både Høyre og Fremskrittspartiet at det var vanlige folk som skulle få nytte av skattekuttene. Nå får vanlige folk noen tiøringer per dag, mens folk med inntekter i mangemillionklassen får flere hundre tusen i året. I sin kontrakt med velgerne sa Fremskrittspartiet at man skulle øke studiefinansieringen til en ellevte måned. Det som lå i Stoltenberg-regjeringens forslag, om en ekstra måned, ble fjernet. I sin kontrakt med velgerne foreslo Fremskrittspartiet altså 45 mrd. kr mer til samferdsel hvert år. Resultatet ble en trettiendedel av dette. Glemte Fremskrittspartiet i sin kontrakt med velgerne å fortelle at det skulle ta en generasjon å gjennomføre løftet som de hadde på ett år? Og i sin kontrakt med velgerne – igjen – sa Fremskrittspartiet at bare de fikk samferdselsministeren, garanterte de at alle bompenger skulle fjernes. Resultatet i dette budsjettet er å fjerne 0,3 pst. av bompengene. Det betyr altså – igjen – med lett hoderegning, at det vil ta 300 år med det tempoet å få fjernet alle disse bompengene. Da er de borte for lengst. Men glemte Fremskrittspartiet å fortelle at det altså var våre tipptipptipptipptipptipptipptippoldebarn som skulle dra nytte av det løftet Fremskrittspartiet ga i sin valgkamp? Det verste er at det går ikke i den retningen heller, for selv om man fjerner bompengeprosjekter, øker man også, slik at det går i motsatt retning

hop. Da sa Fremskrittspartiet: Jo da, det går i hop – stem på oss, så garanterer vi at det gjør det. Nå sitter man altså i regjeringskontorene og sier at man ikke har flertall. Man har en tredel av regjeringen, så man skulle tro at man i hvert fall hadde 33 pst. innflytelse over regjeringens forslag. Men man har altså, som Slagsvold Vedum sa i en radiodebatt, innflytelse på størrelse med Kristent Samlingsparti – i hvert fall når det gjelder bompenger. Resultatet er en enorm gjennomføringskraft i å bryte valgløfter og kontrakten med velgerne, økt oljepengebruk i en situasjon hvor næringslivet har varsellampene på og økte forskjeller hvor skattelettelsene går til de rikeste. Det siste er ikke så farlig, sier statsministeren – man må ikke se på makrobildet, man må se på mikrobildet. Nå forstår vi hva hun mener med mikrobildet. Det er at vanlige folk uten formue får 50 øre dagen i skattekutt – det er mikro. Makroen går til dem som har mest fra før.

om håpet for et likestilt samfunn, om en verden uten atomvåpen og kald krig, om menneskerettigheter, frihet og demokrati. I en tale til FN den 25. september 1961 sa John F. Kennedy: «Hendelser og avgjørelser de neste 10 månedene, kan avgjøre menneskets skjebne de neste ti tusen årene. Disse hendelsene er uunngåelige. Disse avgjørelsene vil ikke kunne ankes. Og vi i denne sal vil minnes enten som en den generasjonen som forandret verden til et brennende likskue, eller den generasjonen som holdt sitt løfte om å redde kommende generasjoner fra krigens redsler.» Kennedy snakket om en verdensomfattende problemstilling som truet vår planets fremtid – den kalde krigen. I dag er det andre verdensomfattende utfordringer vi står overfor, som gjør at hans ord fortsatt gjelder, nemlig

Vi skal være en del av den generasjonen som reddet kommende generasjoner fra klimaendringenes redsler, ikke den som sviktet dem. Viktigheten av å bekjempe klimaendringene er derfor nedfelt i regjeringens verdigrunnlag. Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen vil føre en offensiv klimapolitikk og forsterke klimaforliket. Vi skal gjennomføre kutt i utslipp her hjemme, men også bidra til nye løsninger og ny teknologi som kan nyttes av andre land. Derfor øker regjeringen innsatsen på forskning, bl.a. gjennom klimateknologifondet. Samtidig bevilger vi mer penger til jernbanen og viderefører avgiftsfordeler for nullutslippsbiler. Vi har startet arbeidet med et grønt skatteskift som vil gjøre det lønnsomt å opptre miljøvennlig. Skal vi lykkes med mål om å kutte utslipp her hjemme, trengs det virkelige løsninger for virkelige mennesker.

Å investere i at Norge fortsatt skal ha en høy olje- og gassproduksjon er derfor også et spørsmål om å ta ansvar og vise internasjonal solidaritet. Men for at våre fossile energikilder også i fremtiden skal være brukbare i et lavutslippssamfunn – som må komme – og fortsatt ha økonomisk verdi for landet vårt, vil det være avgjørende å utvikle teknologi som gjør produksjonen vår miljøvennlig og utslippsfri. Derfor skal regjeringen fortsette jobben med og opprettholde ambisjonen om å realisere minst ett fullskala demonstrasjonsanlegg for CO2-fangst og -lagring innen 2020. Vi øker også innsatsen på petroleumsforskning for å øke utvinningsgraden på norsk sokkel og fortsatt holde et høyt trykk på utvikling av nye miljøvennlige løsninger for norsk olje- og gassproduksjon. Men å utvikle gode løsninger for fremtiden handler ikke bare om investeringsvilje i klima- og energisektoren. Det handler også om vilje til å investere i våre menneskelige ressurser: de flinke hodene og de dyktige hendene som skal bære denne satsingen inn i Regjeringens satsing både på læreren, som er den viktigste suksessfaktoren for at en elev skal lykkes, og på tiltak innenfor realfag og høyere utdanning, er viktige skritt i riktig retning. Etter åtte år med en rød-grønn regjering som prioriterte frukt og grønt foran kvalitet i skolen, og nærmest lot budsjettene innenfor høyere utdanning stå urørt, er dette en kjærkommen forandring. Gjennom en offensiv klima- og miljøpolitikk,

Norge er et fantastisk land som nå kan bli enda bedre, og norsk økonomi gir oss mange muligheter. Rikdom skapt gjennom store naturressurser, ikke minst olje og gass, og høy arbeidsinnsats, har gitt oss et velferdsnivå som ivaretar de aller fleste, men samtidig gir det noen utfordringer både for den enkelte husholdning og bedrift, og for landets økonomi som helhet. Kostnadsnivået i Norge er høyt – man kan bli fristet til å bruke uttrykket «ekstremt høyt» er faktisk 70 pst. høyere enn gjennomsnittsnivået hos våre handelspartnere i Europa. I forhold til Sverige har vi 30 pst. høyere kostnadsnivå. Velferd er ikke gratis selv om den er offentlig. Noen må finansiere de godene som fordeles til enkeltindivid og grupper, og behovene kan synes uendelig store. På vegne av Fremskrittspartiet er jeg glad for har fremlagt et budsjett med en klar retning og en tydelig prioritering av hvilke tiltak som er nødvendige for å møte akutte behov innenfor viktige samfunnsområder. Flertallspartienes innstilling til statsbudsjett gir ikke mer til alle, men prioriterer tiltak som er viktige for å bedre rammevilkårene for næringsliv og fastlandsindustri, motivere flere til økt engasjement og arbeidsinnsats, og ikke minst stimulere til lønnsom sparing og investeringer. Det er viktig å minne om at det ikke alltid er størrelsen på bevilgningene som avgjør suksess eller fiasko, men snarere at pengene brukes riktig og gir resultater som forventet. Og vi skal måles på resultatene. I bunnen ligger skatte- og avgiftslettelser til bedrifter og lønnstakere på mer enn 7 mrd. kr neste år. Det viser at regjeringen og flertallspartiene tar handlingsregelen på alvor

Skattelettelser i kombinasjon med større bevilgninger til forskning og utdanning er de viktigste bidragene til å utvikle vår nasjonalformue. Spesielt er det viktig å stimulere forskning som resulterer i kommersielt gode og innovative løsninger. Derfor styrkes ordningen med SkatteFUNN. I sum har flertallspartiene prioritert utdanning og forskning med nesten 900 mill. kr ekstra i forhold til Stoltenberg II, bl.a. ved å øke utdanningsstøtten med med effekt for studentene allerede i 2014. Behovet for mer vei og bane – ikke bare nyinvesteringer, men også mer til vedlikehold – er godt ivaretatt i statsbudsjettet for 2014. For næringslivet og den enkelte bruker vil det merkes at det bevilges 1,7 mrd. kr mer til disse formålene. Det gir bedre logistikk og lavere kostnader for bedriftene og en enklere hverdag for folk flest. Samtidig som bomstasjoner blir fjernet, starter også oppbyggingen av infrastrukturfond med 20 mrd. kr. Trygghet for enkeltmennesket er høyt prioritert for Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen. Beredskap og trygghet er en viktig offentlig primæroppgave, og effektiv og god håndhevelse av etablerte lover og regler er viktig for å styrke den allmenne rettsoppfatningen. Økte bevilgninger på til sammen 330 mill. kr gir flere stillinger i beredskapstroppen, nye fengselsplasser og flere uttransporteringer av asylsøkere uten oppholdstillatelse. I tillegg skal saksbehandlingen av asylsaker effektiviseres og tidsbruken reduseres. Til slutt: Under åtte år med rød-grønt styre har vi fått en økende klassedeling av boligmarkedet ved at det har blitt veldig vanskelig for unge mennesker i etableringsfasen å komme inn på det uten hjelp fra en ressurssterk familie. Forslag om å utvide ordningen med boligsparing for ungdom

når vi får beskjed om at det kanskje er litt mørkere skyer der framme i horisonten. For hvis vi legger gode og forutsigbare rammebetingelser på plass, kan næringslivet gi trygge arbeidsplasser og overskudd til fordeling til viktige fellesskapsgoder. Verdiskapning er grunnlaget for velferden, og innovasjon er trolig den viktigste drivkraften for utvikling av samfunnet. De siste 200 årene har verden opplevd en økonomisk vekst uten sidestykke i historien. Veksten har medført en økning i levestandard til et nivå få trodde var mulig for bare en generasjon siden. I dag har vi tjenester og produkter vi knapt kunne drømme om for bare 30 år siden. Dette kan vi takke smarte gründere og oppmerksomme investorer for. Men det er også vår jobb som politikere å sikre at denne utviklingen fortsetter å blomstre. Vi har sterke utdannings- og forskningsinstitusjoner som er med på å utvikle de gode hodene. Vi har et næringsliv som ønsker innovasjon, og vi har et godt virkemiddelapparat – et virkemiddelapparat som alltid kan bli bedre, men det er godt i utgangspunktet som legger til rette for nytenkning. Innovasjon er drivkraften som skaper framdriften i vårt samfunn. Der vi ikke kan konkurrere på lavere kostnader, kan vi konkurrere på de nye ideene og nye og bedre løsninger. En næring som de siste årene har gjennomgått en enorm fornyelse og påfølgende

Trekker vi ut ett tannhjul, om så det er bare det minste og tilsynelatende minst betydningsfulle, risikerer vi at alt stopper opp. I dag har vi et landbruk i hele landet. Dette er avgjørende for verdiskapning i distriktene, for spredt bosetting, for kulturlandskapet vårt og når det gjelder infrastruktur. Ordninger som opprettholder dette landbruket, er ordninger som kvoter og konsesjon, prisreguleringer og gode markedsordninger. Alt dette er bærebjelker som må til Ordninger som opprettholder dette landbruket, er ordninger som kvoter og konsesjon, prisreguleringer og gode markedsordninger. Alt dette er bærebjelker som må til for å nå det ambisiøse målet vi alle egentlig er enige om: økt matproduksjon for økt Bærebjelkene for norsk matproduksjon, både i landbruket og næringsmiddelindustrien, er ordninger som sikrer at norske varer kan konkurrere på pris med utenlandske – som landbruksstøtte, RÅK-ordningen og økt målpris som følge av et godt importvern. En viktig forutsetning for styrket forutsigbarhet og økt målpris som følge av et godt importvern. En viktig forutsetning for styrket forutsigbarhet og økt lønnsomhet er at vi støtter opp under vår industri og næring, og sikrer de viktige pilarene. Små endringer i et tannhjul vil gi store utslag.

Venstre har kommet fram til et budsjettforlik med en klar sosial profil. I statsbudsjettet løfter vi helsefeltet, og i helsebudsjettet løfter vi de pasientene som har sittet nederst ved bordet. Vi har en betydelig satsing på sykehusene. Vi skaper rom for mer mangfold. Det skal redusere ventetidene. Styrkingen er på til sammen 2,7 mrd. kr. Det legges opp til vekst i pasientbehandlingen på 2,6 pst. – den høyeste budsjetterte aktivitetsveksten noensinne. Denne veksten skal komme alle pasientgrupper til gode. Det omfatter behandling innen rus, psykisk helsevern, rehabilitering og somatikk. I helsevesenet er det for mange som venter unødvendig lenge på helt nødvendig behandling. Særlig én pasientgruppe bør trekkes fram, det er de rusavhengige. Her vil vi ha handling både på kort og på lang sikt. Regjeringens ønske er en opptrappingsplan for rusfeltet. Det er både behov for å trappe opp den tidlige innsatsen, tverrfaglig spesialisert behandling og godt ettervern og oppfølging i kommunene. For 2014 skal vi utvide kapasiteten i rusomsorgen med om lag 200 plasser kjøpt av ideelle virksomheter, slik samarbeidspartiene foreslo i valgkampen. Flere plasser betyr bedre og raskere hjelp til flere, og vi vet at behandling virker. I de siste årene under den forrige regjeringen så vi en økende bekymring for at langtidsbehandling av rusavhengige ble nedprioritert. Veksten i 2014 skal derfor også spesielt gjelde nettopp Dette kommer i tillegg til at vi øker bevilgningene til helseregionene med 300 mill. kr sammenlignet med den avgåtte regjeringen. 255 mill. kr øremerkes til bruk av private innen rus, psykisk helsevern og rehabilitering, nettopp for å redusere unødvendig venting. Vi skal også gjeninnføre det den forrige regjeringen for det første den gylne regelen i helsevesenet om at rus og psykisk helse hver for seg skal ha en sterkere vekst enn somatikk i helseregionene. Veksten skal måles gjennom endringer i kostnader, ventetid og aktivitet. For det andre er det øremerkingen på 343 mill. kr til rustiltak i kommunene, for i 2013, i en periode da da vi visste at rustiltakene i kommunene var sårbare, valgte den avgåtte regjeringen å fjerne dette. Disse endringene som den nye regjeringen har gjort, viser én ting tydelig: Norge har nå fått en regjering som prioriterer rusfeltet. Vi har en visjon om å skape pasientens helsevesen, et helsevesen som er der når pasienten trenger det, som gir gode tilbud av god kvalitet i alle deler, der ikke de ulike delene svikter som følge av svake ledd. Veksten i spesialisthelsetjenesten er rekordartet, så aktiviteten kan øke og ventetiden gå ned. Kapasiteten økes i omsorgstjenesten, og vi sørger for et kompetanseløft i kommunene. Men det jeg er aller mest stolt av, er at vi nå har fått en regjering som viser at en klarer å prioritere å hjelpe de menneskene som sliter med rusavhengighet, som altfor lenge har sittet nederst ved bordet. Det blir replikkordskifte. Regjeringen gjør etter min vurdering ikke store endringer av betydning knyttet til sykehusopplegget som Stoltenberg II-regjeringen la fram. Det er for

den tillyste uavhengige granskingen av hovedstadsprosessen ble avlyst. Høie sier at han prioriterer helse i budsjettet, og derfor har jeg følgende spørsmål til ham: Finansminister Siv Jensen har fått gjennomslag for store skatte- og avgiftslettelser. 8 000 mill. kr skal gå til å kutte norske skatter og avgifter neste år, mens de offentlige sykehusene har fått 0 – null – i økning. Hvordan forsvarer helseministeren en slik prioritering? Vi har vært igjennom en valgkamp der Arbeiderpartiet har hatt ett budskap til velgerne, nemlig at Høyre og Fremskrittspartiets løfter om å gjennomføre reduksjoner i skatter og avgifter ville føre til velferdskutt. Nå har velgerne fått svar på Arbeiderpartiets påstander. Denne regjeringen evner både å gjennomføre helt nødvendige skatte- og avgiftskutt – som bidrar til å få fart i økonomien, som skaper grunnlaget for den verdiskapingen som skal finansiere velferden for framtiden – og samtidig prioritere mer velferd og ikke minst klare å prioritere dem som sitter nederst ved bordet, noe den avgåtte regjeringen ikke klarte – nemlig å nemlig å løfte de rusavhengige, både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten. Jeg konstaterer at helseministeren ikke svarer på spørsmålet mitt. Problemet hans er at det som han sier er økning i helsebudsjettene – altså ikke velferdskutt – har han jo arvet fra Stoltenberg-regjeringen. Men da han selv, sammen med regjeringen, skulle sette opp budsjett,

Når man er helseminister i en regjering og får 4 milliarder oljekroner ekstra – økt handlingsrom i budsjettet, hvorfor prioriterer man da 8 000 mill. kr til skattekutt og ikke én eneste ekstra krone til de offentlige sykehusene for å bygge ut kapasiteten? Det budsjettet som Stortinget i dag vedtar, inneholder den største budsjetterte veksten i de offentlige sykehusbudsjettene som Stortinget noen gang har vedtatt. I tillegg

nemlig at en ikke er så opptatt av hvor pasienten får behandling, men at pasienten får behandling. Velgerne har også valgt en regjering som har vært opptatt av at reduksjon av skatte- og avgiftsnivået er viktig for å sikre framtidig verdiskaping, som også er grunnlaget for den framtidige velferden. Vi har en lang tradisjon i Norge for at det var frivillige organisasjoner og Kirken som så Vi har en lang tradisjon i Norge for at det var frivillige organisasjoner og Kirken som så nøden. De startet opp behandling for utsatte mennesker, helsestasjoner, sykehus, tilbud til rusavhengige og ikke minst til psykiatrisk syke pasienter. Vi er glade for avtalen med regjeringen der vi skal vurdere rammevilkårene for de ideelle organisasjonene, som også i dag leverer fantastiske helsetjenester, men det er avgjørende for dem å få en rask behandling, ikke minst med tanke på pensjonsutfordringen, slik at de ikke går konkurs og vi står uten arbeidsredskap til å kunne hjelpe alle dem som ministeren snakket om – rusavhengige og de psykiatrisk syke pasientene i vårt samfunn. Så hvordan vil statsråden fylle dette arbeidet for å bedre rammevilkårene for de frivillige og ideelle

et område der det offentlige i dag svikter, men der private og ideelle går foran og viser vei. Vi har allerede lagt inn i budsjettet økt bruk av de private ideelle, og så kommer jeg selvfølgelig til å følge opp dette romertallsvedtaket som fattes i dag, om at vi skal søke alle muligheter for å se på og løse de utfordringene som de ideelle har i forbindelse med pensjonssaker. Lokalsykehus skaper sterke følelser og stort engasjement. Det er lokalsykehus rundt omkring i hele Norge, og vi vet alle hvor sterke møter det er når du møter lokale sykehusaktivister. Bent Høie som stortingsrepresentant var en aktiv mann og møtte mange lokalsykehusaktivister, bl.a. i mitt hjemfylke, hvor representanten Høie var den 11. juli. Han var veldig tydelig i sin tale og sa at nå trenger man ro rundt Kongsvinger sykehus, at det er håpløst at det hvert år er en diskusjon om funksjoner og om framtiden til Kongsvinger sykehus. Kan statsråd Høie være like tydelig i sine garantier, f.eks. når det gjelder Kongsvinger som han var som representant rett før valget? I regjeringspartienes plattform står det at akutt- eller fødetilbudet ikke skal legges ned med mindre dette er begrunnet i pasientsikkerhet og kvalitet, og det har jeg tenkt å følge opp. Det er også en klar beskjed til helseregionene at det er dette som er denne regjeringens politikk, fordi vi mener at denne typen endringer nå bør forankres i det arbeidet som vi nå har startet opp knyttet til ny nasjonal helse- og sykehusplan. Der oppfatter jeg at regjeringspartiene, Kristelig Folkeparti og Venstre – og Senterpartiet – har vært enige om at det er behov for å få en mer operativ nasjonal helse- og sykehusplan, forankret her i Stortinget, slik at en sikrer en mer demokratisk forankring av en del av disse viktige spørsmålene som i mange lokalmiljø oppleves som helt avgjørende. Jeg har ikke sluttet å møte folk som er engasjert i sine lokalsykehus. Jeg hadde møte med ordførere i går, og jeg har hatt møte med ordførere i dag, og jeg har møte med ordførere nesten hver uke framover om disse spørsmålene. Noe jeg regner med at regjeringen og vi er enige om, er å få ned helsekøene, men skal vi lykkes med det, må vi bruke en rekke virkemidler, og ikke minst må vi få ordningen med fritt sykehusvalg til å fungere. I dag sliter vi med et system som sjelden er tilstrekkelig oppdatert, noe som gjør at ventetiden til de ulike sykehusene og nettportalen frittsykehusvalg.no ikke fungerer etter hensikten. Som følge av dette har jeg vært borti mye dobbeltarbeid, og informasjonen til pasientene er og blir for dårlig. Venstre har derfor i den innstillingen vi nå behandler, tatt til orde for å gjøre Fritt sykehusvalg til et eget frittstående foretak, styrke informasjonsarbeidet og avvikle dagens særegenandel for å bruke valgmuligheten. Er dette noe som statsråden nå vil gjøre noe med? Regjeringen vil følge opp samarbeidsavtalen mellom Høyre, Kristelig som sier at man skal innføre fritt behandlingsvalg. Det vil være en betydelig styrking av pasientenes rettigheter, der pasientene også får muligheten til å velge behandling hos godkjente private aktører, også andre enn de som har vunnet anbud hos de offentlige helseregionene. Det er samtidig også klart at man kontinuerlig må forbedre ordningen med fritt sykehusvalg, og hvis det er forhold ved det som Venstre mener vi bør følge opp, vil jeg gjerne være i nærmere dialog om det. Det er viktig at den ordningen fungerer godt underveis, men ikke minst også etter at vi har innført fritt behandlingsvalg. Jeg lyttet med interesse til helseministeren, som fortalte at han ikke er opptatt av hvor, men at pasienter får behandling. Det er ting i dette budsjettet som tyder på at regjeringen har en noe annen tilnærming enn det. Vi er alle enige om at det er lurt å ta i bruk de ressurser og den ledige kapasiteten som finnes, og regjeringen vil i budsjettet bruke 45 mill. kr til å kjøpe MR-undersøkelser hos private radiologiske virksomheter. Da skulle man anta at den offentlige kapasiteten først var sjekket og fullt ut utnyttet, men da vi spurte finansministeren om den offentlige kapasiteten var brukt opp, viste det seg at regjeringen ikke vet om det er ledig offentlig kapasitet. Hva er grunnen til at regjeringen velger å bevilge penger til å bruke private aktører uten først å sjekke om det offentlige har muligheten til å gjøre jobben? Det er fordi pasientene har erfart at det ikke er god nok tilgjengelighet og kapasitet hos de offentlige når det gjelder MR-undersøkelser. Det regner jeg med at representanten Lysbakken, som medlem av helse- og omsorgskomiteen, også har hørt mange ganger. Pasienter får beskjed om at det er avtaler med private, og man kan velge dem, men de opplever at ventetiden der er nesten like lang som i det offentlige, når man tar kontakt med dem. Da får man beskjed om at man kan få kortere ventetid hvis man betaler fordi man har ledig kapasitet, men ikke innenfor de rammene som det offentlige har bestemt. Denne regjeringen ønsker å gjøre noe med det. Derfor bevilger vi 45 mill. kr til å utvide de rammene, slik at færre pasienter skal oppleve at når de tar kontakt med et privat røntgeninstitutt som har avtale med det offentlige, får de til svar: Vel, vil du ha rask hjelp, må du betale selv. Det fører til et sosialt skille i helsevesenet som vi ønsker å bekjempe.

og dermed går både dialogen, de gode ideene og de fine løsningene bedre framover. Det er en god vekst i budsjettet sammenliknet med inneværende år. Man skal gi ros til den rød-grønne regjeringen for at det var en vekst, og så har den nye regjeringen lagt på ytterligere penger, og enda mer kom i budsjettforliket på Stortinget. Det viser at Stortinget har fått tilbake sin gode rolle, når det faktisk blir påplussinger og forandringer i budsjettet – i motsetning til i inneværende år, da denne debatten handlet om 30 mill. kr i endring. Nå har faktisk Stortinget en rolle igjen. Det er bra. bra. Det betyr at det er mer penger til vei, jernbane, kollektivtrafikk og gang- og sykkelstier enn det har vært før. Det går også an å satse bedre på bredbånd enn tidligere. Til tross for at det er mer penger, skal vi også huske at i forhold til NTP, Nasjonal transportplan, som Stortinget forpliktet seg til før sommeren, ligger vi allerede på etterskudd. Utgangspunktet fra de rød-grønne var for dårlig. Vi tar igjen mye, men ikke alt. alt. Det betyr at det er behov for videre satsinger framover, hvis vi skal nå de målene Stortinget satte seg i sommer. Budsjettet satser mer på investering, mer på nye veiprosjekter og mer på ekstra jernbane. Jeg er veldig glad for at Stortinget har sagt at det skal bygge intercitystrekningene og planlegge dem helt til veis ende, og at man skal ha en helhetlig satsing på det. Det har manglet før. Nå kommer det på plass, og det er veldig bra. bra. Allerede om en uke reiser jeg til Sverige for å snakke med de svenske myndighetene om jernbanesatsing på deres side, for å se hvilke planer de har, slik at vi også kan se norsk jernbane utover Norges grenser på sikt. Vedlikehold har dessverre vært nedprioritert. Nå får det et bra løft i budsjettforliket og i den nye regjeringens budsjettforslag – både på vei og på jernbane. der hvor man allerede har bygd den. Da slipper man reguleringsplaner, grunnervervprosesser osv. Man kan begynne å bygge på det man har. Det er også det som godsbransjen sier er det aller viktigste. Skal vi få mer gods over på bane, må vi sørge for at den jernbanen vi har, fungerer og er forutsigbar, for da kommer kundene. Jeg inviterer til videre godt samarbeid Skal vi få mer gods over på bane, må vi sørge for at den jernbanen vi har, fungerer og er forutsigbar, for da kommer kundene. Jeg inviterer til videre godt samarbeid for å realisere forpliktelsene i Nasjonal transportplan, og jeg håper at vi får et godt saklighetsnivå. Jeg blir litt i stuss over hvilket nivå enkelte i opposisjonen legger seg på, når den nye regjeringen har sagt at vi skal overoppfylle Nasjonal transportplan, mens det utad blir tolket som at man forsinker ting. Overoppfyllelse handler, i Det handler også om systemer og hvordan vi organiserer den. Som statsråd har det vært veldig spennende å se at man kommer til et departement som ikke har vært preget av handlingslammelse og gammeldags tenkning, men som tvert imot har vært preget av ønsket om nytenkning, men hvor rapporter og forslag dessverre har blitt lagt i skuffer og støvet ned. De skuffene har vi åpnet, vi børster av støvet og ser på hvordan vi kan omorganisere veisektoren og jernbanesektoren i tråd med det som også embetsverket har sagt at burde være fornuftig, for å bygge mer vei og jernbane raskere og billigere. Derfor er det et arbeid i gang med å organisere et eget investeringsselskap for vei. Derfor er det et arbeid i gang når det gjelder å se på rollene til Jernbaneverket og NSB. Og vi gjør den jobben Stortinget har bedt om når det gjelder intercitytriangelet. Vi har også begynt å arbeide med å opprette et eget infrastrukturfond som gir en mer forutsigbar

At investeringane i desse hamnene no i beste fall vert utsette, inneber òg at andre viktige fiskerihamnutbyggingar langs kysten vår no vert sette på vent, og at dei då rykkjer enda lenger bak for å verte realiserte. I den vedtekne NTP-en og i nærskipsfartsstrategien er det sett av 3 mrd. kr til styrking av sjøtransport og hamner. Kvifor held ein då tilbake 46 mill. kr til investeringar i fiskerihamner no i påvente av å få utarbeidd ein nasjonal hamnestrategi? Hvis en leser sakspapirene, ser en hvorfor dette skjer. Det er fordi vi skal ha en nasjonal havnestrategi, og da ville det være meningsløst om en begynte å investere i et prosjekt som ville bli feil dimensjonert i forhold til den strategien en velger å ha. For ikke å kaste penger ut av vinduet, velger vi å sette på vent de to prosjektene som en la opp til, nettopp fordi vi kan komme tilbake og sørge for at de bygges i tråd med den strategien som en vil ende opp med. Men det tar litt mer enn seks uker å lage en sånn strategi, og derfor må vi komme tilbake til Stortinget så fort som mulig med det. Men det er altså ikke nødvendig å bruke penger på ting når en ikke helt vet hvordan en skal ha det til slutt. Et av de viktigste samferdselsprosjektene i hovedstadsområdet er bygging av Så langt har det vært planlagt ut fra at banen skal starte opp i 2018. Dette var de fire borgerlige partilederne ikke fornøyd med og hadde på forsommeren et kraftig utspill i riksmedier og lokalmedier hvor de sa at hvis det ble borgerlig flertall, skulle Fornebubanen startes opp med en gang – prompte sto det faktisk i avisoppslaget. I dag kan vi lese i Budstikka at samferdselsministeren sier at han ikke kan love noen bane før 2018, altså stikk motsatt av hva som ble sagt for et halvt år siden. Jeg skjønner at Fremskrittspartiet ikke kan få gjennomslag for alt, men dette er jo en sak hvor alle de fire partiene er enige, og hvor de altså gikk ut og lovte velgerne i Asker og Bærum at hvis de vant valget, skulle de starte opp med Fornebubanen med en gang. Mitt spørsmål er: Hva har skjedd det siste halve året som gjør at samferdselsministeren i dag sier noe annet enn det som ble sagt for et halvt år siden? Det er godt å få denne anledningen til å si at en må høre på det som blir sagt, og ikke bare lese det som står i avisene. Denne regjeringen vil jobbe for å få på plass Fornebubanen så raskt som mulig. Det er også i tråd med løftet. I motsetning til den rød-grønne regjeringen, som ikke ville love at de ville bidra med finansieringen, lovte de borgerlige partiene at de skulle finansiere halvparten av investeringene. Det lovte aldri de rød-grønne. Det ville de ikke. Det står òg i Nasjonal transportplan. De rød-grønne ville kanskje. De borgerlige lovte. Det løftet står vi ved. Jeg har i dag fått en gledelig informasjon fra hovedstaden om at de ligger foran planprosessene sine. Det betyr at de tar sikte på å være ferdig i 2015. Da kan vi gjennomføre dette betydelig raskere enn det Oslopakke 3 la opp til, men nøyaktig dato kan jeg ikke si. Det var det samme jeg sa til Budstikka, men det tolket de som mulighet for forsinkelse. Faktum er at det vil bli framskyndet. Staten vil ta sin halvpart. Det lovte aldri de rød-grønne. Dermed får du Fornebubanen raskere på plass med dagens regjering enn med forrige regjering, og det er jeg glad for.
Vi har fått et offensivt budsjettforslag på samferdselsområdet. Gjennom et budsjettforlik med Kristelig Folkeparti og Venstre har vi også fått til et styrket Transnova. Transportsektoren står for betydelige utslipp, og det er et stort behov for mer miljøvennlige kjøretøy. Salget av elbiler har hatt en fin økning. Det vi trenger nå, er en nasjonal strategi og handlingsplaner som gjør at vi kan få til en helhetlig infrastruktur som kan ta denne satsingen videre, med flere ladestasjoner for elbiler og mer miljøvennlig drivstoff. Med neste års bevilgning på plass samt andre virkemidler som en har tilgjengelig, kan statsråden love at vi nå får en nasjonal strategi som kan gi konkrete resultater på dette området? Eventuelt når vil vi kunne se resultatene av en sånn

blir med på å utvikle verdikjeder som gjør at ikke staten til slutt er den som på en måte blir den moderne bensinstasjonseieren eller eldrivstoffeieren, men at det blir verdikjeder som kommersielle aktører selv står bak. Jeg er veldig glad for de signalene jeg får fra bransjen, som i større grad nå enn før viser vilje til å ta det ansvaret. Da er det viktig at vi fra myndighetenes side stiller opp med Transnova, men at bransjen på sin side også tydeligere forplikter seg. Da må vi ha en strategi, og seg. Da må vi ha en strategi, og den vil vi diskutere med Stortinget når det er naturlig, men så raskt som mulig. Jeg skal starte med å gjøre noe så uvanlig som å gi ros til regjeringen. Jeg er glad for at man utsetter iverksettelsen av datalagringsdirektivet, for de siste månedenes avsløringer om økende overvåking har vært massiv. Siden vedtaket i Stortinget dukket opp mer juridisk tvil om holdbarheten. Danmark, som har iverksatt datalagring, kan vise til dårlige erfaringer. Det er med andre ord behov for å sette en fot i bakken. Det er tydeligvis legitimt å ta omkamp om Stortingets vedtak til postdirektiv og ostetoll. Jeg må derfor spørre samferdselsministeren hvorfor det ikke da er legitimt å ta omkamp om datalagring – når jeg også vet at ministeren har vært enig med flere av partiene på Stortinget om å være restriktiv til datalagring. Datalagringsdirektivet ble vedtatt under forrige regjering. Flertallet som vedtok det, var Arbeiderpartiet og Høyre. Det flertallet ble styrket ved forrige valg. Skal du ta omkamp, er det naturlig at du har en sjanse til å kunne snu flertallet. Per i dag ser jeg ikke at verken Høyre eller Arbeiderpartiet har snudd i denne saken, og da ville det være fullstendig meningsløst av en statsråd å prøve å ta en omkamp i et storting som ønsker det motsatte av statsråden. Da må en bare respektere demokratiets spilleregler og si at en gjennomfører det flertallet mener, selv om en i den saken er imot. Så pågår det nå behandling av rettsakter i EU.

Statsråden har jo nå fått igjennom dette veiselskapet som var varslet i den plattformen som regjeringspartiene kom fram til. Når kan vi se et lignende selskap satt opp for jernbane? Det var veldig hyggelig at representanten leste om nettopp det som de borgerlige var enige om: gjennomføre Fornebubanen så fort som mulig, eget selskap statlig garanti for halvparten av kostnadene. Det var løftet. Så registrerer jeg at enkelte av opposisjonspartiene forsøker å gi inntrykk av at det ble lovet noe helt annet. Det ble det ikke. Det vi gjør, er å holde løftet om å betale halvparten og gjøre det så raskt som mulig, men jeg er som sagt veldig glad når Oslo signaliserer at de ligger foran skjema. Da er det ingen grunn til å frykte at det blir forsinkelser – snarere tvert imot – en kan få gjøre det raskere enn det en la opp til. til. Det viktige her er at da denne debatten gikk i vår, så ville ikke de rød-grønne forplikte seg til finansiering. Det gjorde de borgerlige, og det står vi ved, både Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti, og det er jeg glad for. Når det gjelder veiselskapet, jobbes det med det, og vi tar sikte på å sette i gang det samme på jernbane, fordi det er en fornuftig måte å organisere det på, og det har også departementet ment før regjeringsskiftet.
Fornebubanen ferdig utbygget så raskt som mulig og oppstart i løpet av denne perioden. Hvis samferdselsministeren kan garantere at det kommer til å komme penger på bordet til å finansiere dette når den er klar til oppstart og ferdig regulert fra de to kommunenes side

De borgerlige partiene forpliktet seg til det. Vi står ved løftet. Jeg er veldig glad for at SV nå vil jage regjeringen for at den skal gjennomføre sitt løfte, men det er altså mye mer offensivt enn det SV selv noen gang ville forplikte seg til. Det er det ene – når det gjelder avtalen, er den veldig tydelig. Den var skriftlig. Det som representanten Eidsvoll Holmås henviser til, var en muntlig kommentar fra Kristelig Folkepartis leder.

da bør vi juble istedenfor å drive med flisespikkeri. Replikkordskiftet er omme. Regjeringa vil bygge landet for å sikre framtidig verdiskaping og konkurransekraft. Velgerne har ønsket nye løsninger på de utfordringene vi står overfor. Gjennom forslaget til statsbudsjett for 2014 regjeringa startet denne jobben. Sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre vil Høyre og Fremskrittspartiet legge opp til en politikk der nytenking, modernisering og investering i framtidig infrastruktur vil stå sentralt. De siste åtte årene har Norge hatt et økonomisk handlingsrom de fleste kan misunne oss. Likevel ser vi nå klare tegn på at veksten i norsk økonomi har bremset noe opp. Konkurranseevnen har forverret seg, og todelingen i norsk økonomi er tydeligere enn noen gang. Akkurat i denne situasjonen er det viktig at vi prioriterer riktig – at vi satser på utdanning, på forskning og utvikling, på vekstfremmende skattelettelser og på en moderne og framtidsrettet infrastruktur. På den måten kan vi legge til rette for økt konkurransekraft, trygge arbeidsplasser og en bærekraftig velferdsmodell, ikke bare for oss selv, men også for kommende generasjoner. Samferdselsutfordringene handler ikke bare om bruk av milliarder av kroner, det handler om en enklere hverdag for folk flest. Denne regjeringa vil sørge for raskere utbygging av vei og kollektivtilbud – allerede i budsjettet for 2014 ser vi en markert økning sammenlignet med det rød-grønne opplegget – og vi har en regjering som vil ta i bruk nye nye virkemidler, nye måter å organisere samferdselssektoren på. Derfor er det spesielt gledelig at vi allerede i budsjettet for 2014 vil starte oppbyggingen av et eget infrastrukturfond. Dette vil være et viktig redskap for å sikre en tydelig prioritering av infrastruktur i årene som kommer. I tillegg skal det etableres et eget veiselskap. Det er kanskje det viktigste virkemiddelet for å skape mer forutsigbarhet, større grad av helhetstenking og ikke minst bidra til raskere planprosesser. Budsjett handler ikke bare om penger, det handler også om å ta i bruk den verktøykassen som faktisk finnes. I budsjettprioriteringene for 2014 har det vært spesielt viktig å øke innsatsen på vedlikehold, både på vei og på bane. Et godt og tilstrekkelig vedlikehold en god investering i framkommelighet, trafikksikkerhet og punktlighet. Vedlikeholdsetterslepet har bygd seg opp over mange år, og det er en formidabel jobb å redusere det, men med det budsjettforslaget vi har for 2014, har vi tatt et langt steg i rett retning. Satsingen på jernbane er den største på mange år. Det har vært helt nødvendig å øke investeringstakten i banestrukturen, og i samarbeid med Kristelig Folkeparti og Venstre

inklusiv et stort vedlikeholdsetterslep. Fylkeskommunene er avhengige av tilførsel av midler for å løse denne oppgaven. Det var derfor nødvendig å styrke rammen til dette formålet utover det rød-grønne forslaget, og kanskje enda viktigere: videreføre rentekompensasjonsordningen med en ramme på 2 mrd. kr årlig, som den forrige regjeringa ønsket å avvikle. Avslutningsvis vil jeg rette fokus mot regjeringas økte satsing på planlegging. Skal vi få til et taktskifte og en økt satsing på både vei og bane, er det helt avgjørende at prosjektene blir planlagt, og at de er klare til å realiseres når midlene blir gjort tilgjengelige. Samtidig kan vi ikke ha det sånn at planene går ut på dato før en blir ferdig – planleggingstida må ned. Jeg vil rette oppmerksomheten mot at vi har mye å ta igjen, og jobben

men det gjør også mer og mer av norsk innenrikspolitikk.» Jeg forstår helheten i statsrådens redegjørelse slik at denne påvirkninga er bra, og ønsket av Høyre–Fremskrittsparti-regjeringa. Dette er klargjørende og politisk ærlig. Som ombudsmann for Senterpartiets velgere er jeg ikke overrasket over hvor den mørkeblå regjeringa har ledestjerna si. Norge står altså overfor økt tilrettelegging for EU-politikk og økt innflytelse fra EUs organer dersom Kristelig Folkeparti og Venstre, samlet eller enkeltvis, ønsker dette i den videre samfunnsendringsprosessen i Norge. Dette er de store linjene som Venstre og Kristelig Folkeparti må klargjøre i debatten kommende torsdag. Regjeringa, ved Høyre og Fremskrittspartiet, vil gjennom dette legge mindre vekt på norske forhold, til fordel for vedtak i EUs organer og tilhørende regelverk. Norge skal bli mer EU-like. Annerledeslandet Norge som ikke er seg sjøl nok, er ikke Høyres visjon. EU-motstandernes Samholds-Norge skal endres ytterligere, til Markeds-Norge. I mange EU-land utvikler statsgjeldskrisa seg, og man går inn i stadig mer krevende faser med økende sosial og politisk uro. Svært høy arbeidsledighet og stadig økende forskjeller mellom folk gir grobunn for en negativ samfunnsutvikling, sett med øya til oss som jobber for Samholds-Norge. EUs system med friest mulig flyt av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft fremmer de økonomisk sterkestes interesser. I dag – omtrent ti år etter innføringen av felles valuta, euro, og senere utvidelsen østover med tolv land i 2004 og 2007 opplever vi også i Norge konsekvensene av EØS-avtalens fri-flyt-ideologi tydeligere og tydeligere. Norsk arbeidsliv blir mer og mer usikkert, og betalinga for arbeidet blir relativt dårligere for dem som utfører den faktiske produksjons- og tjenesteytinga – dette som følge av et stort utbud av dyktig og billig øst-europeisk arbeidskraft som presser prisene ned. Med regjeringas tilpasningslinje til unionens politikk vil usikkerheten i arbeidslivet nå stadig nye yrkesgrupper. Dette er virkeligheten for de mange arbeidsmaurene som utfører jobben i Norge. De utfører jobben, de prosjekterer den ikke. De som utfører, har ikke det norske språket eller samfunnskunnskapen som grensevern. De opplever økende konkurranse fra folk som vil jobbe svært billig. Regjeringa sier på side 16 i finansinnstillinga – i sin hovedmerknad under sysselsettingspolitikken: «Disse medlemmer viser til at et velfungerende arbeidsmarked er avgjørende for at hver enkelt skal kunne realisere sine drømmer og ambisjoner, og at det skal lønne seg å jobbe.» Ingen bør være uenig i dette. Men det krever at arbeidslivet er regulert, slik at det blir en rettferdig konkurranse, og at markedskreftene korrigeres, slik at en kan leve av vanlig, fullt arbeid. Jambyrdige forhold mellom folk i Norge er resultat av vedvarende politisk debatt og vedtak. Kampen mot den økonomiske liberalismen ble første gang vunnet i 1935, gjennom kriseforliket mellom Bondepartiet og Arbeiderpartiet, da statsråd Håkon Five, representant for liberalismen, måtte gå av. Den norske tradisjonen med jambyrdige forhold mellom folk, med basis i å gjøre sin plikt og å kreve sin rett i arbeidslivet, forvitrer nå til fordel for EUs fire markedsfriheter. Dette er en negativ utvikling som mange taper på – først verdikonservative bedriftsledere som ønsker både å utdanne og å ansette medarbeidere i fast, langsiktig ansettelsesforhold. Disse bedriftene utkonkurreres i dag. Så mange sjølstendig næringsdrivende innenfor primærnæring, industri, handverk og handel – disse utkonkurreres i dag. Og dernest dyktige fagarbeidere innenfor produksjon og tjenesteyting som har utdannet seg innenfor det de er interessert i og har evner til, og som samfunnet trenger for å bygge landet. Mange av disse utkonkurreres Det er viktig at arbeidslivet fungerer, slik at en blir respektert i arbeidet. Det gir deg sjølfølelse. Det er viktig at Norge i den omstillinga en står overfor, får et mer allsidig næringsliv – med basis i fornybare naturressurser og sterk faglig organisering av arbeidslivet, både for sjølstendig næringsdrivende og for lønnsmottakere – og gjenreiser nasjonalstatens virkemidler, slik at en kan korrigere og begrense bevegelsene av ulike goder over landegrensene.

For et tilbaketog! Den varslede og høyt profilerte reformeringen av helseforetaksmodellen, f.eks., ser nå ut til å ende med at regjeringa kaster politikere ut av foretaksstyrene. Er det dette som er den nye ideen? De store ords møte med virkeligheten var tydeligvis krevende. Er det for øvrig flere viktige samfunnsområder hvor regjeringa ser for seg at politikken, i alle fall på lokalt og regionalt nivå, skal På mine hjemtrakter skal bommen på ny og gammel rv. 4 ved Breiskallen fjernes 1. februar. Det lovte statssekretær Bård Hoksrud og stortingsrepresentant Morten Ørsal Johansen stolt sist uke. Det hører med til historien at bommen uansett skulle bort til påske. Men påsken kommer litt sent i år – det skal de to fra Fremskrittspartiet ha. At demonteringen skjer noen uker tidligere enn planlagt, er greit for meg, men jeg innbiller meg at de som stemte på Fremskrittspartiet, hadde forventet noe mer. Noen har til og med kanskje sett for seg at de nevnte herrer, med alle sine bomgarantier, ville sørge for at hele rv. 4, når den blir ferdig over Hadeland, blir bomfri – i det minste at de ville signalisere at de ville jobbe beinhardt for å få det til. Men det er ikke med velgere som det er med kunder i en elektrobutikk. Velgere har ikke 30 dagers angrefrist. angrefrist. Om ikke folk flest blir budsjettvinnere med en blå-blå regjering, får i alle fall det lille mindretallet, det med millioninntekter, skattekutt så det monner. Det er for dette formålet regjeringa øker oljepengebruken og derigjennom legger press på rente og kronekurs, med den faren dette utgjør for norske arbeidsplasser. Ingen i finanskomiteens budsjetthøring har vært mer tydelig enn LO på at vi ikke må bruke mer oljepenger. Det er fordi de frykter for arbeidsplassene til medlemmene sine. I dag skriver NHO at bedrifter sliter med et høyt kostnadsnivå. Da er ikke løsningen å bruke mer oljepenger, slik regjeringa gjør. I Høyre og Fremskrittspartiet går skattekutt Her vet den blå-blå regjeringa veldig godt hva den vil. Det gjør den også når det gjelder å gå til drastiske kutt i de virkemidlene som er så viktige for Distrikts-Norge. Det er ikke bare distriktene som rammes, men også nasjonen, når en ikke vil tilrettelegge offensivt for verdiskaping og utvikling i hele landet, slik den rød-grønne regjeringa la opp til og gjorde. Det regjeringa virkelig vil, ser det ut til at den har rukket å få til. 430 mill. kr til å drive regionalt utviklingsarbeid i de deler av landet som virkelig trenger det, forsvinner. Jeg frykter at dette bare er begynnelsen, at hele ordningen vil bli avviklet. Kan noen berolige meg med hensyn til dette her i kveld, vil det være veldig fint. Mange vil være opptatt av å få svar på nettopp det. At deler av de regionale utviklingsmidlene som ble fjernet fra fylkeskommunen, blir omdisponert til fylkesveier, er dårlig trøst. Lokalsamfunn og regioner som mister utviklingsmidler, eller tappes for slike midler, taper uansett, for veimidler fordeles jo på en helt annen måte – geografisk og mellom fylker. Det gjør ikke situasjonen bedre at også landbruket rammes av kutt i virkemidler og programmer som bl.a. skal stimulere til rekruttering, innovasjon og trygg mat. Bøndenes inntektsmuligheter rammes også på grunn av skatteskjerpelser som følge av fjerningen av arveavgiften. Heldigvis blir det økonomiske opplegget for kommunene neste år på linje med det den rød-grønne regjeringa foreslo, med en nødvendig påplussing – som vi sjølsagt støtter – basert på nye anslag for lønns- og prisutvikling. Jeg er glad for at det denne gangen ligger et rød-grønt budsjettopplegg i bunnen med hensyn til kommunesektoren. Så gjenstår det å se hvordan det blir med de kommunale budsjettrammer når høyrepartiene skal innfri sine virkelig store skatteløfter. Uansett har de signalisert tydelig at skatteinntektene vil få større betydning i kommuneøkonomien. Følgelig vil rammeoverføringene bli tilsvarende mindre. Kommunene skal bli mer skatteavhengige, slik regjeringa, med Erna Solberg i spissen, skal bli mer oljeavhengig. Også på dette området blir det mindre omfordeling. Kommunene har jo svært ulike forutsetninger for å skaffe seg inntekter gjennom skatt. Helt til slutt: Det som gjøres på rusfeltet, imponerer meg lite. Det skapes et stort byråkrati og lite forutsigbarhet. Jeg spør: Er det også andre områder som regjeringa akter å øremerke, fordi den ikke har nok tiltro til kommunale prioriteringer? Når det gjelder å prioritere det som er viktig, går ikke regjeringa foran med et godt eksempel. Den er ikke et forbilde. En av de viktigste oppgavene for en regjering er

Den evnen til å prioritere i en meget hektisk budsjettprosess som regjeringen nå har vist, står det respekt av. Spesielt vil jeg berømme de grep som gjør at samfunnet i sterkere grad bygges nedenfra, at makten desentraliseres, og at mennesker nå settes foran systemer. Vi opplever for ofte enkeltpersoner som ikke får den hjelpen de trenger, personer som åpenbart er i

og økte muligheter gjennom resten av livet. Jeg merker meg også at Senterpartiet, SV og Arbeiderpartiet på vei ut av regjeringskontorene og i debattene etterpå har fortsatt i samme spor som det de hadde gjennom åtte år i regjering, og kun har oppmerksomhet på kvantitet og tekniske løsninger. Det kan jo kalles å være konsekvent og er greit nok for oss, men når kommunene takker oss for å ha stoppet to barnehageopptak nå, og når Utdanningsforbundet støtter oss i det samme, burde de kanskje stoppe opp og se på begrunnelsen før de fyrer løs. Kommunene er klare på at de ikke vil kunne etablere nok nye plasser med god kvalitet for å ivareta slikt opptak nå. I tillegg er de veldig klar over og bekymret for den store helårskostnaden på 1,7 mrd. kr, noe som antakelig er grunnen til at en flertallsregjering ikke har gjort dette før. Utdanningsforbundet har en bekymring tilsvarende den til kommunene og regjeringen. Først må vi sikre kvaliteten og få på plass nok personale med riktig utdanning. Barnehagene er en viktig arena for en god start og god utvikling for svært mange barn. Mangelen på kvalifiserte medarbeidere er stor, og de private barnehagene har slitt med manglende forutsigbarhet. Regjeringen tør å og har styrket kompetansebygging i barnehagen med ytterligere 10 mill. kr, og de private barnehagene har fått økt likebehandling. Høyre og Fremskrittspartiet vil også arbeide for mer fleksible ordninger for barnehageopptak. Noen kommuner har i dag tellinger som i prinsippet gir løpende opptak, noen har bare ett opptak, og de fleste har ordninger midt mellom dette. Det avgjørende for utvidelse av rettighetene er at dette ikke skal gå på bekostning av kvaliteten i tilbudet. Denne regjeringen holder fast ved kvalitet som det avgjørende kriteriet for videre utvikling av barnehagetilbudet. Til slutt vil jeg peke på at regjeringen også gjør tydelige og viktige grep i kulturpolitikken. Etter årevis med tekniske føringer fra den rød-grønne regjeringen som kan gi inntrykk av stadig økt satsing på kultur, viser evalueringen at kulturbruken har gått ned. Det kan da ikke være det som var målet? Når vi nå har fått innblikk og ser at økningene de senere årene har vært gjort mulig ved å løfte inn stadig nye institusjoner i regnestykket, er vi ikke forundret over resultatet. Regjeringen tør å sette ned foten og vil systematisk evaluere og målrette bruken av tilskudd. Poenget er ikke prosenten eller summen, men at de ressursene vi tilfører, utløser økt kulturinnsats og kulturbruk. Vår nye gaveforsterkingsordning er et viktig hjelpemiddel for å gi mer makt til utøverne og godt ankerfeste for kulturaktiviteter og kulturbruk. Det er

Hva har de ønsket å prioritere? Var det offeret eller den kriminelle man skulle prioritere? Skulle det bygges flere fengselsplasser, eller skulle det være flere med hjemmesoning? Soningskøen vokste – hvor ble det av tiltakene? Hvorfor ble nesten ingen utenlandske kriminelle sendt til soning i hjemlandet? Hvor ble det av de konkrete forslagene oppi alt pratet om å styrke beredskapen etter at man fikk kraftig kritikk i Gjørv-kommisjonens rapport?

til. Det betyr at man går fra en varslet økning i antallet i soningskø til at vi får redusert køen og får flere fengselsplasser stilt til rådighet, slik at man i mindre grad framover skal kunne oppleve at kriminelle som skal sitte i fengsel, i stedet slippes fri. Budsjettet styrker også vedlikehold ved våre fengsler betydelig, noe som vil trygge sikkerheten til våre ansatte ved kriminalomsorgens institusjoner.

når vi ser på kriminalitetsbildet. I hovedstaden har vi de siste ukene blitt minnet på hvor viktig det er med tilstedeværelse av politi. Et synlig politi i bybildet gir trygghet, og flere politibetjenter vil kunne slå ned på kriminaliteten på de områder vi opplever har vokst under den forrige regjeringen. Dagens regjering viser handlekraft ved på få uker å tenke nytt når det gjelder politiet. Domstolene styrkes i budsjettet, dette for å sikre sammenheng i straffesakskjeden. Når politiet og kriminalomsorgen styrkes, er det like viktig at det gis budsjettmidler til å ansette flere dommere og få unna saksmengden i våre domstoler. På justisfeltet ser vi nå en kraftig økt satsning på å uttransportere mennesker som ikke har lovlig opphold. Norge skal ikke være en frihavn. Norge skal være et trygt og godt sted for landets innbyggere og de som har fått opphold. Mennesker som har fått avslag på sine søknader, skal ut. ut. Siden mange ikke reiser frivillig, er det flott at regjeringen nå med budsjettmidler på bordet sier klart fra at nå skal dette arbeidet intensiveres. Dette vil også være et tydelig signal til alle dem som begår kriminalitet her i landet, og som ikke har opphold. Nok er nok. Vi ønsker ikke slike tilstander. På den korte tiden regjeringen har hatt til rådighet, er det derfor beundringsverdig at man har klart å få på plass så mange flere uttransporteringer Når alt dette er nevnt, la meg da komme inn på den kanskje viktigste saken på området innenfor justissektoren: beredskapen. Vi har dessverre sett hvor galt det kan gå når beredskapsarbeidet ikke har vært prioritert. Til tross for løfter fra den forrige regjeringen har det ikke blitt nevneverdig bedre. Vi husker alle uttalelsene fra sjefen for beredskapstroppen i politiet, som tidligere i år kunne slå fast at det hadde skjedd svært lite de siste to årene. Da er det godt at vi har fått byttet ut den regjeringen som ikke har tatt beredskapsarbeidet på alvor. Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen har allerede tatt grep: Beredskapen skal styrkes. Regjeringen har fremmet forslag om styrking av Sivilforsvaret, døgnoperativt sivilt situasjonssenter i Justis- og beredskapsdepartementet, økt bevilgning til Hovedredningssentralen, styrking av Kripos og PST samt økt bemanning i beredskapstroppen. Dette kommer i tillegg til den kraftige økningen innenfor politiet Dette kommer i tillegg til den kraftige økningen innenfor politiet og vil klart bidra til å styrke samfunnets beredskap. Fremskrittspartiet er helt klare på at beredskapen i Norge må styrkes, grunnbemanningen i politiet heves og sammenhengen i strafferettskjeden prioriteres. Vi har nå en regjering som bygger sin politikk på den enkeltes behov for trygghet i hverdagen – og som prioriterer dette. Fremskrittspartiet hilser velkommen det skiftet vi nå har fått i justispolitikken, og ser fram til viktig satsninger og

årene fremover. Vi har fått en ny regjering i Norge fordi velgerne ønsket et skifte, men vi har fått en regjering med Fremskrittspartiet fordi Venstre og Kristelig Folkeparti har skiftet syn på Fremskrittspartiet. Mens budskapet i 2009 var heller Jens enn Jensen, var budskapet ved dette valget et annet. Nå var det regjeringsskifte uansett Nå var det regjeringsskifte uansett som var førsteprioritet – tidligere hadde det vært utenkelig. Nå sier Kristelig Folkeparti og Venstre om dette budsjettet at de har flyttet på flere milliarder nå enn på åtte år. Ja, de har i stor grad flyttet tilbake pengene slik det opprinnelig ble foreslått av de rød-grønne før regjeringsskiftet. De har fått tilbake pengene til som ble foreslått av de rød-grønne, de har fått tilbake pengene til kunstnerstipendene, slik det ble foreslått av de rød-grønne, og de fikk tilbake noen av midlene til pressestøtte, slik det også ble foreslått av oss. Det samme skjer på bistand – vi foreslo 1 pst., Høyre og Fremskrittspartiet foreslo å kutte dette målet, så forhandlet Kristelig Folkeparti og Venstre seg tilbake til rød-grønt nivå. Formelt har de jo rett – Venstre og Kristelig Folkeparti har æren for men når det handler om å flytte tilbake penger som vi opprinnelig hadde foreslått, er jo dette med innflytelse en sannhet med modifikasjoner. Jeg mener at regjeringa må ta hensyn til at Stortinget ønsker at 1 pst. skal gå til bistand i denne perioden. Jeg håper ikke verken Kristelig Folkeparti eller Venstre er fornøyd med dette politiske teateret. Jeg håper ikke de er fornøyd med at regjeringen foreslår kutt for at de så får æren for å flytte tilbake milliarder, for politikk handler jo om reell innflytelse. Jeg mener at Kristelig Folkeparti hver dag bør spørre seg: Har virkelig Jensen gitt større innflytelse enn Jens? Er det virkelig slik at dette budsjettet med flere milliarder kroner i skattelette ligger nærmere Kristelig Folkeparti og Venstres hjerte enn det rød-grønne budsjettet? Et meningsløst kutt som foreløpig er uavklart om vil bli stående etter avtalen med Venstre og Kristelig Folkeparti, er kuttet i støtten til norske kunstnere så de kan delta på ulike internasjonale arenaer. Dette mener jeg er viktig norgesprofilering. Det handler om norske forfattere på internasjonale litteraturfestivaler, norske filmskapere på internasjonale filmfestivaler, eller norske musikere som deltar på internasjonale arenaer. Det handler om synet på det moderne Norge. Hvis dette kuttet på 25 pst. blir stående,

8. november la finansminister Siv Jensen fram tilleggsproposisjonen for Stortinget og uttalte at gjennom forhandlingane me stod framfor, kunne budsjettet bli endå betre. Det opplever eg at me har fått etter forhandlingane med Kristeleg Folkeparti og Venstre. Som representant frå Telemark er eg spesielt fornøgd med at det foreslåtte prisgolvet i CO2-kompensasjonen for industrien er fjerna. Me har fått eit budsjettforslag som

men det er også grunn til bekymring for framtida. Me ser ein tendens til aukande arbeidsløyse, særleg blant dei unge, og veksten i næringslivet sine kostnader har komme i utakt med utviklinga hjå våre handelspartnarar. Me ser at gjennom ei årrekkje har reallønningane auka raskare enn produktiviteten. Gjelda i kommunane ei bekymring at me så klart ser ei todeling av norsk økonomi, der fastlandsøkonomien har utfordringar og slit. Budsjettforslaget søker å stimulere til auka vekstkraft i Fastlands-Noreg gjennom tiltak som t.d. skattelettar, fjerning av arveavgifta og auka støtte til bedrifter som tek Med budsjettforslaget viser regjeringa at ho meiner alvor med å styrke norsk næringsliv med gode og føreseielege rammevilkår. Regjeringa er opptatt av å sikre norsk konkurransekraft for å styrke og trygge arbeidsplassar og norsk næringsliv, bl.a. gjennom at det i budsjettet er foreslått ei auka satsing på næringsretta forsking og innovasjon. Her er SkatteFUNN-ordninga eit viktig bidrag som stimulerer næringslivet til og regjeringa foreslår å utvide ordninga i forhold til det som låg i det opphavlege budsjettet. Eit anna område som er prioritert i dette budsjettforslaget, er ei auka satsing på samferdsel. Her har regjeringa store ambisjonar som allereie kjem til uttrykk i dette budsjettforslaget. I dag tek planprosessane altfor lang tid. Eg er glad for at denne regjeringa vil styrke planarbeidet for å forsere som vil mogleggjere raskare investeringstakt i framtida. Det er òg svært gledeleg at fylkesvegane, som var ei svært dårleg gåve frå staten til fylka, får eit betydelig lyft gjennom dette budsjettforslaget, både gjennom løyvingar og ved at forslaget inneber ei vidareføring av rentekompensasjonsordninga for fylkesvegar. Det vil medføre betre vedlikehald og fornying av fylkesvegane. Det er nødvendig å foreta investeringar i infrastruktur og få kunnskap for å auke konkurransekrafta vår. Sundvolden-erklæringa legg opp til ei større satsing på investering i kunnskap og ei sterkare satsing på den viktigaste ressursen i skulen, nemlig læraren, gjennom eit lærarlyft. Då Trond-Viggo Torgersen var barneombod på 1990-talet, uttalte han at når du blir født, får du utdelt eit skrapelodd med tre felt. På det eine feltet står det «foreldre» – det er det viktigaste. På det er det viktigaste. På det neste feltet står det «kommune». Kva slags tilbod gjev denne kommunen? Og på det siste feltet står det «lærar». Kva slags kunnskap og kompetanse har læraren din? Ja, så viktig trur eg òg at læraren er for barns utvikling og framtid. Derfor er det gledeleg at forslaget viser til ein god opptrappingsplan innan strategien «Kompetanse for kvalitet» for

Høyre i opposisjon mente at våre barnehageambisjoner var for puslete. De gikk til valg på at de skulle sørge for at kommunene legger til rette for løpende opptak. I vårt budsjett for 2014 lå det inne penger til utvidelse av retten til barnehageplass og opptrapping mot to opptak i året. Da budsjettet til Høyre og Fremskrittspartiet kom, gikk det fram at det som de syntes var for lite ambisiøst før valget, var altfor ambisiøst etter valget. Det har vært veldig interessant, også i dag, å merke seg hvordan Høyre nå snakker om barnehager. Da statsministeren var i spontanspørretimen for noen uker siden, sa hun at Høyre ikke hadde lovet to årlige opptak. Det er hadde lovet to årlige opptak. Det er jo helt riktig, for det man lovet ble både framstilt som og oppfattet som noe finere og større, nemlig løpende opptak. Og ikke bare det: I tillegg lovet Høyre at det skulle innføres en bemanningsnorm. Nå løper høyrepartiene i helt motsatt retning av målet. Både kommunalministeren og Høyres parlamentariske leder har slått fast at det skal være opp til kommunene å prioritere – eller ikke prioritere – løpende opptak. Deres løfte om løpende opptak er altså offisielt lagt dødt fra Stortingets talerstol. Vår opptrapping mot to og gjennom budsjettavtalen med Venstre og Kristelig Folkeparti kuttes det ytterligere 344 mill. kr i barnehagebudsjettet gjennom det kommunale inntektssystemet. Begrunnelsen for det er at mer kontantstøtte gjør at færre barn trenger barnehageplass. Dette er en bekymringsfull utvikling. Selv om det blir færre barn i en barnehage – én, to, tre, eller flere – betyr ikke nødvendigvis det at det er behov for færre ansatte, færre ansatte, færre vikarer eller mindre vedlikehold. Høyre lovet flere plasser og bedre kvalitet. Nå får vi færre plasser og sannsynligvis dårligere kvalitet fordi Høyre og Fremskrittspartiet prioriterer mennesker med milliarder framfor de aller minste. Dette er usosialt, det er gammeldags, og det er veldig klare løftebrudd. Løftebruddene går igjen på mange andre områder også – vi finner dem i sentrale strøk, eksemplifisert av Fornebubanen, og vi finner dem ikke minst i distriktspolitikken. Et eksempel på det: Da Høyre-leder Erna Solberg satt i opposisjon, ga hun klare garantier for at det ikke skulle skje noen nedbygging av tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark. Så kommer budsjettet, og nå kutter Høyre og Fremskrittspartiet et sentralt virkemiddel i tiltakssonen, nemlig barnetrygdtillegget. Igjen er det barnefamiliene som skal betale regningen. En annen rød tråd fra de blå er systematiske angrep på en politikk for å skape vekst i hele landet. Det handler om den økte oljepengebruken, som det eksportrettede næringslivet har advart mot, og som øker sårbarheten for de eksportavhengige lokalsamfunnene, samtidig som innstramningene i permitteringsregelverket rammer de samme næringene. næringene. På toppen av det kutter man også i de regionale utviklingsmidlene. Man kutter i Marint verdiskapingsprogram, og hvitfisknæringen er en næring med store utfordringer. Det er varslet at lørdagsaviser skal bort i store deler av landet. Det er stopp for det nye helsearkivet på Tynset. Det er kutt i Framsenteret i Tromsø, som er en sentral del av Og når man skal effektivisere Direktoratet for økonomiforvaltning, er det systematisk på de minste stedene det kuttes. budsjett er et budsjett for større forskjeller – mellom mennesker, mellom landsdeler og mellom nord og sør. Jeg er ikke overrasket over at en regjering fra Høyre og Fremskrittspartiet skaper usikkerhet om Norges ambisjoner når det gjelder bistand, og at de foreslår å redusere antall kvoteflyktninger, men jeg er veldig overrasket over at Kristelig Folkeparti og Venstre støtter

Regjeringen prioriterer, effektiviserer og moderniserer. De første skritt i riktig retning er tatt. Det er mye å rette opp i. Åtte år med rød-grønn styring har ført til formidable vedlikeholdsetterslep, en skakkjørt justissektor og lange køer i helsesektoren, for å nevne noe. Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen prioriterer verdiskaping. Da Stortinget sluttet seg til handlingsregelen, pekte en enstemmig finanskomité på at investeringer i infrastruktur, utdanning og forskning er viktig for å få norsk økonomi til å fungere bedre. Slike satsinger på verdiskapende tiltak, i kombinasjon med skatte- og avgiftslette, er noe som Fremskrittspartiet har etterlyst lenge. lenge. I plassen for stadig økende utgifter og vekst i byråkrati, satser denne regjeringen på vekstfremmende investeringer for en bærekraftig framtid. Fremskrittspartiet mener at folks skaperevne og -vilje, i kombinasjon med satsing på utdanning og forskning, er hovedelementene for å sikre et bærekraftig velferdssamfunn. For Fremskrittspartiet er det viktig at budsjettet ivaretar dette, og vi er glad for at regjeringen leverer. Høyre, Fremskrittspartiet og samarbeidspartiene øker forsknings- og utviklingsinnsatsen med nærmere 500 mill. kr, en realvekst fra 2013 til 2014 på Humankapitalen er den største verdien Norge har, og utgjør ca. 80 pst. av nasjonalformuen vår. Verdien av vår framtidige arbeidsinnsats utgjør den største delen av nasjonalformuen. Flertallet styrker arbeidslinjen og investerer i kompetanseheving. Fremskrittspartiet er fornøyd med at stortingsflertallet styrker videreutdanning av lærere 750 flere lærere og 100 flere skoleledere kan nå årlig få styrket sin kompetanse og bidra til økt kvalitet i skolen. Fremskrittspartiet er fornøyd med at budsjettet inneholder flere tiltak som styrker fag- og yrkesopplæringen, noe som vil bidra til flere og bedre fagarbeidere og lavere frafall i videregående skole. Her blir særlig praksisretting av fellesfagene et viktig tiltak. Det satses på en hospiteringsordning for yrkesfaglærere og lektor 2-ordning. Læringstilskuddet økes, og det etableres en ny tilskuddsordning for å stimulere flere bedrifter til å ta inn lærlinger.

I tillegg får studentene nå studielån også for sitt første år som studenter i USA, noe som muliggjør at en nå kan ta en hel bachelorgrad i omtrent alle verdens land med full støtte fra Lånekassen. Regjeringen har også fått på plass en betydelig økt satsing på studentboliger. I budsjettet er det satt av 359 mill. kr til bygging av studentboliger. Det er en økning på over 100

budsjettet. Så i sum mener vi at dette budsjettet er noe som Fremskrittspartiet kan stille seg bak med god

skal bort, skal Fremskrittspartiet i regjering nå kreve inn mer bompenger enn noen gang. Og kun en mikroskopisk andel av det Fremskrittspartiet lovte velgerne på veisatsing, blir gjennomført. Tenk deg følgende scenario: Arbeiderpartiet finner på den litt vanvittige ideen at vi skal bruke 1 000 mrd. kr på et høyverdig formål over de neste ti årene. Det på vei og jernbane i sin alternative tiårsplan for utbygging. Så vant vi valget, rent hypotetisk – det gjorde vi dessverre ikke, men nå forteller jeg historien allikevel – og da vi skulle lage regjeringserklæring og statsbudsjett, måtte vi bare si til folk: Beklager, vi fikk bare litt over 30 pst. av stemmene, så en stor, stor andel av det vi har lovt, blir det dessverre ikke noe av. Det ville blitt ramaskrik. Folk hadde sagt at dette måtte vi ha visst da vi lanserte valgløftene. Vi hadde blitt holdt ansvarlig for det vi hadde lovt. På samme måte skal Fremskrittspartiet holdes ansvarlig for det de har lovt. De fikk 16 pst. av stemmene, men de har en tredjedel av regjeringen. De må dessuten ha visst at det de lovte velgerne, var totalt urealistisk. Noen sier at folk har grunn til å føle seg lurt. Jeg skal ikke bruke så sterke ord, men jeg er helt enig med Trond Giske tidligere i debatten beskrev at tillitsforholdet mellom velgere og tillitsvalgte ødelegges når man turer fram med denne typen valgløfter, som er helt ute av alle proporsjoner, og som de må ha visst var helt urealistiske. På helsefeltet ser vi også en rekke tilbaketog og avlyste valgløfter. I valgkampen hamret Bent Høie og Høyre løs på Arbeiderpartiets helsepolitikk. Såkalt fritt behandlingsvalg og nasjonal operativ helse- og sykehusplan var svaret på nesten alle uløste oppgaver i helsesektoren. Nå er disse valgløftene skutt kraftig ut i tid og nedjustert. Jeg må for øvrig legge til at jeg synes det er litt provoserende at vi har en helseminister som ikke er i stand til å svare når Stortinget spør om hva som skal være innholdet i denne planen eller i disse reformene, men at han bruker de samme reformene og valgløftene hver gang han blir konfrontert, enten på Stortingets talerstol eller i media, med vanskelige saker. Jeg forventer at vi får bedre svar på dette – ikke om fire år, men om noe kortere tid. Statsråd Høie er også nå for øvrig enig i at det han selv mente før valget om at det var behov for en uavhengig gransking av hovedstadsprosessen, ikke blir noe av. Det lovte han.

og ikke én ekstra krone til å øke behandlingskapasiteten i de offentlige sykehusene når vi vet hva slags behov som finnes, og hva slags medisinsk-teknologisk revolusjon som står foran oss. Da bør vi øke kapasiteten der hvor behovene er størst, der hvor flest pasienter blir behandlet. Den andre karakteristikken av budsjettet er at det gjør Norge mer oljeavhengig. Da deler av valgløftene og spesielt skattekuttene skulle finansieres, ble fristelsen for stor. Oljepengebruken økes i en situasjon hvor det landbaserte næringslivet vårt sterkt advarer mot økt press på kostnader og kronekurs. Den siste karakteristikken, og det er kanskje den som er den mest alvorlige, er at budsjettet øker forskjellene mellom folk. Jeg synes det er sterkt problematisk at vi har en statsminister som bagatelliserer – i replikkordskiftet med Jens Stoltenberg tidligere i dag – hva det betyr at inntektsforskjellene mellom folk i Norge er små. Det har vært en styrke og et kjennetegn ved den norske måten å å organisere samfunnet på. Da vi i valgkampen advarte mot at det ble skattekutt til de rikeste og økte forskjeller, ble vi møtt med påstander om skremselspropaganda. Nå har vi fasiten: 40 000 til dem som tjener over 2 mill. kr og noen hundrelapper i måneden til dem som tjener minst. Og vi er så vidt i gang. Jeg minner om at Høyre og spesielt Fremskrittspartiet har lovet skattekutt på et sted mellom 25 mrd. kr og 100 mrd. kr. Gjennomføres dette i den skalaen, vil landet vårt forandres etter min mening i feil retning. Regjeringspartiene gikk til valg på å realisere kunnskapssamfunnet, og når man snakker om visjonen om kunnskapssamfunnet, er det veldig mange steder man kunne startet. Man kunne startet med kvalitet i barnehagen. Man kunne startet med yrkesfagløftet, som ikke bare dreier seg om at det skal bli lettere for flere å gjennomføre, men at man skal gjenreise respekten for gode fagarbeidere i Norge. Man kunne startet med kvalitet i høyere utdanning eller med forskningspolitikken. Men hvis vi skal tegne opp ett bilde av hva kunnskapssamfunnet innebærer, tror jeg det letteste og mest illustrerende stedet å starte er med alle de seksåringene som hver eneste høst begynner på skolen. Mange av dem har allerede gått igjennom en god barnehage. Vi vet at det har effekt. Så ser vi dem. Det er ca. 60 000 seksåringer som starter på skolen hver eneste høst. De tripper av gårde forventningsfulle. De er klare for å lære – klare for å starte sin karriere i den norske skolen. Vi som samfunn har gitt hver og en av disse seksåringene et løfte. Det er løftet om at du, etter at du er ferdig med grunnskolen, skal ha fått med deg de verktøyene du trenger for å klare deg resten av livet. Da skal du ha fått med deg de verktøyene du trenger hvis du har lyst til å bli bibliotekar, industriarbeider, aksjemegler eller sykepleier. Skolen og skolestarten for de seksåringene representerer på mange måter det vi kanskje kan kalle den norske drømmen. Det har vært vanlig å snakke om den amerikanske drømmen, men den norske drømmen er minst like viktig. Ideen om den norske skolen er den kraftige og sterke ideen om at uavhengig av hvilken bakgrunn du har, uavhengig av hvor i landet du kommer fra, uavhengig av hvor foreldrene dine kommer fra uavhengig av økonomi, skal du få de samme mulighetene til å utvikle dine evner og talenter. Det er ingenting galt med visjonen og drømmen om den norske skolen. Problemet dukker opp når vi ser på gjennomføringen. Det er veldig mye som er bra i norsk skole. Det er veldig mye som fungerer. Vi har mange flotte og gode lærere. Men allikevel vet vi at for altfor mange barn – for altfor mange av de seksåringene som starter på skolen – klarer vi ikke å oppfylle det ene store løftet vi som samfunn ga dem. Vi vet f.eks. at ca. én av fem gutter går ut av grunnskolen uten helt grunnleggende lese- og skriveferdigheter. Vi vet at det innenfor matematikkfaget

Vi har startet et taktskifte for kvalitet og likebehandling i barnehagene, bl.a. ved å utjevne forskjellen mellom barn som går i offentlig og privat barnehage. Vi har startet et taktskifte i yrkesfagspolitikken bl.a. ved å løfte lærlingtilskuddet, slik at flere kan få seg barnehageplass. Men den største satsingen i denne regjeringens kunnskapsbudsjett dreier seg om den aller viktigste faktoren for alle de seksåringene som starter på skolen, nemlig læreren. Det er ingenting som er viktigere for hvordan skolegangen går for et barn, enn hva slags lærer man møter i skolen – av de faktorer som vi politikere direkte kan gjøre noe med. Det er mye viktigere enn frukt og grønt. Det er mye viktigere enn obligatorisk kulturskoletime i skolefritidsordningen. Det er mye viktigere enn tiltak som ikke har en klar effekt for læring og kunnskap. Derfor har denne regjeringen satt av 300 mill. kr ekstra til et etter- og videreutdanningsløft. Det er ikke fordi norske lærere er dårlige, men fordi gode lærere kan bli enda bedre, dersom de får verktøyene til å bli det. På den måten tar vi det første steget mot å bygge kunnskapssamfunnet videre ut. Det blir replikkordskifte.

Rullerende barnehageopptak dreier seg ikke om nytt lovverk eller pålegg til kommunene, har vi hørt. Det dreier seg heller ikke om penger, og det kan vel heller ikke være en ny idé at kommuner fyller opp de ledige plassene de har. Det opplevde jeg med min datter for 23 år siden. Hvilke nye løsninger er Hvilke nye løsninger er det man har tenkt ut, i de fire årene man har fortalt oss om nye ideer og bedre løsninger? Er det økte barnehagepriser som skal frigjøre plasser, eller er det 23 000 kr i kompetansemidler hver kommune får, som står i veien for å gjennomføre en ny ordning.

raskt, da vi kom inn i regjering, var at den forrige regjeringen ikke en gang hadde tatt seg bryet med, må man nesten si, å skaffe til veie et skikkelig kunnskapsgrunnlag for å starte med fleksibelt opptak. Så det vi har startet med nå, er rett og slett faktainnhenting for å sørge for f.eks. å se på de kommunene som allerede har fleksibelt inntak, se hvor mange det er, og hva vi kan lære av dem. Så har vi sagt at vi skal komme tilbake til Stortinget med en sak om det, men vi har altså ikke fulgt opp det som var den rød-grønne regjeringens politikk – rett og slett fordi denne regjeringen har en annen politikk.

etter at forslaget om økt studiestøtte hadde vært utsatt for den nye regjeringas gjennomføringskraft, var to av tre kroner i studiestøtta fjernet. Studentledernes kommentar var da at dette er en tydelig bortprioritering av studenter og høyere utdanning. Det er skattekutt som er prioritert. Men hvis statsråden mener det er for dyrt å satse på dette, kan han lese daværende stortingsrepresentant Tord Liens blogg. Lien skriver at det overhodet ikke er dyrt å øke studiestøtta og begrunner det med økt gjennomføring. Er kunnskapsministeren enig med sin regjeringskollega Lien, med Kristelig Folkeparti, med Venstre og med Arbeiderpartiet i at elleve måneders studiestøtte er et godt tiltak for å øke gjennomføringa? La meg først si at jeg forstår at studentene var skuffet – det har jeg ikke noen vanskeligheter med å forstå. Det jeg derimot har litt problemer med å forstå, er at Arbeiderpartiet er så høye og mørke etter at man i åtte år i regjering ikke klarte å levere en eneste krone mer til studiefinansieringen annet enn prisjustering. Vi har fra 2014, hvor for øvrig de rød-grønne hadde lagt inn null kroner ved siden av prisjustering – null kroner i økning i 2014 – økt med 3 500 kr. Det er den største økningen på over ti år. Jeg forstår at studentene gjerne vil ha enda mer, og det forstår jeg år. Jeg forstår at studentene gjerne vil ha enda mer, og det forstår jeg ekstra godt, for hvert eneste år med rød-grønn regjering sakket studentene akterut sammenliknet med lønnsmottakere i Norge – hvert eneste år. Det største studieløftet på ti år fra 2014, hvor de rød-grønne hadde lagt inn null, mener jeg er bra. Og så skal vi fortsette å løfte, i motsetning til de

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 30 pst. av dem som begynner på videregående skole, ikke fullfører. Dette er gjennomsnittstall for hele landet. I enkelte fylker er frafallet på over 50 pst. Dette er en enorm sløsing av både økonomiske og menneskelige ressurser. I Kristelig Folkeparti har vi forventninger til at regjeringen og kunnskapsministeren tar fatt i dette problemet, og mitt spørsmål er hva statsråden ser for seg at han kan gjøre for å redusere frafallet og sørge for at de seksåringene som begynner på skolen, ikke bare får med seg det de skal etter ti år, men at de også fullfører videregående opplæring. Det er et veldig viktig spørsmål. Vi gjør allerede en del ting i budsjettet nå. Jeg nevnte f.eks. økningen av lærlingtilskuddet, som jeg mener er viktig, og så styrker vi også en del ordninger som gjør at får større mulighet til f.eks. å veksle mellom praksis og skole. Det er ordninger som jeg har stor tro på, og som jeg tror kan fungere. Siden jeg var streng mot den forrige regjeringen i det forrige svarinnlegget, kan jeg si at det – sannsynligvis – kom en del godt ut av Ny GIV-satsingen som ble startet for noen år siden. Nå kommer det en del grundige evalueringsrapporter og da er det sannsynligvis slik at en del av de tiltakene som er satt i gang, f.eks. det som har gjort at man har fått tettere samarbeid mellom Nav og fylkeskommunen, har fungert bra, men så er det nok andre deler vi må se mer på. Jeg kommer gjerne tilbake og svarer mer for det når de rapportene kommer og blir offentlige.

læring, og det i verdens rikeste land. Den blå-blå regjeringa med Venstre og Kristelig Folkeparti på slep har nå satt en strek over frukt og grønt-ordningen, folk får greie seg sjøl – det er viktigere å satse på noe ordentlig. Dette skjer samtidig som vi vet at de sosiale helseforskjellene øker, og de som har god økonomi og høy utdanning, spiser sunt, og de som har dårligere økonomi og lavere utdanning, spiser mer usunt. Summen som den blå-blå regjeringa tar fra de små og gir til de rike, finansierer om lag en tiendedel av skatteletten til dem som har over 2 mill. kr i inntekt. Er det så viktig med skattelette til de aller rikeste at vi ikke kan ta oss råd til frukt og grønt for skoleungene våre? Jeg vil nødig bli dratt inn i pengediskusjoner, men bare for ordens skyld nevner jeg at Kunnskapsdepartementets budsjett er 300 mill. kr større enn det foreslåtte budsjettet fra de rød-grønne. Jeg mener overhodet ikke å latterliggjøre. Jeg mener at det er mer udiskutabelt at frukt og grønt er veldig sunt, enn at mennesket påvirker klimaendringene. Men så vil jeg si at hvis vi skal redusere de sosiale forskjellene i Norge, er det noe som er enda viktigere enn frukt og grønt, og det er der regjeringen har foretatt en klar prioritering. Det som er enda viktigere, er at vi har en skole som gir grunnleggende kunnskaper og ferdigheter til alle. alle. Da har vi sagt at det å prioritere etter- og videreutdanning av lærere, som dessverre er en satsing som den forrige regjeringen ikke klarte å gjøre – man snakket mye om det, men det ble gjort veldig lite – er viktigere. For den seksåringen som begynner på skolen, er det tross alt – selv om det er sunt å spise frukt og gulrøtter og alt – enda viktigere at de møter en god lærer som har fått sjansen til å bli enda bedre. Jeg legger til grunn at statsråden er

og Venstre har sammen med Kristelig Folkeparti inngått et forlik med regjeringen, der det er lagt til rette for ytterligere 100 nye stipendiatstillinger. Det er fortsatt langt unna det som er Venstres alternative budsjett, der vi legger inn 500 nye stipendiatstillinger. Mitt spørsmål til statsråden er: Hvor mange stipendiatstillinger ser statsråden for seg at vi kan få på plass i de neste budsjettene? Er dette et viktig satsingsområde innenfor høyere utdanning og forskning?

så kom det 100 nye i Stortinget. Det er en ganske merkbar satsing oppover. Hvis spørsmålet er hvor mange stipendiatstillinger det er mulig å få inn, er det ganske mange. Men det jeg oppfatter at representanten spør om, er om dette er et viktig satsingsområde. Det er det absolutt – fordi det er viktig for norsk økonomi og konkurransekraft at vi har folk som tar en doktorgrad, og at vi har gode stipendiatordninger, men minst like viktig er det at det er avgjørende for rekrutteringen til akademia. Så min ambisjon er tydelig og sterk satsing på stipendiater i de kommende budsjettene, men jeg kan ikke nå si nøyaktig hvor stor den vil bli til neste år og året etter. Det ber jeg om forståelse for. Eg lurer på kor det kjem frå at dette er

og no herskar det fullstendig kaos i mitt hovud om kva som eigentleg er denne regjeringa si line. Først spurde vi statsministeren om kva ein meinte med å gå bort frå to opptak. Da fekk vi som svar at dette var opp til kommunane. Så spurde vi kommunalministeren om kva kommunane skal gjere. Jo, ein skal leggje til rette for at dei skal gjere dette. Så har eg på min front stilt statsråden spørsmål om og har fått ganske «fuzzy» svar i brevs form. Og no får vi plutseleg noko heilt nytt opp av hatten, at dette handlar om faktagrunnlag. Det er heilt nytt. Bare først dette tallet, det kommer fra budsjettet og det er riktignok Kunnskapsdepartementets ramme. Så kan man selvfølgelig diskutere prioriteringene i den rammen, men rammen for kunnskapsbudsjettet er altså 300 mill. kr høyere – og faktisk litt over det – enn det den foregående regjeringen la frem. Så er det viktige satsinger der, som f.eks. likebehandling av barnehagebarn og en opptrapping av det, og lærerløftet. Jeg har ikke hørt noen si noe annet enn det jeg sier om det som er er at man skal stimulere kommunene til mer fleksibelt opptak. To barnehageopptak har ikke vært denne regjeringens politikk, men vi har sagt at vi ønsker å legge frem en sak med mer fleksibelt opptak som mål. Og så har vi ikke fått gjort det i løpet av fem uker. Jeg synes også det er litt mye forlangt på en politikk som den rød-grønne regjeringen tross alt ikke klarte å legge fram i de fire siste årene de satt. Men vi vil komme tilbake til dette på en egnet måte.

I åtte år har jeg hørt på representanter fra SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet som har skrytt av alt de har gjort, og alt de har fått til. Problemet var at samtidig med selvskrytet, økte køene, og oppslagene i media samt henvendelser fra pasienter, pårørende og helsepersonell fortalte oss noe helt annet. Å få en erkjennelse av dette var umulig, og ethvert forsøk på å fremme Etter at landet fikk en Høyre–Fremskrittsparti-regjering med en samarbeidsavtale med Kristelig Folkeparti og Venstre, har jeg som leder av helse- og omsorgskomiteen mottatt svært mange henvendelser. Alle som har kjempet for en helsesak i årevis, øyner nå håp om å bli hørt, og jeg erkjenner at vi har en vanvittig stor jobb å gjøre. Regjeringen skal lage en egen sykehusplan, en opptrappingsplan for og en opptrappingsplan for rehabilitering, for å nevne noe. Vi skal løfte kompetanse og se på akuttmedisin og legevakt. Vi har et enormt stort arbeid foran oss. Men det viser også veldig tydelig at det har kommet en ny regjering – en ny regjering som ser og hører hva som blir sagt av dem som står midt oppe i det. Vi går fra en regjering som tilsynelatende var veldig fornøyd med eget arbeid til en ny regjering som ser behov for opprusting, omlegging og kvalitetsøking innen alle helseområder. Derfor fryder det meg litt å se at representanter fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet daglig sender spørsmål til helseministeren om hvordan han vil rydde opp i alt det som de selv ikke greide å gjøre noe med da de hadde muligheten. Jeg håper de fortsetter å sende slike spørsmål, og enda bedre – jeg håper de fortsetter å løpe til media med det, slik at flest mulig innbyggere i vårt land får med seg disse innrømmelsene som nå kommer på løpende bånd fra de rød-grønne. Den nye regjeringen er utålmodig, og vi skulle gjerne sett at vi hadde hatt mer tid til å gjøre viktige og nødvendige endringer i budsjettet. Men noen viktige grep er tatt, særlig innen helse, og spesielt for dem som trenger det aller mest. Flere pasienter skal få behandling, og det skal kjøpes kapasitet fra private for å få ned kø. Rus og psykisk helse blir prioritert spesielt innen spesialisthelsetjenesten, i kommunene og innen frivilligheten. Alle nivåer har Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti styrket. Vi har fått ros fra hele landet fra folk og organisasjoner som har vært opptatt av rus og psykisk helse – for å ha løftet temaet opp i valgkampen og for å ha holdt våre løfter i dette budsjettet. budsjettet. Ressurskrevende brukere skal ikke oppleve kutt. Det skal bygges flere heldøgnsplasser for pleie og omsorg ved å øke tilskuddene kraftig, og de som mangler tenner eller på annen måte grunnet alder og/eller sykdom har store utgifter til tannlege, skal få dette dekket. Når vi nå ikke fikk laget vårt eget budsjett fra bunnen av, har det derfor vært viktig å prioritere de som har ventet lengst og Derfor reverseres også utfasingen av fradragsretten for særskilt store sykdomsutgifter, og vi legger inn igjen psykisk helse i skolene, som de rød-grønne med et pennestrøk fjernet. Uten de frivillige organisasjonene hadde vi hatt skikkelig trøbbel, og mange hadde stått uten et tilbud. Regjeringen ønsker å bruke frivilligheten enda mer og øker derfor bevilgningene til dette arbeidet. I tillegg øker vi skattefradraget for gaver til frivilligheten. Man kan oppnå mange goder ved å bo i Norge, men det krever litt flaks, litt hyl og skrik og litt fet lommebok. Regjeringen prioriterer helse og omsorg høyt. Helse og omsorg er viktige elementer for å gi folk flest et trygt og godt liv. God helse gir velferd. Det er nødvendig å sette inn tiltak for å stoppe den todelingen av helsevesenet som vi har sett de siste årene, ved at de som orker å rope høyt, eller de som har mye penger eller en helseforsikring, har kommet først til hjelpen. Regjeringen legger med dette fram et budsjett som viser deler av den veien vi har tenkt oss, nemlig mot et helsevesen likt for alle, uavhengig av lommeboka, som skal løfte pasientgrupper som har vært nedprioritert – og med mange planer for styrkede rettigheter og økt kvalitet. Regjeringen har mange planer, og vi har begynt

Vi vil ha flere opptak i barnehagene. Den nye regjeringen har ingen anelse om hva den vil i barnehagepolitikken. Vi vil satse mer på billigere barnehager. Den nye regjeringen sørger for dyrere barnehager. Vi satser på barn og pappaperm. Den nye regjeringen vil at foreldrepermisjon skal tilhøre mor. Vi tilrettelegger for arbeidslinjen. Den nye regjeringen legger ut snubletråder for jenter i arbeidslivet. Vi jobber for en moderne og framtidsrettet familie- og likestillingspolitikk. Den nye regjeringen jobber for en umoderne og gammeldags politikk. Man kan trygt slå fast at det i alle fall ikke er i familie- og likestillingspolitikken at man vil prøve ut nye ideer og bedre løsninger. Selv om statsråd etter statsråd stadig hevder å ha hatt for liten tid til mye, har man i alle fall hatt tid til å sette likestillingspolitikken i revers. I sin iver etter å gjeninnføre en gammeldags likestillingspolitikk har de ikke manglet gamle ideer og dårlige løsninger. For oss som representerer Arbeiderpartiet, er det et politisk mål å gi folk mer frihet til å leve sine egne liv, tilrettelegge for en god hverdag for barn og familier og ta nye initiativer for å gi kvinner og menn likeverdige muligheter. Tilgjengelige og rimelige barnehager gir kvinner og menn frihet til å gjøre sine valg i hverdagen. Barnehageplasser sikrer frihet for unger som har noe ekstra tungt i ryggsekken. De gir kvinner frihet og mulighet til å bli økonomisk selvstendige, og også samfunnet arbeidskraft, inntekter og velstand. Pappaperm gir først og fremst far og barn tid sammen. Men den gjør også at kvinner blir mer attraktive på arbeidsmarkedet, og gir derfor økt likestilling. Norge er et av verdens mest likestilte land. Gang på gang er vi kåret til det beste landet å leve og bo i. I europeisk sammenheng får norske kvinner ganske mange barn. Kvinner i mange andre land – på tvers av partipolitiske skillelinjer ser på vår likestillingspolitikk som et forbilde for sin egen samfunnsutvikling. Nå har vi fått både kvinnelig statsminister og finansminister. Da burde det vært slik at jenter i Norge og i verden for øvrig kunne ha forventninger om at vi går foran og tar rollen som pådriver i likestillingspolitikken. Også i kulturpolitikken ser vi et taktskifte. I dag begraves Kulturløftet. Solberg-regjeringen kuttet 250 mill. kulturkroner for å få på plass sine skatteletter, og ingen har hørt den nye regjeringen nevne Kulturløftet. Kulturløftet har vært viktig for å gi kulturen tydeligere plass i samfunnet. Det er lett å dele tidligere kulturredaktør i Aftenposten, nå statssekretær, Åmås’ betraktninger om Kulturløftet i Aftenposten den 14. oktober i år. Han skrev: «Forhåpentlig vil budsjettet fra de borgerlige om noen uker ikke reversere den foreslåtte økningen til de rødgrønne, som for første gang bringer kultur opp på 1 prosent av statsbudsjettet. Det ville være et både uheldig og unødvendig signal i en liten og beskjeden sektor med stor samfunnsbetydning.» Arbeiderpartiet er helt enig med kulturredaktør Åmås – og det er synd at statssekretæren ikke har nådd fram med sine synspunkter. Arbeiderpartiet ønsker å utjevne økonomiske og sosiale forskjeller og tilrettelegge for et samfunn som inkluderer, også på kulturområdet. Arbeiderpartiet ønsker å gi bedre levekår for dem som jobber i bransjen. Arbeiderpartiet ønsker mangfold i uttrykk og å satse på både bredde og topp. Tre kulturløft har bidratt til det – derfor er det med vemod vi konstaterer at Kulturløftet ble avlyst av den

Når man hører på Arbeiderpartiets fremste talsmenn og -kvinner, med Trond Giske, Helga Pedersen og Torgeir Micaelsen i spissen, som ikke finner et eneste lyspunkt i den nye regjeringens politikk, er det nesten så man minnes ordene om at måtte den siste som forlater kongeriket, huske å slå av lyset. For det er ikke måte på! I det siste innlegget skulle Kulturløftet begraves, og noen kunne vel kanskje forveksle det med en handlekraftig regjering. Dette er å ta i overkant mye Møllers tran – hvis de innleggene vi har hørt fra Arbeiderpartiets side i dag, hadde vært i nærheten av å være riktige. Men det gleder meg at på ett område har kritikken stilnet etter valget, og det gjelder kommuneøkonomi. Før valget fikk vi høre fra nord til Før valget fikk vi høre fra nord til sør fra Arbeiderpartiets riks- og lokalpolitikere at med en borgerlig regjering, og særlig med Høyre i regjering, ville det bli sultefôring av kommunene. Nå, etter valget, har vi fått fasiten, og det er blitt stille fra Arbeiderpartiet når det gjelder kommuneøkonomien – med god grunn, fordi et robust kommuneopplegg videreføres.

tilbud til unge med psykiske helseutfordringer. Rapporten fra NHO har preget denne debatten og har vist at også vi i Norge er sårbare når veksten ute avtar, og kostnadsnivået i Norge blir for høyt. For regjeringen er det viktig å styrke vekstkraften i økonomien

men det blir mer rom for det lokale initiativ for entreprenører, for gründere, for små og mellomstore bedrifter, for de mange som sikrer at det er vekstkraft og jobber å gå til i hele landet. Vi endrer politikken på et viktig område ved at vi reduserer de statlige midlene til fylkeskommunale/ utviklingsmidler. Derimot styrker vi det vi vet virker, nemlig å ha en storsatsing på infrastruktur, ved at fylkesveiene nå får 780 mill. kr mer til neste år. Det er hva Distrikts-Norge har bedt om, det er hva bedriftene har bedt om. Det bidrar til å sy bo- og arbeidsregionene sammen, og det bidrar til at varene og vi reduserer viktige skatter og avgifter som gjør at vi også styrker det private eierskapet i Norge. Dette er viktige virkemidler for en offensiv distrikts- og regionalpolitikk, som bidrar til vekst og utvikling, og som ikke minst sørger for at vi har trygge arbeidsplasser som skaper verdier, og som sikrer velferd. Det blir replikkordskifte.

øker. Det er en økning som Arbeiderpartiet støtter, fordi det skyldes endrede forutsetninger, og det skulle bare mangle at man ikke kompenserte for det. Men denne regjeringen er opptatt av å framstille seg som garantistene for næringsutvikling og verdiskaping. Norge er et rikt land med mange muligheter for verdiskaping over hele landet, og da har det vært viktig å legge til rette for at hele landet skal kunne ha en aktiv næringsutvikling. Men regjeringens oppfølging av dette har ikke gått i den retningen. Man foreslår begrensninger i CO2-kompensasjonen – viktig for industrien – man har forhandlet bort muligheten for å konsekvensutrede Nordland VI og Nordland VII, og man svekker, som statsråden var inne på i sitt innlegg, mulighetene Er ikke statsråden bekymret for at vi i Norge skal få en enda sterkere sentraliseringstendens, med de negative konsekvensene det vil få for både grisgrendte strøk og de mer sentrale pressområdene? La meg først si at det var hyggelig at replikanten i hvert fall så ett lyspunkt i den nye regjeringens politikk, men la meg også legge til at jeg er ikke vonbroten over at Arbeiderpartiet har behov for å pleie sine sår. Tvert imot tror jeg at den nye regjeringen har alt å tjene på at Arbeiderpartiet fortsetter i samme spor. Jeg tror ikke at velgerne verdsetter den retorikken Arbeiderpartiet har lagt seg på. Når det gjelder verdiskapingspolitikken, må jeg si at jeg er grunnleggende uenig med Arbeiderpartiet i at fylkeskommunale/regionale utviklingsmidler er det viktigste for å få til utvikling i Distrikts-Norge, ikke minst for å trygge arbeidsplassene. Når jeg reiser rundt i Distrikts-Norge og besøker små og mellomstore bedrifter, får jeg høre at det man ber om, er bedre veier. Med den nye regjeringen økes bevilgningene til fylkesveier med 780 mill. kr. Det er noe som vil bidra til vekst og utvikling og tryggere arbeidsplasser i

Øremerking en kort periode for så å innlemme bevilgningene i rammen har vært brukt som en måte å etablere nye oppgaver på eller øke innsatsen på et område på. Vi har gjennomført en barnehagereform, en psykiatrireform, russatsing og barnevernssatsing på denne måten. I regjeringens øremerking nå mangler satsingen, siden pengene i sin helhet hentes gjennom kutt i kommunerammen. Det må i kommunene oppleves som en oppfordring til å redusere igangsatte rustiltak for så å måtte søke om nye midler. Hvordan kan en reduksjon i frie midler og øremerking av en etablert ordning henge i hop med lovnaden om styrket lokaldemokrati ved å flytte mer makt og ansvar til kommunene? La meg først rette opp en åpenbar misforståelse. Det er ikke reduksjon i de frie midlene til kommunene. Den nye regjeringen øker de frie midlene til kommunesektoren.

Jeg opplever på mange områder senterpartiordførere som gode allierte for den nye regjeringen når det gjelder å legge til rette for lokalt selvstyre. Så jeg håper at vi også kan få et godt samarbeid i Stortinget. Når det gjelder øremerking, er jeg i prinsippet enig i at det er viktig med mest mulig frie inntekter, men samtidig mener jeg det er helt riktig og nødvendig å øremerke innenfor rus og psykiatri. Det handler om noen av de aller svakeste i samfunnet vårt, og vi må sikre oss at de får bedre og raskere hjelp.

For dyrka jord er også en minimumsfaktor, og det er mange eksempler på det. Nå sist ser vi at en i Vestby skal bruke 70 mål for å få opp et IKEA-bygg – dog er antall mål matjord redusert fra 135. Det er beklagelig etter min mening at matjord blir bygd ned, og at en ikke vurderer mindre attraktive og mindre produktive områder. Men når en

til å havne på mitt bord. Det er ikke naturlig å behandle den typen saker over bordet her, men å underlegge det en grundig og god behandling i departementet. Vi kommer til å lytte til ulike sider i denne saken. Jeg har selv invitert både Bondelaget og Naturvernforbundet til møte. Vi er opptatt av å ivareta helhetshensyn, også jordvern, samtidig som vi vil sørge for å lytte til det lokale selvstyret. Jeg tror vi skal erkjenne alle sammen at disse sakene er kompliserte, og at det er ulike hensyn som må veies opp mot hverandre, men man skal ikke overraskes over at en regjering som legger stor vekt på det lokale selvstyret, også vil lytte til det lokale selvstyret i mange saker. Så må det veies opp imot faglige innspill fra andre etater.

redusere de aktivitetene som går på innovasjon og nyetablering. Har ikke Abelia greie på hva de snakker om? Abelia har betydelig greie på det de snakker om. Det er også en av grunnene til at jeg har tidligere administrerende direktør i Abelia, tidligere også SV-medlem, som statssekretær i mitt departement, med mange Men vi er nok grunnleggende uenig når det gjelder hva som er viktigst i næringspolitikken. Jeg har også sett på noen av de evalueringene som har vært av de fylkeskommunale og regionale utviklingsmidlene. Jeg håper at representanten Andersen også har lest de rapportene, som ble lagt frem i 2009. Det var ikke bare en hylling av disse midlene og at de kun gikk til det de skulle. Vi har lyttet til bedriftene, vi har lyttet til Distrikts-Norge, og det de ber om, er økt satsing på vei, å sørge for bedre rammebetingelser, og de er opptatt av at samfunnet skal skapes nedenfra. Da er det gode rammebetingelser som er det viktigste for vekstkraftige bygder og byer i hele landet.

men når statsråden har det som prinsipp, bør man også følge opp med bevilgninger. Så noe jeg er opptatt av å få klarhet i: Nå har jeg hørt Høyre i denne salen gjennom fire år være veldig opptatt av å gjøre noe med skatteopplegget for kommunene. Samtidig var statsråden i sitt innlegg inne på at dette har faktisk ikke slått til. Da blir spørsmålet: Er det slik at statsråden avlyser Høyre-politikken? Skal det ikke bli større skatteandel til kommunene? Er det sånn at man ikke skal gjeninnføre andel av selskapsskatten? Og er det sånn at man ikke ønsker å gjøre noe med skatteutjevningsopplegget som den rød-grønne regjeringen har innført? Hvis representanten hadde lyttet til hva jeg sa, ville han hørt at jeg la vekt på forutsigbarhet for kommunene. kommunene. Det betyr at endringer i rammebetingelsene for kommunene kommer ikke over natten, det varsles, og i regjeringserklæringen varsles det at regjeringen vil ha en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet. Det innebærer bl.a. at man vil se på selskapsskatten og skattøren, men det kan ikke ses på isolert, man er også nødt til å se på andre sider av inntektssystemet. Det vi konkret peker på i tilleggsproposisjonen, budsjettet for 2014, er at vi vil se på vekstkommunenes utfordringer. utfordringer. Der håper jeg at også Arbeiderpartiet vil være villig til å samarbeide med regjeringen, for det er ingen tvil om at mange av vekstkommunene har særskilte utfordringer knyttet til å gi sine innbyggere et likeverdig velferdstilbud. Replikkordskiftet er slutt. Eg merka meg tidleg i dagens debatt at representanten Jonas Gahr Støre sa at kommunane har det så romsleg at dei er i stand til Eg merka meg tidleg i dagens debatt at representanten Jonas Gahr Støre sa at kommunane har det så romsleg at dei er i stand til å kunna yta gode tenester òg til personar som er ressurskrevjande, og at ein kan tola det kuttet som dei raud-grøne la inn i budsjettet sitt. Med lang erfaring frå kommunepolitikken vil eg seia at eg trur at det er ingen ordførar og ingen kommunepolitikar som kjenner seg igjen i at det er så romsleg, med dei rammene som kommunane har har hatt. Det har òg vore sagt mykje om frie inntekter, rammetilskott og kommuneøkonomien generelt, og det var ein liten runde på det òg no i samband med statsråden sitt innlegg. Men det som er eit faktum, er at kommunane, stikk i strid med kva dei raud-grøne åtvara mot før

Derfor har kommunane meir i inntekt til neste år enn dei hadde med forslaget frå Stoltenberg II-regjeringa. Så er det likevel nokre element som går opp og ned i det såkalla inntektssystemet, som det er litt viktig å kommunisera ut: Når me seier at dei får meir, er det på grunn av at ein òg får ei oppgåveomfordeling. Ein får ikkje lenger krav om to barnehageopptak, ein får kompensasjon for at ein ein skal auka likebehandlingssatsen til 98 pst., ein får ekstra på prisstiginga, og ein har ikkje lenger krav på frukt og grønt. Det vil ikkje seia at ein tek vekk frukt og grønt, men ein seier at Stortinget bestemmer det ikkje lenger, det er opp til den enkelte kommunen sjølv å bestemma om ein skal ha frukt og grønt i ungdomsskulen. I går kveld hadde eg gleda av å vera på eit formannskapsmøte i ein kommune der Høgre, Framstegspartiet og Kristeleg Folkeparti har nesten samtlege representantar i formannskapet, og dei sa at frukt og grønt er noko dei ønskjer å gje innbyggjarane i den kommunen. Så dette er frivillig. Sameleis er det med kulturskulen – ein time i veka til kulturskule. Så er rus flytta ut av innbyggjartilskottet og inn i øyremerkte tilskott, nettopp fordi dette er så viktig at her ønskjer regjering og storting å sikra at alle innbyggjarar får eit skikkeleg tilbod. så viktig at her ønskjer regjering og storting å sikra at alle innbyggjarar får eit skikkeleg tilbod. Summa summarum er det altså ei påplussing for kommunesektoren neste år, fordi dei fire partia meiner at dette er viktig. Så er det ein forskjell til. Det er ikkje slik at retorikken vår er som representanten Gahr Støre sin, at det er romslegheit i kommuneøkonomien. Me er ærlege på at kommunane blir stilte overfor behov for Me er òg ærlege på at pensjonsutgiftene og demografiutgiftene neste år blir større, og at kommunane er nøydde til å tenkja prioritering og å effektivisera drifta si heile tida. Så merkar eg meg òg i spørsmåla til statsråden at representanten Karin Andersen sa at ein må vera medlem i Høgre for å tru at det å kutta i regional utvikling i fylkeskommunane er gjennomførbart. Eg kan drista meg til å seia at ein kan

og viktigast – gode rammer for folk flest og for næringslivet, som får satsingar, og så er det likevel innanfor ansvarlege rammer og føreseieleg for Kommune-Noreg, noko som er viktig. Så er det varsla ein del element som me skal koma tilbake til. I tilleggsproposisjonen ligg det spesielt to ting som eg vil nemna. Det eine er at ein skal sjå på kommunar med vekstutfordringar, med store kapitalutgifter knytte til investeringar. Ein skal inn og koma tilbake til positive økonomiske incentiv i forhold til kommunereforma, noko som òg er

Dessverre fikk jeg et svar som kunne gi inntrykk av at høy sysselsetting kommer av seg selv når en har oljepenger. Det er langt fra hele historien. Jeg har hatt gleden av å ta imot mange utenlandske delegasjoner på vegne av Stortinget. Mange av dem er selvfølgelig opptatt av at vi har oljepenger. Men det jeg har pleid å si til dem, som er riktig, er det som det er grunn til å misunne det norske samfunnet sett fra utlandet, er ikke engangsinntektene fra olje og gass, det er den høye yrkesdeltakelsen. Eller sagt på en annen måte: Det det er grunn til å misunne oss, er kvinnfolka. For det at vi har så høy yrkesdeltakelse som vi har i Norge, er selvfølgelig ikke minst på grunn av at vi har en mye høyere yrkesdeltakelse blant kvinner enn det som er vanlig i de fleste land rundt oss. Det har blitt pekt på av regjeringa Stoltenberg, og det blir pekt på av den nåværende regjeringa, at en av utfordringene i næringspolitikken er tosporsøkonomien, som det blir kalt. Det gjorde da også regjeringa Stoltenberg noe med. For det er ikke slik som det har blitt sagt i debatten her, at regjeringa Stoltenberg foreslo bare en skattelette for selskapene ved å gå ned til 27 pst. Det var sånn at vi omfordelte ved å trekke inn skatt fra nettopp den andre delen av tosporsøkonomien: oljesektoren. Det var altså en omfordeling. Det var en aktiv næringspolitikk rettet mot selskapene, og ikke bare mot eierne av selskap, som lettelsen i formuesskatten jo er. Jeg er glad for at den nye regjeringa er enig i at vi må se på utfordringene med tosporsøkonomien. Jeg håper også det kommer konkrete tiltak. Så varsler regjeringa i tilleggsproposisjonen at vi kan forvente økt ledighet til neste år. Det skyldes selvfølgelig at vi er blitt påvirket av konjunkturene rundt oss, at noen av vekstsignalene blir redusert i den norske økonomien. Det skal jeg ikke først og fremst kritisere regjeringa for. Men det som er regjeringas oppgave, er å møte den utfordringen med konkrete tiltak. Når vi har klart å komme gjennom finanskrisa, som har rammet Norge, som alle andre land i Europa og i verden, er det fordi vi har møtt det med aktive tiltak for å sørge for å ivareta målsetting nr. 1, som er den fulle sysselsettingen. Vi har når vi har ventet økt ledighet, satt inn tiltak mot disse konjunkturene. Og vi har tiltak på mange områder som bidrar til sysselsettingen. Når regjeringa nå kutter i barnehagene, når de kutter vårt forslag om to opptak i året, og når de utvider tida for kontantstøtte, har det betydning for arbeidsmarkedet og kvinners deltakelse på arbeidsmarkedet, ikke minst. Når vi ser i næringspolitikken at det kuttes på vi har sett en rekke tiltak som svekker konkurranseevnen til norsk fiskeindustri, når vi ser på Innovasjon Norge, som ikke bare er et teknisk begrep, men som faktisk er de kronene som kan bidra til at små bedrifter kommer i gang rundt omkring i hele landet, er det altså feil virkemidler i en tid der vi ser at det er fare for at ledigheten øker. Vi har fått klar beskjed i høringene i arbeids- og sosialkomiteen fra NHO om at å kutte i permitteringsordningen, altså at bedriftene må betale mer og perioden blir kortere, er helt feil medisin i en situasjon der vi ser tendenser til at arbeidsledigheten øker. Og regjeringas forslag om å kutte i CO2-kompensasjonen er et helt typisk eksempel på tiltak som en absolutt ikke skal gjøre når vi går dårligere tider i møte. Det var denne typen tiltak vi valgte offensivt å bruke positivt og styrke forrige gang vi var i en situasjon der vi var truet av høy ledighet i dette landet. For første gang opplever vi en regjering som sier – pkt. 1 – ledigheten kommer til å øke litt mer, og – pkt. 2 – vi kutter i tiltaksplassene. Alle disse områdene er virkemidler som kan brukes og virke sammen for å oppnå målsettingen om full sysselsetting. Det ser ut som om regjeringa sier det, men det ser ikke ut som om den vil de virkemidlene som er nødvendig for å ivareta den fulle sysselsettingen. Noe av det viktigste vi som politikere kan gjøre, er å tenke langsiktig, sånn at vi legger til rette for et samfunn som skal være best mulig for flest mulig – ikke bare for oss som er her i dag, men også for våre barn og barnebarn som skal ta over etter oss. Finansdebatten i dag handler således om hvordan vi prioriterer å bruke våre felles verdier til det beste for samfunnet. I det budsjettet som vi skal vedta i dag, som er et budsjett de fire borgerlige partiene er enige om, ser vi de første skrittene i retning av en ny kurs – en ny kurs som var ønsket av det norske folk ut fra høstens stortingsvalg. Vi ser et taktskifte for kunnskap og forskning. Det er et budsjett som følger opp punktene i Sundvolden-erklæringen med forslag om vekstfremmende skattelettelser som stimulerer investeringer og sparing, mer til helse og omsorg, økt samferdselssatsing og styrket asyl- og justispolitikk. En klar og tydelig prioritering av kunnskap i budsjettet viser at regjeringen mener alvor når den sier at kunnskapsnasjonen nå skal realiseres. Konkret vekst i studiefinansieringen, i tillegg til styrket lærerutdanning, og økte investeringer i forskning og innovasjon er gode nyheter for alle som er opptatt av å styrke vår konkurransekraft i fremtiden. Med det budsjettet vi nå skal vedta, er forskningsinnsatsen betydelig styrket i forhold til Stoltenberg-regjeringens opprinnelige forslag. Ifølge NIFUs anslag får vi med en ny regjering en realvekst på 4,1 pst., mot 3,0 pst. opprinnelig. Det er over 320 mill. kr mer enn det som ble foreslått av den forrige regjeringen. I tillegg kommer effekten av utvidelsen av SkatteFUNN-ordningen, som er anslått til Regjeringen har som mål at Norge skal være blant Europas mest innovative land. Derfor har regjeringen særlig prioritert å styrke den næringsrelevante forskningen. Blant annet økes bevilgningene til Brukerstyrt innovasjonsarena, som stimulerer til ambisiøse forskningssatsinger i norsk næringsliv. Regjeringen foreslår også å styrke innsatsen innenfor petroleumsforskning, marin forskning og teknologiområdene nanoteknologi, bioteknologi og IKT. Dette er viktig for sikre fornyelse og omstilling i nærings- og samfunnsliv. Videre foreslår regjeringen 50 nye stillinger innenfor nærings-ph.d.-ordningen og en ny ordning med offentlig ph.d. Regjeringen styrker i tillegg internasjonalisering av norsk forskning gjennom å foreslå ytterligere 20 mill. kr til tiltak for økt norsk deltakelse i det europeiske forskningssamarbeidet. Norge er avhengig av å utvikle et kunnskapsbasert næringsliv for å hevde seg i en globalisert verden der kapital, kunnskap og arbeidsplasser beveger seg stadig raskere over landegrenser. Regjeringen har nå begynt arbeidet med å vri pengebruken over i å investere mer i fremtidsrettede tiltak fremfor å øke det generelle forbruket. Jeg registrerer at spesielt Arbeiderpartiet forsøker å fortelle en historie om at tilstanden i norsk økonomi aldri har vært bedre. Det virker som om de tror at velgerne har misforstått et eller annet når de faktisk har gitt sine stemmer til et bredt borgerlig flertall. Vel, mye går bra i Norge, men det er også noen faresignaler. De siste årene har produktivitetsveksten sviktet, og konkurranseevnen i fastlandsindustrien er betydelig svekket. Kostnadsnivået ligger langt over våre samarbeidspartneres, og gapet fortsetter å øke. Det gir grunn til bekymring for arbeidsplassene i

Velgerne har gitt tillit til et borgerlig flertall i Stortinget, og vi skal vedta et budsjett som reflekterer de prioriteringene som de fire partiene gikk til valg på. Vi ser en tydelig endring i politikken, der styrket konkurransekraft og verdiskaping, som er grunnlaget for vår fremtidige velferd, prioriteres. Mye går bra i Norge, men vi står som sagt også overfor noen utfordringer fremover. Jeg er ikke enig med foregående taler i at dette budsjettet ikke møter disse utfordringene. Regjeringen svarer tvert imot på de utfordringene vi står overfor, med å vise at den prioriterer å investere i fremtiden. Jeg er

gir lavere skatter og avgifter til næringslivet. Men Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen evner også å gi lavere skatter og avgifter til vanlige arbeidsfolk. Det er positivt for økonomien, det er positivt for den enkelte, og det er positivt Det er liten tvil om at regjeringen baserer sin politikk på fortsatt høy sysselsetting og lav ledighet. De siste prognosene viser klart og tydelig at man i 2014 kan forvente fortsatt høy sysselsetting og lav ledighet. Det er jeg som arbeids- og sosialminister naturlig nok svært godt fornøyd med. Men det som bekymrer meg, er at stadig flere i yrkesaktiv alder ikke er en del av arbeidslivet. Ved utgangen av 2012 var om lag 600 000 mennesker, som tilsvarer nærmere 20 pst. av befolkningen mellom 18 og 67 år, på helserelaterte ytelser, Det tilsvarer en økning på 230 000 personer de siste 20 årene. Derfor er jeg veldig glad for at Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen er klar og tydelig og ønsker å prioritere å få flere inn i arbeidslivet. Det gjør man ved å styrke tiltaksplasser for dem med nedsatt arbeidsevne med 3 000 plasser. Jeg registrerer det som blir sagt fra NHO og attføringsbransjen, at man allerede med dette budsjettet, som man mottar svært positivt, viser et taktskifte for å hjelpe flere som står utenfor arbeidslivet, inn i arbeidslivet. Det er jeg glad for. Samtidig legger regjeringen opp til et tiltaksnivå med en som er den samme som i årene 2002–2005, noe som betyr at man kan hjelpe rundt 50 000 mennesker også gjennom disse tiltakene. Det er ikke en kraftig nedgang, slik det blir prøvd fremstilt her, det er en korrigering i samsvar med det arbeidsmarkedet vi har, noe som enhver regjering alltid har gjort. Det gjør også denne Så er jeg veldig glad for at man i det budsjettforliket som er gjort med Venstre og Kristelig Folkeparti, har fått til et tydelig løft for å hjelpe enda flere som er i fare for å dette utenom, inn i arbeidslivet, ved at man har økt sosialt entreprenørskap med 10 mill. kr. Så vil jeg trekke frem at det er viktig for denne regjeringen å sørge for et bedre sosialt sikkerhetsnett. Det har man gjort bl.a. ved ikke å videreføre den forrige regjerings skatteskjerpelser for kronisk syke mennesker ved at man skulle ta bort fradragsordninger for sykdommer. Denne regjeringen opprettholder fradraget, noe som betyr at man ikke får en skatteøkning Videre er jeg veldig glad for at denne regjeringen også er klar og tydelig på at man ønsker å gjøre hverdagen enklere for folk flest. Derfor har vi brakt tilbake små hjelpemidler for funksjonshemmede som den forrige regjeringen kuttet i bevilgningene til. Vi har lagt til rette for at funksjonshemmede skal kunne fungere bedre i sin hverdag og få de hjelpemidlene som er nødvendige for å ha et godt, trygt og funksjonelt liv. Det er det det handler om når man skal sikre et bedre sikkerhetsnett for folk som trenger en utstrakt hånd i en vanskelig situasjon.

for at man skal være en honningkrukke for Europa. Regjeringa foreslår nå å øke kontantstøtten. Betyr det da at statsråden innerst inne mener at regjeringa opptrer både naivt og passivt når den foreslår å øke størrelsen på denne honningkrukka? Takk for spørsmålet. La meg først jeg kjenner igjen uttalelsene. Regjeringen er klar og tydelig på at man skal stoppe og bekjempe trygdeeksport. Mitt engasjement for å stoppe og bekjempe trygdeeksport er like fremoverlent i dag som det var tidligere. Men jeg mener det er naivt kun å se på kontantstøtten og si at ved å beholde den på det

den forrige regjeringas standpunkt, det gjaldt faktisk denne, men la meg prøve å belyse spørsmålet fra en litt annen og mer hjemlig synsvinkel. Fremskrittspartiet har jo nå opphøyd seg til Integreringspartiet med stor i. Hvilke tiltak for innvandrerkvinner og deres barn har arbeids- og sosialministeren gjemt i ermet for å motvirke den negative effekten av kontantstøtte, dyrere barnehager og redusert pappaperm? Jeg kan gjerne svare på det som har med trygdeeksport å gjøre, og

Det er ett av flere tiltak som regjeringen må se på muligheten for. Vi er opptatt av å finne det nødvendige handlingsrommet innenfor dagens EØS-regelverk for å sikre gode, robuste velferdsordninger som en samtidig innretter på en måte som forhindrer økt trygdeeksport. Det arbeidet er vi, som sagt, i gang med. Det har stor prioritet fra min side.

sikre best mulige tiltak. Den siste tida har det vært en diskusjon rundt den meldinga som gjaldt attføringsbedriftene, og arbeidet som skal gjøres Brofoss-utvalget. På et tidligere spørsmål fra undertegnede svarte statsråden at han ønsket å trekke tilbake meldinga for å komme med flere målrettede, konkrete tiltak og samtidig gjennomføre parallelle tiltak for å sikre mer fleksibilitet, i Nav særlig, på tiltakene, men at en også parallelt ville ha andre tiltak. Stortinget ønsker – iallfall er Kristelig Folkeparti opptatt av det – at den kan komme så fort som mulig, og at vi kan få en god dialog rundt meldinga, sånn at vi kan sikre best mulige tiltak for å forbedre kvaliteten på tiltakene. Kan statsråden si noe om når meldinga kommer til Stortinget? Det statsråden iallfall kan melde tilbake til Stortinget og representanten Ropstad om, er at arbeidet er igangsatt. Vi er i gang med å gå gjennom tiltakssystemet for å starte forenklingen. Så ser vi på, som jeg også varslet i Stortinget tidligere, om vi kan løfte mye av forenklingsarbeidet knyttet til tiltakssystemet ut og komme separat til Stortinget med det, og at man så jobber parallelt med å få frem en melding. Nå er det rundt en og en halv uke siden spørsmålet kom, så vi kan nok også melde tilbake at vi er ikke ferdige med det arbeidet på en og en halv uke. Litt mer tålmodighet må man nok ha. Men det jobbes aktivt med forenkling, det jobbes aktivt med å frembringe en ny, mer konkret melding for Stortinget så raskt som overhodet mulig.

Det er en beskrivelse som mange av oss erfarer hver dag, at bygg og anlegg blir mindre attraktivt. Er statsråden enig med kompetansedirektør Are Turmo i NHO om at det offentlige bør stille krav til lærlingklausuler? Det betyr at en kun kan vinne kontrakter dersom en har lærlinger med på prosjektet, eksempelvis innenfor bygg og

som er bra. Så er også et annet område innenfor bygge- og anleggsbransjen viktig, nemlig å sørge for at man får et anstendig arbeidsliv godt på plass. Det er noe som denne regjeringen er opptatt av: å sørge for at vi har et anstendig, men kompetent arbeidsliv i alle sektorer. sektorer. Så vil ikke jeg gå inn og kommentere konkret den personen som det ble referert til i spørsmålet, for jeg kjenner ikke artikkelen. Jeg kjenner heller ikke til bakgrunnen for uttalelsene og vil kunne sette meg bedre inn i det før jeg går inn i akkurat den uttalelsen. Eg vil gjerne stille spørsmål om ei gruppe som dessverre har vorte større i landet vårt, nemleg fattige barn. Både regjeringa Stoltenberg og

Likevel vil det å avskaffe skatteklasse 2 med eit pennestrøk mest sannsynleg medføre ein stor auke i barnefattigdomen. Vi er derfor glade for at regjeringa har valt å lytte til Venstre og Kristeleg Folkeparti og har landa på vår modell. Spørsmålet mitt til statsråden er følgjande: Ser han at ei avskaffing av skatteklasse 2 vil medføre ein auke i fattigdomen? Og kva avbøtande tiltak vil han som sosialminister setje i verk dersom regjeringa no held fast ved målet om å fjerne den skatteklassa etter kvart? Statsråden vil forholde seg til den avtalen som er inngått i Stortinget, og det vedtaket som Stortinget gjør. Så tror jeg vi skal la eventualiteter få lov til å ligge. Men det som iallfall er helt sikkert, og som opptar meg svært mye, er at jeg vil sørge for at mange som i dag står utenfor arbeidslivet, får en nærmere tilknytning til arbeidslivet. I dag er det dessverre sånn at mange med innvandrerbakgrunn står utenfor arbeidslivet. Da er det også viktig å sørge for at man får flere av dem inn i arbeidslivet. Deltakelse i arbeidslivet, det å kunne tjene sine egne penger, vil være den beste forutsetning for å kunne forhindre fattigdom for både foreldre og ikke minst deres barn.
sikkerhetsnett. Da har vi overgangsordningen, som er slik i dag at man må være under kvalifisering for å få den utover ett år. år. Der la vi inn en endring i den ordningen, slik at det skulle lønne seg mer å gå over og jobbe litt – og mer etter hvert. Da måtte vi også øke stønaden opp til 2,36 G, slik at ikke noen tapte på denne ordningen og fikk mindre penger. For vi vet at dette er den gruppen som har to og en halv ganger så stor risiko som andre for å forskrekket da jeg så at regjeringen har valgt å kutte i denne ordningen, slik at aleneforsørgere nå kan risikere å få opp til 6 800 kr mindre i året som følge av det denne regjeringen har gjort. Hvordan kan statsråden begrunne dette kuttet for noen av de fattigste barnefamiliene? Takk for spørsmålet. Det er et viktig spørsmål, som også opptar statsråden. Derfor er jeg veldig glad for at regjeringen har jeg veldig glad for at regjeringen har fått på plass en god overgangsordning. Det er ikke riktig at vi kutter. Dagens stønadsnivå er 2 G. Den blir økt til 2,25 G. I mitt hode er ikke det et kutt, det er en økning. Samtidig legger regjeringen opp til at de som kombinerer overgangsstønad og jobb, får bedre incentiver for å gå mer over i jobb. Det synes jeg er bra. Det er fornuftig. Det er bra for de familiene det gjelder. Samtidig skjermer regjeringen de personene … Sprøyt! ... rundt 3 000 enslige foreldre, som har ansvar for barn, som ikke vil få negative konsekvenser økonomisk. Så de beregningene som representanten Andersen viser til, kjenner iallfall ikke jeg igjen, og de er skjermet i det opplegget som regjeringen har lagt

en optimisme på mange områder. Vi opplevde at etter hvert skulle alle se mot nord – med et positivt blikk. Denne satsingen har vært riktig, og den har gitt resultat. Vi ser at for første gang på mange år snur folketallsutviklingen. Folketallet stiger i alle de tre nordligste fylkene – ikke i alle kommunene, men i mange kommuner. Fellesnevneren for kommuner med vekst er flere arbeidsplasser både i nye næringer og i tradisjonelle næringer. Herøy kommune på Helgeland er et eksempel. Der har sjømatnæringen bidratt til at man snudde den negative befolkningstrenden. Et annet eksempel er Hammerfest. Der er det ikke sjømaten som skal ha æren for vekst. Men vi gleder oss over veksten.

når man kommer til nordområdene, for da kan man bl.a. lese: «Nordområdene har et stort potensial for verdiskaping og regjeringen vil bidra til at næringslivet i landsdelen kan realisere dette.» Suverent, sier jeg. Hva gjør så regjeringen? Jo, utenriksministeren reiser til Tromsø på sitt første besøk innenlands. Det kan for så vidt kalles en handling, men mest av alt en anerkjennelse av det arbeidet som er gjort. gjort. Det er hyggelig. Men i dag behandler vi budsjettet. Hvor finner vi igjen de tiltakene som skal bygge opp under ambisjonen om å utvikle Nord-Norge til å bli en av Norges mest skapende og bærekraftige regioner? Er det f.eks. regjeringens forslag om avkortning av

for særlig små og mellomstore bedrifter i landsdelen. Kompetansemiljøene i Framsenteret i Tromsø opplever heller ikke at en utsatt byggestart for trinn to bidrar til et løft for dem. Hvor er videreføringen av det som var navet i satsingen, kunnskap, når Framsenteret heller ikke får drahjelp? Etter at Høyre og Fremskrittspartiet utrolig kjapt gjennomførte sitt heftigste løftebrudd i nord ved å skrinlegge konsekvensutredningen av Nordland VI og VII og Troms II, ble det lovet satsing på andre næringer. Det het at man skulle legge til rette for en fiskerinæring i Nord-Norge med lønnsomhet i alle ledd. Her sitter vi med fasiten – et nytt løftebrudd: Regjeringen raserer vekstpakken for hvitfisknæringen som i all hovedsak rammer sjømatnæringen i nord.

At jeg ønsker meg tilbake til regjeringen Stoltenbergs nordområdesatsing, overrasker nok ingen, men for alle i nord som trodde på valgløftene og de fine formuleringene til regjeringspartiene, hjelper heller ikke det. Selv om vi har lite tog i nord, har vi her i alle fall vært vitne til tidenes Er representanten

styrkes, grunnbemanningen i politiet vil heves, og sammenhengen i straffesakskjeden vil forbedres. For å oppnå trygge lokalsamfunn er vi avhengige av et tilstedeværende og effektivt politi, rask og rettssikker straffesaksbehandling og strafferettslige reaksjoner som sender helt klare signaler om at uønsket Domfelte må gjennom soning og annen straffegjennomføring gis reell mulighet til å leve et liv uten kriminalitet. Et sterkt nærpoliti er avgjørende for å skape mer trygghet i samfunnet. Politiet må rustes opp for å møte framtidens kriminalitetsutfordringer. Styrkingen av politiet bidrar til mer synlig politi. Det er behov for en økning av antallet politiutdannede og sivilt ansatte for å frigjøre politikraft til politiets kjerneoppgaver og bidra med spesialkompetanse innenfor prioriterte områder. Politidistriktene må ha mulighet og midler til å ansette de nyutdannede fra Politihøgskolen i politiet. Økningen i bevilgningene til domstolene viser at regjeringen ser helheten i straffesakskjeden. Domstolene våre leverer topp kvalitet, og de ansatte er høyt kvalifiserte. Antallet restanser har økt i flere domstoler de siste årene. Dette skyldes budsjettene til den avgåtte rød-grønne regjeringen. I samarbeid med Kristelig Folkeparti og Venstre snur regjeringspartiene denne negative trenden. Regjeringen har presentert strakstiltak som vil føre til en frigjøring av totalt 88 fengselsplasser. Det foreslås å bevilge økte midler til å utvide soningskapasiteten med 70 nye plasser innenfor eksisterende fengsler, hvorav 50 ved bruk av såkalt dublering. Dublering framstår som nødvendig, gitt dagens situasjon, for at kriminalomsorgen skal kunne stille et tilstrekkelig antall varetektsplasser til disposisjon for politiet. Det er positivt at det foreslås økte bevilgninger til soningsgjennomføring i institusjon. Dette vil frigjøre 18 fengselsplasser i tillegg, samtidig som tiltaket vil kunne ha en positiv effekt på kriminelle med rusproblemer. For samarbeidspartiene er de frivillige organisasjonene et viktig supplement i tilbakeføringsarbeidet med domfelte. Økningen til disse organisasjonene er derfor svært gledelig. På beredskapsfeltet styrkes mange viktig aktører. Sivilforsvaret får midler til utstyr, døgnoperativt sivilt situasjonssenter i Justis- og beredskapsdepartementet kommer på plass, og bevilgningene til Hovedredningssentralen er større enn de rød-grønnes forslag. I tillegg styrkes Kripos, PST og beredskapstroppen. Dette bidrar til å styrke samfunnets beredskap. Samarbeidspartienes styrking av politiet er tydelig. Denne styrkingen vil sikre bedre beredskap og økt politikraft. Samtidig vil det bli mer ressurser til forebygging, etterforskning og påtale. Når mediene fylles av saker om voldtekter og ran, er det vår oppgave å understreke hvor viktig det er å se sammenhengene i politiets prioritering av ulike saker. For Høyre vil forebygging, etterforskning og påtale alltid være en vesentlig del av disse oppgavene. Stortinget har tidligere samlet seg om en rekke tiltak for å bekjempe organisert kriminalitet. Jeg vil understreke at dette er et krevende og langsiktig arbeid. For regjeringspartiene er dette et prioritert område. Truslene mot samfunnet endres hurtig. Utviklingen innen cyberdomenet er et av klareste eksemplene på dette. Der ansvaret i dag er plassert på mange hender, vil vi se på muligheten for klarere å plassere dette ansvaret. Jeg er glad for justisministerens engasjement knyttet til voldelig ekstremisme. Dette var noe av det første han tok tak i som statsråd. Med denne regjeringen har vi altså fått handlekraft og erstattet tafatthet. Med en slik start ser jeg fram

Det blir forslag hvor vi inviteres til å bruke betydelig mer oljepenger for å finansiere framtidige, urettferdige skattekutt – skattekutt som gir økte forskjeller, og hvor de som tjener flere millioner kroner, får titalls tusener i skattelette, mens vanlige inntekter blir avspist med noen få hundrelapper. Det blir større forskjeller – en sterk kontrast til hva Arbeiderpartiet vil prioritere i framtiden. Når det gjelder vårt forhold til verdens store utfordringer, må vi på bakgrunn av det man hørte tidligere i dag, være forberedt på kutt i bistand og redusert vilje til å satse på verdens fattige – i forvaltningen av vår store rikdom med blå-blå prioriteringer – dette også i sterk kontrast til hva Arbeiderpartiet vil prioritere i årene framover. Vi må også være forberedt på at dagens regjering vil fortsette å vise manglende vilje og evne til å ta klimautfordringene på alvor. Vi har allerede sett kutt i regnskogsatsingen og kutt i satsingen på teknologisenteret på Mongstad, som skulle bidra til ny kunnskap og nye teknologier for norske industribedrifter. Vi har sett kutt i Gassnova, og tidligere i dag ble vi også sågar vitne til at Fremskrittspartiets finanspolitiske talsperson ikke ville svare på spørsmålet om hvorvidt det finnes menneskeskapte klimaendringer som vi må gjøre noe med nå. Tolker man dette, er den ene delen av den blå-blå regjeringen utvilsomt klimafornektere. I tillegg har vi de siste ukene vært vitne til at regjeringsmedlemmer driver høyttenkning om enøkskattefradrag uten at det blir innført i budsjettet. Det har medført i hvert fall stor fare for at et marked kan kollapse, og Norsk Varmepumpeforening skriver at hvis ikke ting blir gjennomført, antar de at halvparten av de 3 000 ansatte i næringen vil forsvinne i løpet av neste år. ikke det største feltet, men dette er ikke særlig næringsvennlige uttalelser eller særlig kloke tilnærminger overfor et næringsliv som trenger forutsigbarhet. I dagens økonomibarometer, som det har vært fokusert mye på, understreker NHO betydningen av langsiktighet og forutsigbarhet. Dette var ett eksempel på det motsatte. Et annet er regjeringen Solbergs forslag om dramatisk å kutte når det gjelder CO2-kompensasjonsordningen for industrien. Forslaget vitnet kun om én ting: at regjeringen fullstendig manglet innsikt i industriens behov for langsiktige rammebetingelser. Spørsmålet nå, etter at det tilsynelatende er ryddet opp i, er om forslaget fra Høyre og Fremskrittspartiet likevel kan få negative konsekvenser. Mange signaler ble sendt fra norske industrimiljøer til Stortinget, de antyder nettopp dette. Hydro-direktør Halvor Molland sa det slik: «Slike brå og uventede endringer i rammebetingelsene gjør det enda mer krevende å planlegge for fremtiden. Det blir vanskeligere å se for seg store, langsiktige investeringer i Norge – slik vi har sett muligheter for de senere årene.» Tydeligere kan det ikke sies at det den blå-blå regjeringen så langt har gjort, er å skape betydelig uforutsigbarhet for viktige næringer for Norge. Det er faktisk sånn at det må ha vært på vei inn i regjeringskontorene at de blå-blå regjeringspartnerne endret holdning fra å gå fra noe de var for, til å være imot nettopp dette med CO2-kompensasjonsordningen. Det er utvilsomt sånn at man svekker forutsigbarheten. I en tid med svake markeder og sterk global konkurranse er det nettopp hva norsk industri kanskje minst trenger. Stortinget må derfor – tror jeg – ha som prinsipp og politisk rettesnor at norsk industri skal underlegges gode, spesielt så lenge den blå-blå regjeringen ikke evner å se det behovet selv. En del av dette vil være at CO2-kompensasjonsordningen opprettholdes som en fullverdig ordning i avtaleperioden fram til 2020. Det er bra at regjeringen nå går inn for vårt opprinnelige forslag, men utfordringen er der likevel. Det er helt nødvendig at disse langsiktige forutsetningene for norsk industri ikke ofres i en salderingspost for å innfri skatteletter.

Dette sier mye om åtte års rød-grønn manglende fokusering på en helt grunnleggende ubalanse, som de har latt utvikle seg i konstant tempo gjennom disse åtte årene. I norsk økonomi har kostnadsutviklingen fra 2005 til 2013 vært frikoblet fra utvikling av produktivitet. Et stadig økende gap mellom en kostnadsvekst som langt overgår våre handelspartnere, og en produktivitetsvekst som er svakere, har lyst imot oss i hvert eneste nasjonalbudsjett de siste årene. Dette er ikke bærekraftig, med mindre vi satser på at vårt bytteforhold med utlandet fortsetter å utvikle seg like gunstig som det har gjort siden begynnelsen av årtusenskiftet. Skjer det, vil vi som nasjon ha en usannsynlig flaks. Norges Bank og SSBs beregning av bytteforholdet er svært interessant lesing. Aldri før har vi sett kraftigere utslag i positiv retning for Norge enn vi har sett de siste årene. Da tidligere finansminister Sigbjørn Johnsen presenterte årets opprinnelige budsjett fra de rød-grønne, sa han: «Selv etter fallet i verdien av krona i det siste, er kostnadsnivået i Norge langt høyere enn hos våre handelspartnere. Om prisene vil det kreve det beste av samarbeid for å få kostnadene ned på et bærekraftig nivå.» Jeg ser dette som en sterk erkjennelse av at rød-grønn utvikling ikke var bærekraftig. De rød-grønne forsøkte å korrigere med en forsiktig bruk av oljepenger – det skal de ha – men man mislyktes med å innrette pengebruken slik at den fremmet norsk konkurransekraft og produktivitet. Åtte års manglende fokus har gitt seg utslag i at varsellampene nå blinker. I sin hovedmerknad i innstillingen gjør opposisjonen valutakurs til et poeng når det gjelder oljepengebruk. De som følger med, vil ha registrert at den norske krona har fortsatt å svekke seg etter regjeringsskiftet. Valutamarkedene frykter åpenbart ikke pengebruken. De ser at budsjettet er dreid i riktig retning. Norsk økonomi tåler bruk av oljepenger når de brukes til å øke konkurransekraften. NHO har tidligere i år påpekt at investeringsnivået i Fastlands-Norge er meget lavt. Det har de siste årene vært så lavt at vi ikke har klart å erstatte kapitalslitet, dvs. avskrivningene. Det er i prinsippet en avviklingsstrategi for mye av det tradisjonelle næringsliv de rød-grønne har fulgt. Dette er kjernen i todelingen. Vi må glede oss så lenge oljen kan bære dette, men det må også skapes rom for at det igjen skal investeres for vekst i Fastlands-Norge. Da vil utviklingen ha langsiktig bærekraft. Det er derfor gledelig at tilleggsproposisjonen viser en vilje til å prioritere de viktige tiltakene. En offensiv næringspolitikk må fokusere på å styrke det lokale private eierskap. Dette eierskapet er en pådriver for nyskaping og innovasjon, og uten tilgjengelig egenkapital blir det ikke solide arbeidsplasser. En nedtrapping av formuesskatten er god musikk. Det samme er fokuseringen og satsingen på samferdsel. Det vil ta mange år å ta igjen etterslepet på dette området, men retningen er anvist. Den næringsrettede forskningen er blitt stemoderlig behandlet i flere år, til tross for at det er her kimen til framtidige arbeidsplasser ligger. Økt satsing på BIA og styrket SkatteFUNN var sterkt etterlengtet. Landbruket er igjen et sentralt tema i norsk politikk – det gleder en hedmarksrepresentant – og det skyldes ikke bare ostetoll. Skognæringen er en konkurranseutsatt næring som med rød-grønn politikk har vært kraftig presset. Den jubler over en regjering med fokus på konkurransekraft. Jordbruket er i fokus, fordi vi har fått en regjering som har en ambisjon om å gi eiendomsretten tilbake til bonden, og med ambisjoner om å gi bonden større frihet og råderett over egne strategier. Dette er et ambisiøst prosjekt. Det er ingen næring som til de grader har vært dominert av politisk styring som norsk jordbruk. Dette har ikke gitt optimisme og utvikling. En ny kurs er nødvendig. Den nye regjeringen har gjort en imponerende jobb på kort tid. Konkurransekraft og utvikling og solide arbeidsplasser for framtiden er igjen i fokus.

Men vi har fått en ny politisk retning i Norge. Regjeringens endringer i budsjettet bærer preg av en retning med økte forskjeller, også i næringspolitikken, spesielt knyttet til økte forskjeller mellom by og land, og det ser ut som mange av lovnadene som kom i valgkampen, bortforklares med samme retorikk: Vi har bare hatt tre uker på oss, og det er ikke så fort gjort å få ting på plass. Men det tok bare fire dager å kutte skattene til de rikeste med 8 mrd. kr. Det sa en stolt finansminister til Dagens Næringsliv 9. november. Det er tydelig hvilke samfunnsoppgaver det haster mest med å tilfredsstille, og hvilke samfunnsgrupper som skal få gevinsten – de som hadde gitt mest støtte til Høyre og Fremskrittspartiet i valgkampen. Det samme skjedde for øvrig da George W. Bush tok over som president. Også han brukte bare få dager etter tiltredelsen før han la fram en gigantisk skattekuttpakke for amerikanske milliardærer, under overskriften «Tax Cuts for Job Creators» – en velkjent argumentasjon også fra den norske debatten. Uten noe faglig fundament fortsetter høyresiden i alle land å framstille usosiale skattekutt Men det er det motsatte som er tilfellet. Skattekuttene til de rikeste dekkes inn av økt oljepengebruk uten faglig begrunnelse. Det er en uansvarlig gambling med industriarbeidsplasser og kan bidra til en forsterket todeling i økonomien – stikk i strid med Fremskrittspartiet og Høyres egen retorikk i valgkampen. Arbeiderpartiet reagerer også på regjeringens kutt i viktige distriktsnæringer som landbruk,

til økt konkurranseevne og tilgang til internasjonale markeder. Her kutter man helt ut å være med på programmet. Arbeiderpartiet har vist gjennom åtte år at vi har hatt en aktiv næringspolitikk, der vi har satset målrettet på næringer med naturgitte fortrinn. Vi har bedret og styrket virkemiddelapparatet, satset på forenklinger overfor bedriftene, forutsigbare rammevilkår, og jobbet for å åpne nye marked for norsk næringsliv gjennom frihandelsavtaler og tilgang til det indre marked. Den aktive næringspolitikken har gitt gode resultater for et vekstkraftig næringsliv over hele landet. Vi ser en ny politisk retning hvor regjeringen stoppet vekstpakken for hvitfiskindustrien – altså en ny bekymring. Det at vi har så høy yrkesdeltakelse her i landet er et konkurransefortrinn for norsk næringsliv. Nå ser vi at regjeringen vil gjøre det mindre lønnsomt å jobbe gjennom sin umoderne familiepolitikk, for maksprisen i barnehagene skal stige, pappapermen skal reduseres og kontantstøtten skal økes. Vi trenger en moderne familie- og arbeidslivspolitikk, en politikk som som tar hele landet i bruk og får hele folket i arbeid. Det har på mange måter vært en forutsigbar debatt, og representanten

Den angivelige påvirkningen Lundteigen omtaler, ja, det er EØS-avtalen. Det er fri bevegelse av varer og tjenester – altså det indre marked – og dette kan representanten Lundteigen like eller ikke like, men faktum er at det styrker Norge. De 20 årene vi har hatt EØS-avtalen, har vært de 20 mest fremgangsrike årene for norsk økonomi. Som utenforland har vi

Det er en kjensgjerning at mye av politikken som påvirker oss, blir bestemt i Brussel, og etter åtte år i regjering fikk nok Lundteigen og Senterpartiet oppleve det. Den nye regjeringen har tatt inn over seg det faktum at 80 pst. av vår eksport går til EU, og at 70 pst. av vår import kommer derfra. I mange bransjer i Norge i dag er det mangel på arbeidskraft. EØS-området blir stadig viktigere for norske bedrifter for å finne relevant arbeidskraft. Dagens regjering har sett dette. Norsk utenriks- og utviklingspolitikk under den nye Solberg-regjeringen skal tuftes på tydelige prioriteringer, forankret i liberale verdier og med hovedformål å sikre sentrale nasjonale interesser. Regjeringen sier i sitt plattformdokument at Norge skal være en troverdig, tillitskapende aktør i arbeidet for en mer demokratisk solidaritet. En utenrikspolitikk bygd på forpliktende internasjonalt samarbeid sikrer at hovedlinjene i norsk utenriks- og utviklingspolitikk befestes. Og Norge skal være en aktiv bidragsyter – i FN, i NATO og i andre internasjonale organisasjoner – samt føre en offensiv europapolitikk med mål om økt medvirkning og påvirkning gjennom EØS-avtalen og Norges øvrige avtaler med EU.

verdens mest utsatte og fattige gjennom 30 mill. kr i økte bevilgninger til Verdensbanken gjennom det internasjonale utviklingfondet, IDA, og sikre oss en mer effektiv bistand til befolkningen i de 80 fattigste landene i verden. Utviklingspolitikk rettet mot konkrete områder som helse, utdanning og næringsutvikling sikrer en målrettet utvikling og legger fundamentet for en moderne og framtidsrettet politikk på området. Denne regjeringen er opptatt av å prioritere tilgangen til gode utdanningsinstitusjoner, helsevesen og arbeidsplasser hvor mennesker kan utvikle seg og på sikt arbeide seg varig ut av fattigdommen. Gjennom tilføringen av 50 mill. kr til Global Partnership for Education har regjeringen vist en slik vilje til lederskap på området. Likeledes er denne tydelige prioriteringen av kvinner og kvinners utdanning uttrykk for en markert politisk vilje.

tidligere, rød-grønn bistandsminister, som tydeligvis hadde sett lyset: Vi må bevege oss fra bistand til til business. Dagens regjeringspartier kritiserte den rød-grønne regjeringen for ikke å ha en profil eller et felles prosjekt for sin regjering – et prosjekt som viste samfunnsretning. Hvert år har budsjettforslagene blitt karakterisert som pregløse og grå av Høyre og Fremskrittspartiet. Det eneste fellesprosjektet vi At ikke høyrepartiene så den rød-grønne regjeringens prosjekt med å ta vare på og utvikle velferdssamfunnet, er ikke overraskende. Mer overraskende er det at de selv, den nye regjeringen, ikke har sørget for et overordnet felles prosjekt, som de vil jobbe for. I stedet har de åtte såkalte prosjekter i Sundvolden-erklæringen, sammen med mange enkeltsaker. I tillegg har de en samarbeidsavtale med Kristelig Folkeparti og Venstre, som også inneholder mange forskjellige enkeltsaker. Men det er altså ingen tydelig profil for regjeringsprosjektet, verken i regjeringsgrunnlaget eller i budsjettet. Dermed gir de definisjonsmakten når det gjelder profil, til oss andre. Og den anledningen har vi alle brukt her i debatten i dag. Jeg synes det er vanskelig å få øye på noe annet fellesprosjekt som høyrepartiene har, enn at de hadde et felles ønske før valget om å stanse det rød-grønne prosjektets fortsettelse.

Listen over endringer må ha vært klar i åtte år, og lovnadene er mange. Det er mulig at Sundvolden-erklæringen allerede er uttømt for gode ideer, for mange endringer er det ikke. Solberg-regjeringen kommer i stor grad til å styre etter de rød-grønnes budsjettforslag, med noen unntak. Det er bra, for det er et godt forslag. I budsjettforslaget, som forteller om Solberg-regjeringens prioriteringer for 2014, er det vel omleggingen av skattepolitikken og familiepolitikken i en konservativ retning som er den mest synlige prioriteringen, og som kan bære bud om en annen politisk retning. Skattepolitikken gir mer til enkeltpersoner som har mest fra før. Familiepolitikken trekker kvinner tilbake til kjøkkenbenken. Gjennom bl.a. å prioritere mer kontantstøtte på bekostning av barnehager – noe som gir uforutsigbarhet for foreldre som ønsker barnehageplass, reversering av foreldrepermisjonen, gjeninnføring av skatteklasse 2 og de andre forslagene – gis ikke familiene fleksibilitet og valgfrihet. Tvert imot blir valgfriheten borte med disse forslagene, og det vil kunne føre til mindre likestilling. Norge har vært sett på som en pådriver internasjonalt for en familiepolitikk som har stimulert kvinner og menn til å jobbe utenfor hjemmet, gjennom utdanningspolitikken, arbeidslivspolitikken, gode noe som har bidratt til å bygge det velferdssamfunnet vi har i dag, og som folk vil ha. Nå tar vi noen skritt tilbake. Jeg hører i debatten i dag representanter fra Høyre og Fremskrittspartiet skryte av Solberg-regjeringens endringer og tillegg i Stoltenberg-regjeringens forslag til budsjett og kalle det historisk. Jeg må si at jeg hadde forventet langt større endringer – ja, faktisk en total omlegging på områder som samferdsel, den økonomiske politikken, næringspolitikken og utdanningspolitikken. Etter åtte års konstant kritikk av den rød-grønne regjeringens politikk må en kunne forvente klare prioriteringer fra første stund, men dette var bare tomme ord. Det historiske og rekordraske er i stedet alle løftebruddene. For eksempel har Fremskrittspartiet i alle år vært veldig tydelig på at det å kreve inn bompenger fra bilistene for å finansiere utbygging av veiene her i landet er landeveisrøveri. De har i valgkamp etter valgkamp lovet å fjerne bommene. Etter valget er tonen fra Fremskrittspartiet en annen. Partiet har kommet i regjering, og Fremskrittspartiet i regjering er noe annet. Nå skal Fremskrittspartiet både videreføre dagens bompengeprosjekter og starte opp nye – stikk i strid med hva de har lovt. Riktignok har samferdselsministeren reist til enkelte kommuner med mindre bompengeprosjekter som ikke hadde tilstrekkelig bompengegrunnlag, som i Seljord, eller som likevel skulle avsluttes om kort tid, som i Oppland, og bragt med seg nyheter om at disse skulle avsluttes. Det er ikke dette partiet har lovt i år etter år. Forventningene er skyhøye til statlig fullfinansiering av veinettet. Fremskrittspartiet unnskylder seg med at de kun fikk 16 pst. av velgernes stemmer, og at de dermed ikke har så stor innflytelse i regjeringen. Vel, det hadde ikke blitt noen Solberg-regjering uten disse 16 prosentene fra Fremskrittspartiet. Det de ikke har fått gjennomslag for, har de forhandlet bort. Samferdsel var ikke viktig nok for Fremskrittspartiet. Det er slike løftebrudd som skaper politikerforakt. Jeg må si det er

er en betydelig satsing på skole. Og etter hvert som både tilleggsproposisjonen og forliket kom, og med ryktene om salderingen, som snart kommer, får vi en stor satsing på samferdsel, som jeg tror de rød-grønne representantene i Stortinget er ganske misunnelige på. En av hjørnesteinene i det norske samfunnet For den enkelte betyr det å ha en jobb personlig utvikling, familiemessig betyr det en stabil inntekt, og ikke minst betyr det deltagelse på en sosial arena. Regjeringens mål er et trygt og fleksibelt arbeidsmarked som sikrer lav arbeidsledighet og høy sysselsetting. Et velfungerende arbeidsmarked er avgjørende for at hver enkelt skal kunne realisere sine drømmer og ambisjoner, og det skal lønne seg å jobbe. Derfor har regjeringen bl.a. foreslått å redusere den generelle skatten på arbeid til 27 pst. og dermed likestille den med kapitalskatten. Når mange er i jobb, blir finansieringen av velferdsordningene sterkere og enklere. Det å stå utenfor arbeidslivet er derfor en kjempeutfordring – ikke bare for den enkelte, men for hele samfunnet. Derfor vil regjeringen arbeide for å inkludere flere mennesker i Noen grupper har utfordringer. Vi har sett det hos mennesker med funksjonshemninger. Vi ser det særlig hos innvandrere, som rammes av den største økningen i arbeidsledigheten som kommer. Men vi ser det også særlig hos mennesker som er unge, og som ikke har fullført utdannelse, eller som ikke har utdannelse i det hele tatt. Jeg er derfor veldig glad for at for mennesker med nedsatt arbeidsevne med 3 000 plasser sammenliknet med statsbudsjettet for 2013. Det er også 1 000 flere enn det den rød-grønne regjeringen foreslo. I budsjettforliket, som vi har fått til sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre, styrker vi og framhever de muligheter som sosialt entreprenørskap byr på. Det kryr etter hvert av aktører innenfor sosialt entreprenørskap, og feltet har blitt bredere og bredere. De demonstrerer hvordan privat sektor kan være en viktig bidragsyter i arbeidet rundt inkludering på arbeidsplasser, og for å få folk i arbeid, og ikke minst for å få folk som står utenfor arbeidslivet, til å komme seg i jobb og bli i jobb, og dermed bli vist tillit på en helt ny måte. Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen har sagt at vi vil tette hullene i sikkerhetsnettet for grupper som i dag faller igjennom. Det innebærer bl.a. å se på hva som skjer i familier som har stort innslag av fattigdom og hvordan det påvirker barna deres. Flere voksne må få grunnleggende ferdigheter og et tilbud om lese- og skriveopplæring. Tilbudet innenfor rus og psykisk helse vil bli styrket av denne regjeringen. Barn i barnevernets omsorg og ungdom under rusbehandling skal sikres et bedre tilpasset utdanningstilbud. Vi kommer på en helt annen måte enn den rød-grønne regjeringen til å styrke samarbeidet med de frivillige organisasjonene i dette arbeidet. Sysselsettingen øker. I 2013 har sysselsettingen økt med over 30 000 mennesker, og ledigheten ligger nå på ca. 2,5 pst. til 2,6 pst. Det viser at vi har en lav arbeidsledighet, men det viser også at vi har en arbeidskraftreserve på over 80 000 mennesker med nedsatt

Dette er midler som sørger for at vi får en fullfinansiert ordning fra 1. juli i år. Midlene er viktige for å sikre funksjonshemmede en livskvalitet gjennom bedre tilrettelagte aktiviteter. Regjeringen vil jobbe for at Norge skal være et land med små forskjeller og minimal fattigdom. De viktigste tiltakene for å bekjempe fattigdom er en god skole som bekjemper sosiale forskjeller. med Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre kommer vi til å legge fram en fattigdomspakke rettet mot barn. Vi kommer allerede i budsjettet som skal behandles om ikke lenge, til å legge fram konkrete forslag som styrker samarbeidet med frivillige organisasjoner. Jeg har tidligere i dag presentert meg som sindig vestlending, og det er

makspris i barnehagen og to barnehageopptak i året; alt for å gi skattekutt til dem som har mest fra før. Å ta fra barnehager og studenter for å gi store skattekutt til millionærer vil skape økte forskjeller, og jeg vil gå så langt som å kalle det et generasjonsran. Samtidig øker regjeringa oljepengebruken til et rekordhøyt nivå. Meg bekjent er det heller ikke argumentert overbevisende for at den økonomiske situasjonen gjør økt oljepengebruk nødvendig. Og hva brukes pengene på? Den største prioriteringa er skattekutt. De som tjener over 2 mill. kr, får 40 000 kr i året, mens folk med vanlige og lave inntekter får tre–fire hundrelapper. Pensjonsfondet er til for framtidige generasjoner. Å ta milliarder fra fondet for å gi store skattekutt til dem som har mest i dag, dag, vil skape økte forskjeller. Det er for alvor et generasjonsran. Regjeringa viser tydelig hvilken retning de velger for landet. Jeg mener de gjør feil valg for framtida, og studentene er enige med oss. Det mobiliseres over hele landet for heltidsstudenten. De vil ha studenthelter. De vil ha elleve måneders studiestøtte, og de vil Barnefamilier som vil ha barnehageplass, er enige med oss. Jeg møter daglig folk som er imot en gammeldags familiepolitikk. De vil ha makspris. De vil ha to barnehageopptak i året, og de vil ikke redusere pappapermen. Kvinner som sjøl vil bestemme over egen kropp, er enig med oss. Vi har fått hundrevis av mail mot reservasjonsretten til leger. Industrien, som vil ha forutsigbare rammevilkår, er enig med oss. En massiv mobilisering fra industrien, LO og NHO fikk regjeringen til å snu på CO2- kompensasjonsordningen, men tiltakene som svekker arbeidslinja, er der fortsatt. Jeg mener Høyre–Fremskrittsparti-regjeringa forsterker todelinga i norsk økonomi. Den aktive næringspolitikken er lagt på hylla. Regjeringa velger heller å bruke de ekstra oljepengene på sitt viktigste valgløfte: skattekutt. skattekutt. Det er verken vekstfremmende eller framtidsrettet. Det er en politikk som vil skape økte forskjeller, og det er et generasjonsran. I Arbeiderpartiet prioriterer vi heller en sterkere satsing på rettferdig fordeling. Vi vil ha 1 pst. til bistand, gjennomføre kulturløftet, og vi vil hjelpe flyktninger i nød. Vi prioriterer lærerløft og gir mer til uten å ta penger fra framtidige generasjoner. Med samme framtidsperspektiv satser vi mer på klima og miljø. Arbeiderpartiet vil bruke mer penger på å bevare regnskog. Vi vil satse på teknologiutviklinga, og vi mener at de mest forurensende bilene skal betale mer for utslippene sine. Det kaller jeg en politikk for framtidige generasjoner. Men disse forslagene får ikke flertall. For Norge har fått en ny regjering som vil ha en politikk for økte forskjeller, som står for en gammeldags familiepolitikk, og som forsterker todelinga i norsk økonomi. Regjeringas forslag er det motsatte av hva Norge trenger for å møte framtidas utfordringer. Men rett skal være rett: Regjeringa viser tydelig hvilken retning de velger for landet. Men jeg mener de gjør feil valg – feil valg for

om hvordan den rød-grønne opposisjonen sliter med å finne ut hva den egentlig er imot allerede under debatten etter finansministerens fremleggelse av tilleggsproposisjonen tidligere i høst. Under den debatten slo SVs Snorre Serigstad Valen fast at han nesten kunne høre sjampanjekorkene sprettes oppe i Holmenkollåsen. Men rett før representanten Serigstad Valens innlegg hadde representanten Jonas Gahr Støre fra Arbeiderpartiet slått fast at tilleggsproposisjonen var et stilltiende nikk til hovedtrekkene i det budsjettet Stoltenberg-regjeringen la frem. Den logiske konsekvensen av disse to innleggene er at enten er SV og Arbeiderpartiet allerede grunnleggende uenige om hvorfor de er imot den sittende regjeringen, eller så må det rød-grønne budsjettet, som Høyre og Fremskrittspartiet tydeligvis satt stille og nikket til, ha skapt stor entusiasme i Holmenkollåsen. Det kan jo hende at innleggene var skrevet på autopilot før noen av de to nevnte representantene hadde sett tilleggsproposisjonen. Det regjeringsskiftet vi fikk i høst, kom som et resultat av en tydelig beskjed fra velgerne 9. september. De ønsket ny politikk. På noen områder var det et ønske om helt ny politikk, mens det på andre områder var et ønske om politisk gjennomføringskraft. Vi har i dagens debatt sett en rød-grønn opposisjon som ikke lenger er så opptatt av å diskutere viktige politiske utfordringer, som f.eks. utdanningspolitikk, men som derimot kritiserer for kritikkens skyld. Faktisk var selv Arbeiderpartiets leder av Stortingets utdanningskomité bare så vidt innom utdanningspolitikk i sitt 5 minutter lange innlegg. Men det er store forskjeller innenfor skolepolitikken, om ikke i ord, så i alle fall i handling. I valgkampen sa stort sett alle partier at de var tilhengere av et lærerløft, men når vi nå har sett det rød-grønne budsjettet og Høyre og Fremskrittspartiets

men det er noe helt annet å legge pengene bak de fine ordene når valget er over. Det gjør de borgerlige partiene. Det gjør ikke de rød-grønne partiene. I valgkampen var også alle enige om at vi måtte få et løft for yrkesfagene. Vi vet at altfor mange dropper ut av yrkesfaglige retninger og at for få elever får lærlingeplass. Det er en grunn til at det er slik. Det er for små incentiver for bedrifter til å ta inn lærlinger, og utdanningen er for teoritung. teoritung. Derfor gjør vi noe med det. Det budsjettforliket som er inngått i Stortinget, sørger for en økning av lærlingtilskuddet, slik at flere bedrifter faktisk tar inn lærlinger. I tillegg sørger de fire partiene for en ny tilskuddsordning for å stimulere flere bedrifter til å ta inn lærlinger. Vi vet at mange av dem som underviser i yrkesfag, ønsker å komme ut i bedrifter eller til institusjoner for å se hvilken utvikling det har vært innenfor det feltet de underviser i. Derfor øker vi bevilgningene slik at flere får muligheten. Det skaper en bedre yrkesfaglig utdanning, fordi gode og faglig oppdaterte lærere gir gode og faglig oppdaterte lærlinger. For å motvirke en for teoritung undervisning sørger de fire borgerlige partiene også for at 900 flere lærere får opplæring i å praksisrette fellesfagene. På den måten kan undervisningen bli mer relevant for elevene, og vi kan få frafallet ned. Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen har sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre sørget for et reelt løft for yrkesfagene allerede i denne tilleggsproposisjonen, og det er klare løfter om å forsterke og videreføre satsingen. Mye kan tyde på at de borgerlige nå er de eneste som satser på skole, både i ord

men vi må jo kunne påpeke hva regjeringspartiene lovet velgerne at de skulle gjøre når de fikk makten, og hva de faktisk kommer med, nå når virkeligheten har innhentet dem. Dette er ikke kun en retorisk øvelse, som Helleland prøver å vri det til, men en plikt vi har til å påvise, som opposisjon i det norske demokratiet, både hva de har blitt valgt på, hvorfor de har blitt valgt, og hva de gjør med det de har blitt valgt til å gjøre. Jeg skjønner at representanten Helleland synes det er ubehagelig plutselig å måtte være ansvarlig og Jeg skjønner at representanten Helleland synes det er ubehagelig plutselig å måtte være ansvarlig og innrømme at også for dem må to pluss to bli fire, i alle fall når en er i regjering. Vår rød-grønne regjering førte en ansvarlig og helhetlig politikk, og vi har ikke lovet mer enn vi har kunnet holde. Nå skal de nye regjeringspartiene, Høyre og Fremskrittspartiet, måles på sine lovnader – lovnader som vi i valgkampen påpekte innfri, om man skulle føre en ansvarlig økonomisk politikk. Det som er det mest alvorlige med den blå-blå regjeringens budsjett, er den tydelige retningen de velger for landet: Budsjettet gir økte forskjeller i Norge, med skattekutt til dem som har mest fra før, og kun noen få hundrelapper til folk flest, eller til vanlige folk.

Denne retningen er ikke vekstfremmende – som flere representanter fra de blå-blå forfekter her i dag. På samferdselsområdet vil jeg understreke at det er bra at regjeringen i avtalen med Venstre og Kristelig Folkeparti har økt bevilgningene og gitt mer til vei og jernbane. Det samme gjør vi. Vi bruker 600 mill. kr mer på å styrke jernbanevedlikeholdet og planleggingen av intercity-strekningene, og det er jeg fornøyd med. Men det de blå-blå leverer på samferdsel, er ikke i nærheten av det de sa at de skulle gjøre fra dag én, hvis de kom i regjering. Det som kanskje forundrer meg mest, er at de blå-blå nå plutselig skal forholde seg til den vedtatte rød-grønne nasjonale transportplanen, og ikke til sine egne forslag til NTP. Det er nettopp her

Fremskrittspartiet har lovet å fjerne alle bommene i Norge. Bård Hoksrud sa sågar at de skulle fjernes fra dag én, hvis de kom i regjering. Da tror jeg det er viktig at vi minner hverandre om at innkrevingen av bompenger på igangsatte og planlagte prosjekter på riksveiene utgjør hele 97 mrd. kr de neste ti årene. Det er formidable summer, som skal tas fra en eller annen plass når dette skal dekkes inn. Men så skal jeg i rettferdighetens navn si at regjeringen har foreslått å fjerne og slette noen bomprosjekter, men det er bomkutt som utgjør 0,8 pst. av den totale bompengefinansieringen de neste ti årene. Én ting er at de kutter i bompengene, men samtidig som de gjør det – og det er det store paradokset – har vi her i salen foreslått veiprosjekter med delvis bompengefinansiering til det vi her i salen foreslått veiprosjekter med delvis bompengefinansiering til det dobbelte av det de kutter. Det har en gjort bare i denne høstsesjonen, og også Fremskrittspartiet har stemt for. Jeg skal ikke dvele for lenge ved brutte valgløfter i denne omgang, men jeg er spent på hvordan regjeringen skal følge opp sine store valgløfter innen samferdselssektoren, og ikke minst finne midler til disse, for valgløftene innen denne sektoren kommer altså i tillegg til alle andre løfter på alle andre områder. Vi i Arbeiderpartiet står for vår politikk, for våre løfter. Vi lover ikke mer enn vi kan. Det har blitt sagt av flere her i dag at den regjeringen som sitter nå, har blitt valgt på grunn av sine prioriteringer, men det er nettopp det som er utfordringen, for det var ingen prioriteringer i valgkampen. Det er det de nå skal gjøre her, som de skal bli målt på etterpå. Etter å ha hørt utfallene mot alt fra skattelette til Willochs dereguleringer på 1980-tallet i salen her i dag, fikk jeg litt lyst til Hun forlot familie og venner på gården i Nord-Norge for å søke lykken i Oslo i 1949, og fikk tjeneste som pike hos en legefamilie i Helgesens gate på Grünerløkka. Hun påstår faktisk at hun var på hils med Werna Gerhardsen, men jeg er ikke helt sikker på det, altså. Mormor har ikke foretatt noen klassereise. Hun gikk fra å være tjenestepike til å være værelsespike på hotell, og derfra gikk hun oppover i gradene som servitør, et yrke hun avsluttet sitt yrkesaktive liv i. Da mormor fikk høre at jeg hadde meldt meg inn i Høyre, Jeg husker da Willoch kom til makten – jeg fikk mer igjen for lønningen. Det hun husker, er at hun fikk råd til å kjøpe en varm vinterkåpe på én lønning, i stedet for å måtte spare fra én måned til den neste. Hun husker også at hun som enslig kvinne, kunne kjøpe seg et bedre sted å bo etter at Høyre deregulerte boligmarkedet i Oslo. Nå bor hun i en treroms leilighet på Veitvet i Groruddalen, der jeg vokste opp. Siden hun er en nøysom kvinne, har opp. Siden hun er en nøysom kvinne, har nedbetalt leiligheten og spart nesten hele pensjonen sin i snart 25 år, kvalifiserer hun faktisk til rikingstempelet som så raust deles ut fra venstresiden. Politikk kan gjøre en forskjell i folks liv, enten det er snakk om skattelette som gir litt igjen i lønningsposen, eller ved å fjerne reguleringer som begrenser folk. Jeg tror ikke de rød-grønne skjønner at folk flest oppfatter det som en straff for et hardt arbeidsliv og en nøysom livsførsel, når noen vil beskatte dem hardere enn oss andre som aldri opparbeider oss formue på grunn av forbruk. Det er ikke uvilje mot å bidra til fellesskapet, for det har de gjort – hele livet. Det har Høyre og Fremskrittspartiet skjønt, og det er derfor det er vi som sitter i regjering. for min del er ganske imponert over hvor mye vi klarer å innfri av skatte- og avgiftsløftene våre allerede nå. Jeg har vært litt forsiktig med å si det når statsministeren kan høre det, for hun vet at jeg er på høyresiden i partiet og kan fort tro at en går litt for fort fram, men jeg gleder meg allerede nå til å gå i debatter mot Arbeiderpartiet i 2017, når de skal forsøke å vinne valget ved å gjeninnføre arveavgiften og formuesskatten – for det forventer jeg etter å ha hørt utfallene i dagens debatt om at fjerningen av disse fører til økte forskjeller. Gjeninnføringen av en særskatt som rammer norske arbeidsplasser og norsk eierskap, er en sikker vinner – også for Senterpartiet, skulle jeg tro. Men jeg skal innrømme at jeg har vært litt bekymret for skuffede velgere som ikke har fått fullt så mye skattelette, eller så mange færre bomstasjoner, som lovet. Jeg er bare litt overrasket over at så mange av dem Men når det er sagt, ville jeg kanskje ventet ett år eller to før jeg i det hele tatt snakket om løftebrudd dersom jeg representerte partiet som gikk til valg på å fjerne fattigdommen i Norge, men endte opp åtte år senere med 15 000 flere fattige barn som resultat. Men det er for så vidt bare meg. Flere i dag har vist til oppslagene om utsiktene for norsk økonomi og næringsliv. Disse står i skarp kontrast til det bildet som opposisjonen forsøkte å tegne av norsk økonomi under trontaledebatten. Etter åtte år med rød-grønn regjering ble det påstått at den var bunnsolid. Jeg tok til motmæle. For nye lyttere og for dem som ikke leser Dette sier de til tross for at deres egen perspektivmelding viste at den sosialdemokratiske velferdsstaten ikke er økonomisk bærekraftig, til tross for at vi – ironisk nok – ble mer oljeavhengig under det som skulle være en rød-grønn regjering, til tross for at sjeføkonom Steinar Juel i Nordea sier at Norge aldri tidligere har hatt en så sterk forverring av konkurranseevnen som i årene etter 2005. Og selv om norsk sysselsetting er høy, ligger vi nær bunnen i OECD, målt i antall timer arbeidet per person i arbeidsfør alder. De mørke utsiktene for norsk økonomi som vi så glimt av i dag, er jo den reelle arven etter den rød-grønne regjeringen. Og de kaller oss umoderne, når det er vi som har tatt signalene og skifter retning. Da Norge gikk til valg 9. september i år, ga velgerne den borgerlige blokken det største flertallet en av blokkene har hatt etter annen verdenskrig. Jeg tror at velgerne etter åtte år verken trodde på de rød-grønnes retorikk eller på de rød-grønnes politikk, og ønsket et skifte. De ville ha en ny regjering til å ta Norge videre, og det fikk de. Jeg tror allikevel at utsiktene til Norge er langt lysere enn det kan se ut til. Statsministeren sa at dette er et varsel om vanskelige tider, men ennå ikke realiserte vanskelige tider. Regjeringsskiftet kom forhåpentligvis tidsnok. Men så er det slik at de virkelig store verdiene i politikken ikke kan settes opp i en tabell i statsbudsjettet. Derfor er – og blir – denne debatten litt smal. Men jeg tror at vi endelig har fått en regjering som ønsker å måles på faktisk oppnådde resultater, ikke på gode intensjoner eller på antall kroner bevilget. En regjering som setter mennesket foran systemer, er jo en ganske god begynnelse på

Budsjettet var nemlig usolidarisk og miljøfiendtlig. Kristelig Folkeparti og Venstre reverserte noe, utenom kutt i flyktningetallet, bl.a. At Kristelig Folkeparti bytter ut 500 nødstedte mennesker som rømmer fra krig og sult, mot skatteøkning på hundretusenvis av kroner i året til de aller rikeste, er litt vanskelig å forstå. I tillegg har likestillingspolitikken endret seg. Vi får bl.a. dyrere og færre barnehager Dette møter ikke småbarnsforeldres behov for valgfrihet med hensyn til å være både omsorgsgiver og arbeidstaker på like vilkår. Jeg kjenner meg igjen. Da mine barn var små, for ca. 40 år siden, var det også få barnehageplasser – repetisjon av politikk for forrige generasjon, altså. Statsråd Horne kaller politikken retro. Retro kan være fint, men fungerer dårlig. Hvem vil kjøre rundt i en gammel Opel Kaptein, som sluker bensin, er kald å sitte i og farlig å kollidere med, når de kan kjøre en Honda, med varme seter og kollisjonsputer og som går på miljøvennlig drivstoff? Fremskrittspartiet synes tydeligvis at retroutseende borger for kvalitet i innhold. Det gjør det ikke. Regjeringens likestillingspolitikk er ikke retro, den er ufiks og umoderne. Kjernen i Arbeiderpartiets politiske prosjekt er å understøtte et samfunn med små forskjeller, ikke større, der folk opplever økt deltakelse og tilhørighet i små og store fellesskap, ikke mindre, og der vi har høy grad av tillit til medmennesker og systemer. I valgkampen snakket Høyre i Vest-Agder om at det ville ikke bli store kutt i kommuneøkonomien, det ville ikke bli store kutt i velferden i kommunene. Nå har vi fått resultatet. Fædrelandsvennen meldte i ettermiddag at Vest-Agder får 18,6 mill. kr mindre

For å kunne ha tillit må vi først være trygge på at staten sørger for vår sikkerhet, at det dersom vi blir utsatt for urett, finnes et rettferdig rettsvesen som straffeforfølger dem som har begått uretten, og at de som har gjort en feil, får anledning til å gjøre opp for seg. Den nye justisministeren har forsøkt å gi et inntrykk av at han må rydde opp etter forrige regjering. Sannheten er imidlertid at de siste årene har antall anmeldte lovbrudd gått ned, ungdomskriminaliteten har falt, og vinningskriminalitet som f.eks. tyveri og innbrudd, har gått markant ned. Vår justispolitikk fokuserer på både forebygging, økte straffer, flere alternative soningsformer og raskere straffegjennomføring. Lokalpolitiet er grunnmuren i det forebyggende arbeidet. Politiet har tillit i lokalsamfunnet, kjenner ungdommer i faresonen og samarbeider stort sett godt med kommune, barnevern og skole. Arbeiderpartiet vil styrke dette samarbeidet. Jeg er glad for at arbeidet vår regjering har gjort når det gjelder å øke andelen politistudenter og forbedre beredskapen, videreføres av den nye regjeringen. Vi støtter en styrking av antall studenter og satsingen på beredskap. Posisjonen er enig med oss om å utvide ordningen med straffegjennomføring med elektronisk kontroll til 105 plasser. Vårt forslag om å bevilge 19,5 mill. kr til innføring av bøtetjeneste fra 2014 gjør den nye regjeringen om til et pilotprosjekt. Det er beklagelig. Regjeringen velger dublering av celler, noe som er sikkerhetsmessig utfordrende og gir dårligere rehabilitering. En ung førstegangssoner kan risikere å måtte dele celle 20 timer i døgnet med en som sitter inne for alvorlig kriminalitet. Jeg tror ikke dette bidrar til en vellykket tilbakeføring. Store forskjeller er ikke godt nytt for innsatte unge, ofte marginalisert før deres kriminelle løpebane starter. Større forskjeller er heller ikke godt nytt for pårørende eller ofre for alvorlige kriminelle handlinger. Noen har eller får dårlig råd og sliter med å få hverdagene til å gå opp. Mange av disse er blant dem som kan imøtese noen kroner om dagen i

både at klimaendringene er menneskeskapt, og at det haster med å få på plass politiske løsninger. For få dager siden ble klimatoppmøtet i Warszawa avsluttet uten at man hadde kommet spesielt langt – vi skal være glad for at det ikke ble totalt havari. Men man er langt fra å være der man burde være, og vi begynner å få dårlig tid. Flere av verdens rikeste land har satt seg fullstendig på bakbena, både når det gjelder å ta på seg forpliktelser om kutt, og når det gjelder å forplikte seg økonomisk. Verdens fattigste land stiller krav om at vi må bidra til dem som blir verst rammet av klimaendringene, og de forventer også at vi gjør tiltak nasjonalt. Klimaproblemet krever både internasjonale og nasjonale tiltak og løsninger. Internasjonalt har Norge prioritert skogsatsingen. Man har tatt en lederrolle og bidratt med finansiering. Det har vært viktig og bra. Derfor må jeg si at jeg synes det er forstemmende at regjeringen i sin tilleggsproposisjon

men det betyr noe at de landene som har bidratt til utslipp, som er rike land, også bidrar med å kutte nasjonalt. Transportsektoren er viktig i denne sammenheng. Det er bra at det er et samlet storting som er opptatt av å satse på bl.a. jernbane. Men vi må også stille krav til kjøretøy som er på veiene våre. Derfor er jeg forundret over at regjeringen vil fjerne den økningen i satsene for CO2-utslipp i avgiften på tyngre kjøretøy som den rød-grønne regjeringen la opp til. til. Jeg er kanskje enda mer forundret over det regjeringen ville gjøre med CO2-kompensasjonsordningen. Formålet med denne ordningen er å sikre at norsk industri opprettholder konkurransekraften selv med økte kraftpriser, som følge av at europeiske kraftverk må betale klimakvoter for sine utslipp. Det er alt annet enn god klimapolitikk at industri i Norge som baserer seg på fornybar vannkraft, får økte kostnader og tvinges til å flytte til land med langt mindre strenge utslippsreguleringer enn det vi har her hjemme. Jeg har fått med meg at regjeringen i etterkant har blitt tvunget i kne fordi reaksjonene på dette kuttet var så sterke. Men det hjelper ikke på det faktum at man skaper utrygghet og usikkerhet. Skaden har skjedd, fordi vi og resten av verden vet hva den norske regjeringen egentlig mener. Dessuten: Det å snu på hælen når det gjelder viktige rammebetingelser, er et særdeles dårlig signal å sende, kanskje særlig til utenlandske eiere, spesielt når vi vet hvordan markedet ser ut, og hvordan den globale konkurransen er. Fangst og lagring av CO2 vil være et viktig bidrag for å få ned klimagassutslippene. Å få på plass ny teknologi er nødvendig. Når regjeringen vil kutte hele 100 av 150 mill. kr til oppgradering av teknologisenteret på Mongstad, når de kutter i bevilgningene til Gassnova og avvikler anbudsprosessen for fullskalaproduksjonsanlegg, mener jeg at man går i feil retning. Klimaforliket er krystallklart på at vi skal satse, og jeg lurer på hva slags bidrag dette er til det regjeringen har varslet om å få til et forsterket klimaforlik – det er det motsatte som skjer. Det er krevende å jobbe med klima. Det krever ressurser, det krever mot og det krever vilje. Så langt har den blå-blå regjeringen vist liten vilje. Jeg håper at man kanskje endrer litt syn i tiden framover. Her i Stortinget vil iallfall regjeringen – hvis man fortsetter som i dag – få stor motstand fra Arbeiderpartiet.

gjennom år – akkurat som politiske prioriteringer i årene framover bestemmer om det fortsatt skal være slik. Der Arbeiderpartiet de siste åtte årene har prioritert tiltak som har sikret velferden og styrket arbeidslinja, har Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre i denne sal prioritert skattekutt sammen med angrep på arbeidsmiljøloven, svekkelse av arbeidstakernes rettigheter og motstand mot kampen mot sosial dumping. Når vi her i dag behandler det første budsjettet som den nye regjeringen har lagt fram sine endringer til, ser vi helt klart et retningsskifte: store skattekutt, svekkede velferdsordninger – ordninger som har vært brukt til å understøtte arbeidslinja, f.eks. barnehagene og pappapermisjonen. Vi ser økning i kontantstøtten og et uttalt mål om ekstra opptrapping samt bevaring av skatteklasse Summen av alle disse endringene vi ser i dag, svekker arbeidslinja. Dette, sammen med en varslet ny kurs for arbeidslivet gjennom endrede arbeidstidsordninger, flere midlertidige ansettelser, og det jeg frykter blir et gedigent hvileskjær i kampen mot sosial dumping, gjør at denne regjeringen allerede er dårlig nytt for norsk arbeidsliv. Våre felles utfordringer framover gjør at vi må styrke og ikke svekke arbeidslinja. Vår kanskje største utfordring nå og framover handler om sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, som vi ser at vi – til tross for den forrige regjeringens massive innsats gjennom åtte år, med til dels ganske radikale tiltak – ikke har fått bukt med. Vi ser at det fortsatt brer om seg. Vi har klart å stagge utviklingen, men vi må gå videre. Vi la fram en tredje handlingsplan med nye tiltak senest i juni, tiltak regjeringspartiene stemte imot. Vi kommer ikke til å hvile i Arbeiderpartiet, vi kommer til å fortsette å foreslå nye tiltak i kampen mot sosial dumping, for det kommer til å være nødvendig, og vi er framoverlent. Den nye regjeringens holdning i regjeringsplattformen er at de tiltakene vi har innført, innført, skal evalueres før nye kan vurderes. Det er, med respekt å melde, ikke bare defensivt, det er et varsel om et skritt tilbake og et tilbakeslag i kampen mot de useriøse elementene i norsk arbeidsliv. Vi trenger ikke mer evaluering. Den forrige regjeringen evaluerte stort sett de fleste tiltakene. De har fungert sammen. Vi trenger de vi har, men der har også regjeringen varslet at de muligens kommer til å reversere noen av de mest treffsikre La dem få virke. Vi trenger nye tiltak for å fortsette å stagge utviklingen, fortsette å hindre at sosial dumping får ta nye kvelertak på den seriøse delen av arbeidslivet vårt. Regjeringens holdning er å vente og se, og at nye tiltak må ha bevist sin eksistensrett før de innføres. Det å vente og se an behovet for tiltak mot sosial dumping, dumping, blir dramatisk. Det betyr at arbeidslivet forvitrer, at arbeidere utnyttes og hver eneste dag betaler prisen for regjeringens tilbakelente holdning med umenneskelig arbeidsmiljø og lønninger det absolutt ikke går an å få kjøpt en vinterkåpe med på én eller to eller tre måneder. Representanten Asheim viste til velgernes ønske om en ny politikk og ny retning. Vel,

kurs. Vi er garantisten for en arbeidslivspolitikk som kombinerer fleksibilitet med trygghet, som tar inn over seg og møter arbeidslivets reelle utfordringer og behov, og som ikke baserer seg på gamle ideer og gamle løsninger. Næringspolitikkens overordnede målsetning er å sørge for størst mulig samlet verdiskaping i norsk økonomi. Vi skal sørge for at vi bruker norske ressurser på en Næringspolitikkens overordnede målsetning er å sørge for størst mulig samlet verdiskaping i norsk økonomi. Vi skal sørge for at vi bruker norske ressurser på en slik måte at det gir størst gevinst for samfunnet. Vi skal sørge for at skatte- og avgiftsnivået ikke avviker vesentlig fra våre naboland og handelspartnere, og at statlige rammevilkår er vekstfremmende og ikke veksthemmende. Vi skal legge til rette for at næringslivet forsker mer, for at bedrifter i dag skal utvikle de produkter og tjenester som vi skal leve av i morgen. Det er vår oppgave å legge til rette for et næringsliv som er bærekraftig og omstillingsdyktig, kunnskapsbasert og nyskapende. Med dette som rettesnor vil vi kunne bevare dagens velferdssamfunn og videreutvikle det i møte med morgendagens utfordringer og behov. For å få til dette er vi avhengig av gode og forutsigbare rammebetingelser. Regjeringen mener at et lavere skatte- og avgiftsnivå hvor vi samtidig unngår for selektive skattegrunnlag, gir økt verdiskaping og legger til rette for omstilling og innovasjon. Regjeringen har allerede vist at vi prioriterer lettelser som vil gjøre økonomien mer vekstkraftig, og vi vil også utrede de dynamiske effektene av skattelettelser. Regjeringen har foreslått å redusere formuesskatten. En slik endring favner næringslivet bredt. Redusert sats kan stimulere til økt sparing og økte investeringer også i næringsvirksomhet. Redusert formuesskatt kan gjøre det mer attraktivt for norske kapitaleiere å plassere midler i norske virksomheter. Familieeide virksomheter er en viktig del av det norske næringsliv og bidrar til langsiktig eierskap og trygge arbeidsplasser. For å lette disse bedriftenes likviditetsbelastning ved generasjonsskifter foreslår regjeringen å fjerne arveavgiften helt. Det vil gjøre det lettere for familiebedrifter å forbli familiebedrifter. Denne endringen vil også stimulere til sparing og fremme investering. Vi foreslår at arveavgiftsgrunnlaget erstattes med nye skattegrunnlag. Forslaget gir like regler uavhengig av selskapsform, og så lenge eierskapet videreføres, oppstår det heller ingen umiddelbar skattebelastning på mottakers hånd. Vi skal også vurdere avskrivningssatsene nærmere.

ved at vi hever grensen for fradrag for egenutførte FoU-prosjekter fra 5,5 mill. kr, slik det er i dag, til 8 mill. kr. Vi styrker ordningen med brukerstyrt innovasjonsarena, BIA, med 80 mill. kr. Næringspolitikken utformes i mange departement. Finans- og pengepolitikken, skatte- og avgiftssystemet, kunnskapspolitikken, arbeidspolitikken, samferdselspolitikken og miljøpolitikken er alle viktige rammebetingelser for næringslivet. Summen av disse utgjør en helhetlig næringspolitikk. Denne regjeringen har en ambisjon om at forbedringer innen alle disse områdene skal gjøre det lettere å starte opp og drive virksomheter over hele Norge. Vi skal føre en politikk som støtter opp under norsk næringsliv, som styrker vår konkurranseevne, og som gjør at vi er bedre rustet i konkurransen med utlandet.

og at vi kan gå mot mer krevende tider, spesielt innenfor bygge- og anleggsbransjen, IKT og varehandel. Statsministeren har tidligere i dag sagt at svaret på utfordringene vil være å styrke konkurransekraften. Hvordan ser næringsministeren for seg at disse utfordringene skal møtes? Vil hun være villig til å rette spesifikke tiltak inn mot enkeltnæringer dersom det blir behov for det, slik den rød-grønne regjeringen gjorde med bl.a. verftspakken, eller mener hun at det først og fremst vil være viktig med mer generelle tiltak i en mer næringsnøytral retning? Det vi fikk høre i går og i dag, er en temperaturmåler på hva næringslivet føler knyttet til det skal vi ta på alvor. Men vi skal også minne oss om temperaturen som var før finanskrisen – og at ingen så den komme. Så dette er en følelse av hva som kan skje, men det er ikke svaret på hva som faktisk kommer til å skje. Vi tror at det budsjettet som nå er lagt fram, hvor vi legger til rette for økt konkurranseevne med vekstfremmende skatter, er bra for næringslivet. Så er det vår oppgave som regjering, selvsagt, å følge veldig nøye med på det som faktisk kommer til å skje, og sette i verk de tiltakene som er I OECD-rapporten, som også kom i går, ble regjeringen klart advart mot økt oljepengebruk. Med tøffere prioriteringer i budsjettet kunne regjeringen glatt ha unngått men noen prioriteringer har regjeringen gjort. En klar prioritering er å trekke Norge ut av det nye EU-programmet COSME, som skulle åpne dørene for små og mellomstore bedrifter inn i EU-systemet og bidra til økt tilgang på finansiell støtte, sørge for bedre flyt av kapital i det indre markedet, bygge opp under nye arbeidsplasser og øke den industrielle konkurranseevnen. Alle disse tingene er noe som Høyre ofte er opptatt av. Mener næringsministeren at det å gå ut av COSME er å stimulere til økt konkurransekraft i næringslivet? Vår vurdering av COSME er at det programmet ikke virker etter sin hensikt. Vi er for gode EU-programmer, bl.a. innenfor romforskning, som vi har gått kraftig inn på, men vi skal ikke si ja til alle programmer i EU-regi hvis vi mener at de ikke virker godt nok. Vår vurdering av det er at vi ikke skal gå inn i det programmet.

for norske bedrifter? Hvis ikke, hvor mener hun det eventuelt er en forskjell? I løpet av de ukene jeg nå har reist rundt og møtt næringslivet i de deler av landet jeg har rukket å besøke, ser jeg et veldig ulikt bilde. Noen er bekymret, andre er det ikke. Igjen tenker jeg at dette er en temperaturmåler som vi skal ta på alvor. 2 000 har meldt en bekymring, det skal vi ta på alvor, men vi skal ikke tro at det er svaret på det som faktisk kommer til å skje. Vi har en todelt økonomi. Det er klart at oljerelatert virksomhet går veldig bra, og det er veldig bra. Men vi har en jobb å gjøre i Fastlands-Norge – og det gjør vi.

En rekke satsinger som berører næringslivet i distriktene, opplever kutt i dette budsjettet. Det gjelder treindustrien, distriktsreiselivet, marin sektor, fiskeri og landbruk. Man reduserer altså satsingen på store fastlands- og distriktsnæringer i dette budsjettet. Samtidig må man også erkjenne at mye av den skatteletten som foreslås, er personrelatert, ikke bedriftsrelatert. satsing på viktig fastlands- og distriktsindustri til fordel for skattelette først og fremst rettet mot personer, hvor bekvem er næringsministeren med at det kuttes i ordninger som er rettet mot viktige distriktsnæringer på denne måten, i en tid da økonomien ser ut til å bremse opp? Vi er opptatt av virkemidler som faktisk treffer og som virker. I motsetning – kanskje – til det den foregående regjeringen tenkte, nemlig at ideene var geografisk plassert, de kloke hodene var geografisk plassert, tror vi at vettet er ganske jevnt fordelt over hele landet. Derfor bygger vi opp under de landsdekkende ordningene, de gode løsningene. Så skal vi gå nøye gjennom virkemiddelapparatet for å se at de treffer. Men for store deler av bedriftene som er ute i distriktene, og det er veldig mange, er vår satsing på samferdsel og våre skattereduksjoner viktig for alle bedriftene rundt om i Norge.

og entreprenører. Vi vil ha en satsing og spissing på det nyskapende miljø- og klimavennlige næringslivet. Derfor er det helt sentralt for oss at det gis tilgang til å sikre risikovillig kapital gjennom det offentlige virkemiddelapparatet – for å få dette til og for å nå våre mål. Det konkrete spørsmålet er: Deler statsråden dette syn, og hvordan vil hun følge opp det? Det har vi gjort. I den tilleggsproposisjonen som er lagt fram, satser vi på SkatteFUNN, og vi satser på BIA. Det er nå lagt ut to såkornfond – veldig viktig for innovasjon og nyskaping. Vi skal satse videre, men da må vi få sjansen til å lage et helt budsjett – ikke bare et budsjett på noen få uker. Det store bildet når ein ser budsjettet frå den nye regjeringa, er

og ikke minst den spennende romforskningen og den verdikjeden som er der. De etterlyser nettopp det denne regjeringen vil satse på, nemlig landsdekkende ordninger, såkornfond og denne type ordninger som treffer de kloke ideene og de gode miljøene, og de finnes også i Nord-Norge. Replikkordskiftet er

Husnes, i Odda og i Tyssedal, som alle har store kraftforedlende industribedrifter. Det jeg ble fortalt der av både ledelse og tillitsvalgte, var at det var to ting vi måtte passe på. Det ene er at vi må beholde de gode rammevilkårene som vi har fått gjennom den regjeringen som du representerer, sa de til meg under valgkampen. Videre må dere ikke føre en politikk som fører til at vi kan få tull med kronekursen. det vi har sett når Høyre og Fremskrittspartiet har lagt fram sitt budsjett, vil jeg trekke fram tre saker som virkelig treffer, for å si det på den måten. CO2-kompensasjonsordningen ble foreslått halvert, sterkt svekket, oljepengebruken har økt, og man har kuttet grovt i permitteringsordningene permitteringsordninger som skulle sikre at bedrifter, som har varierende oppdragsmengde, skulle klare å holde på kompetansen, holde på arbeidskraften. Dette blir svekket. Oljepengebruken øker på tross av at regjeringen i sin tilleggsproposisjon sier at det høye kostnadsnivået og sårbarheten overfor et fall i oljeprisen tilsier varsomhet med å øke bruken av oljeinntekter. Videre sier regjeringen selv at kronekursen er labil og stemningen i valutamarkedet kan skifte raskt. Dersom en foretok et klart taktskifte i pengebruken over statsbudsjettet, ville det være en fare for at kronen styrker seg igjen. Dette viser at det å rote med oljepengebruken, sånn som regjeringen har gjort, medfører en fare. Det vet regjeringen – det har de selv sagt i sin proposisjon. På

Det kan vi ikke leve med, Stortinget må sette dette på plass. Den nye regjeringen har ikke hatt lang tid på budsjettet for 2014, men likevel har den greid å få til endringer på viktige områder som viser en tydelig, ny retning. Velgerne, som viste oss tillit i høst, skal få oppleve at vi er til å stole på. Høyre har i regjering fulgt opp valgløftene ved å satse på de områdene vi lovte å prioritere høyt. Hva var det vi lovte? Vi lovte å skape trygge arbeidsplasser. arbeidsplasser. Dette har vi fulgt opp i budsjettet ved å gi skattelettelse som gjør det mer lønnsomt å investere i norske arbeidsplasser. En trygg jobb er viktig for folk, og Norge trenger flere ben å stå på økonomisk i framtiden. Vi lovte å satse mer på kunnskap i skolen med en skikkelig satsing på lærerne. Det er fulgt opp i budsjettet med en kraftig økning i antall lærere som skal få videreutdanning. Lærerne er de som betyr mest for elevenes læring, derfor må de løftes fram og prioriteres. Vi lovte å satse på kvalitet og valgfrihet i Her holder vi ord. Vårt mål er å innføre fritt behandlingsvalg, og vi starter allerede neste år med å bruke mer av den ledige kapasiteten hos private aktører for å få ned helsekøene. Og sist, men ikke minst, lovte vi raskere utbygging av vei- og kollektivtilbud. Bevilgningene øker markert på dette området, sammenlignet med det som var de rød-grønnes opplegg. Gode transportløsninger gir reduserte kostnader, økt konkurransekraft, mindre kø og kaos og Høyre er opptatt av å føre en politikk som forsterker det sosiale sikkerhetsnettet. Altfor mange mennesker står i dag utenfor det ordinære arbeidslivet. Så mange som 600 000 i arbeidsfør alder jobber ikke. Det er viktig å tilrettelegge for at de som har lyst til å jobbe og som har arbeidsevne, kan få til det, selv om ikke alle kan yte 100 pst. Jobben er en viktig sosial arena i tillegg til at den gir inntekter. Derfor har vi i budsjettet for 2014 foretatt endringer og styrket innsatsen for personer med nedsatt arbeidsevne med 3 000 flere tiltaksplasser enn i 2013. Psykiske helseplager eller rusavhengighet er to av de hyppigste årsakene til at folk blir sykmeldt og uføretrygdet. Vi sa i valgkampen at vi skulle styrke det psykiske helsevernet og rusomsorgen. I statsbudsjettet for 2014 har vi gjeninnført den gylne regel om at veksten innenfor rus og psykisk helse skal være større enn innenfor somatikken.

Tidligere i år var livet til Fred Øyvind lediggang og rusing. Nå har han siden i sommer vært på jobb hver dag. Daglig leder i Monsterbedriften sier at firmaet ikke bare er et rivefirma, men også et byggefirma. «Vi bygger mennesker», sier han, og forteller at arbeiderne har bakgrunn fra rus, kriminalitet og arbeidsledighet. Vi bygger mennesker – en fantastisk visjon og målsetting for en arbeidsplass. Jeg er glad for at regjeringen har bevilget 7,7 mill. kr til sosiale entreprenører. Det er mer enn 5 mill. kr mer enn den rød-grønne regjeringen hadde satt av i sitt statsbudsjett. Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen ønsker å slippe alle gode krefter til, og vil støtte og samarbeide både med enkeltpersoner og bedrifter som vil være med og ta et sosialt ansvar.

Regjeringas forslag til endringar i budsjettet for 2014 tar dei første, viktige skritta i denne retninga. Derfor er det underleg å høyre på jamringa frå representantar for den tidlegare raud-grøne regjeringa om auka forskjellar. Ja, norske eigarar unngår å bli flådde ved eit generasjonsskifte. Ja, det blir større likskap mellom norske og utanlandske eigarar – og godt er For 2014 er det for første gong løyvd midlar til ei ordning som kompenserer norsk industri for auka kraftprisar som følgje av EUs klimakvotesystem. Regjeringa foreslo eit kvoteprisgolv i CO2-kompensasjonsordninga på 30 kr. Dette var meint å gi eit incentiv til innovasjon og miljøvennleg produksjon. Ordninga ville framleis ha vore ei føreseieleg og langsiktig ordning for norsk industri som beskytta han mot høge kvoteprisar. Det låg, og det ligg, inne i ordninga at dersom kvoteprisen aukar i framtidige år, vil kompensasjonen auke tilsvarande. Så er det også slik at gjennom forhandlingar med Kristeleg Folkeparti og Venstre prioriterte ein full kompensasjon, og dette kom på plass. plass. Likevel vil eg understreke at det er viktig at vi lagar ei kompensasjonsordning som gir incentiv til lågast mogleg utslepp, slik at ein på denne måten premierer dei som klarer å redusere utsleppa sine. Vidare blei elavgifta redusert i høve til forslaget frå Stoltenberg-regjeringa med 363 mill. kr. Det gir eit ytterlegare bidrag til Fastlands-Noreg, som eg er svært glad for at denne regjeringa fekk på plass. Så til slutt når det

betyr veldig mye for mange mennesker – i smått og stort. Det er på mange måter elevrådet ved Øraker skole her i Oslo som har minnet meg på det i dag ved å sende brev, hvor de skriver at de er svært opptatt av frukt i skolen: «Kjære politikere. Skolefrukt er mye viktigere enn dere tror. Skolefrukt gir elevene mer energi, konsentrasjon.» Ta med det, fordi jeg syns at av debatten fort kan dreie seg om politisk taktikkeri og spill. I det små dreier det seg om viktige ting, men også i det store. I de store linjene, særlig opp mot økonomisk politikk, undrer jeg meg over særlig representantene fra Høyre, som i valgkampen brukte veldig mye tid på å fortelle oss hvor dårlig det sto til i næringslivet – senest fikk vi høre det her i salen i dag ved representanten Gundersen, særlig om innlandet og trebasert industri, hvor nærmest de rød-grønne hadde rasert det hele. Vi har en todelt økonomi, og vi har en kostnadsvekst og et kostnadsnivå som er krevende. Da er jeg overrasket over at man ved første anledning for det første bruker mer oljepenger – ikke så mye, men man bruker mer. Jeg kan ikke se at det nødvendigvis er en annen type bruk av oljepenger som skulle gjøre det mer krevende enn det det har vært tidligere. tidligere. Det andre er at man nærmest så til de grader velger å nedprioritere særlig forskning og innovasjon knyttet til de næringene som utgjør de nye bena vi må stå på, når oljeøkonomien vil måtte gå ned. Da tenker jeg særlig på jord og skog – de kuttene som gjøres innen landbruk, forskning og innovasjon, på trebasert innovasjon

en motsatt retning av det man kanskje kunne få inntrykk av når man hørte debatter i valgkampen. På tampen vil jeg som innlandsrepresentant også nevne at det er særs viktig for oss at den store investeringen som man har planlagt, og som ble foreslått av Stoltenberg-regjeringa, på Tynset – knyttet til det store arkivbygget i det minste nå blir realisert i de kommende budsjettrundene. Det er særs viktig også for å bygge kompetanse

kunne vi forledes til å tro i trontaledebatten. Med pengebruk som målestokk hevdet den avgående regjering at de hadde overlatt landet i bedre forfatning enn da de overtok det. Dagens regjering vil ikke bruke statsbudsjettet til pengefrieri i alle retninger. Regjeringen vil prioritere. Industrien, som i dag ikke har leveranser til oljeindustrien, sliter tungt. En gang vil oljekilden springe tom. Da trenger vi nye ben å stå på. Framtidens behov er ikke mindre viktige fordi om de hører framtiden til – tvert imot! Det er kunnskapen i hodet, og det er kompetansen i fingrene som er framtiden for Kongeriket Norge. Derfor satser regjeringen på læreren og lærergjerningen, derfor satser regjeringen på fagopplæringen og lærlingordningen, og derfor satser regjeringen på vitebegjæret og forskningen. Regjeringen vil føre en politikk som gjødsler de lønnsomme prosjektene, både i offentlig sektor og privat sektor. Det gir arbeidsplasser, og det gir sosial trygghet. Investeringene i fastlandsindustrien har ikke vært på så lavt nivå siden begynnelsen av 1970-tallet, og de har falt dramatisk under den rød-grønne regjeringen. Derfor vil regjeringen gi arbeidsstimulerende skattelettelser. Derfor vil regjeringen øke investeringene i jernbanen.

For å kunne ivareta mennesker som har behov for beskyttelse på best mulig måte, er det helt nødvendig å få ut dem som ikke har beskyttelsesbehov og som har begått kriminalitet, så fort som mulig, slik at de ikke legger unødvendig beslag på kapasitet og ressurser. En del av arven etter Stoltenberg-regjeringen er at 5 400 mennesker som har fått avslag på sine asylsøknader, fortsatt befinner seg i Norge og bor på mottak. I tillegg er det ytterligere 7 000 mennesker med avslag som ikke bor på mottak, og som man ikke helt vet hvor befinner seg. På toppen av det kommer de som er straffedømte, men ikke fengslet, og som fortsatt er i landet. På toppen av dette igjen finnes det illegale innvandrere som vi ikke vet så mye om. Det alle disse har til felles, er at de ikke skulle ha vært noe den forrige regjeringen dessverre heller ikke fikk til og som er med å undergrave asylinstituttet og landets utlendingspolitikk. Skal norsk asylpolitikk fungere, er det viktig at vi faktisk får sendt ut de personene som får avslag på asylsøknaden sin i Norge eller begår kriminelle handlinger. For ingen tjener på at mennesker som ikke skal være her, blir over lengre tid. Uttransporteringer er derfor en viktig prioritet for Fremskrittspartiet i regjering. Vi ser at når man øker tvungne uttransporteringer av personer som ikke har rett til opphold i Norge, reiser også flere frivillig. Derfor legger regjeringen opp til en økning på 1 800 flere uttransporteringer til neste år, slik at man får uttransportert 6 700 mennesker totalt. Vi i Fremskrittspartiet skulle gjerne sendt ut flere av dem som ikke skal være her, men det er ikke realistisk å få det til allerede til neste år. I årene som kommer, ønsker vi å øke uttransporteringene ytterligere og innenfor det som det er kapasitet til. Det er et viktig signal som viser klart og tydelig at med Fremskrittspartiet i regjering er lov, orden og respekten for asylinstituttet gjenopprettet.

Jeg registrerer at politikere fra de rød-grønne partiene kritiserer dette budsjettforslaget i forhold til sitt eget. Det burde vel ikke være noen overraskelse for disse partiene at en ny regjering òg betyr ny politisk kurs – en kurs som viser målrettet satsing, som er rettet inn mot styrking av Norges bærekraft, og som sikrer velferden for den enkelte. Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen viser allerede i dette budsjettforliket med Venstre og at den evner å prioritere det viktigste først. Nordland har et rikt og aktivt næringsliv med stor eksportaktivitet. Næringslivet og befolkningen i Nordland har etterlyst bedre veier og framkommelighet. Når Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen nå leverer og øker posten til veibygging med 1,1 mrd. kr i forhold til de

og dermed også økt bosetting i Distrikts-Norge er nettopp bedre samferdsel. Det vil si bedre vei-, bro- og tunnelforbindelser, som vi er avhengige av, slik at de gode produktene fra distriktet kommer raskt fram, både til det norske og det internasjonale markedet. Redselen hos de rød-grønne er at reduserte midler til

I tillegg har regjeringen varslet nye grep som vil forbedre lønnsomheten til fiskerinæringen, og dette er bra for Nord-Norge. Noe av det aller fineste med det norske demokratiet er

imot. Det er helt tydelig hvor Høyre og Fremskrittspartiet vil kutte. Blant annet foreslås det store kutt til miljøorganisasjonene, og aller verst gikk det ut over folkeaksjonen mot oljeboring i Lofoten og Vesterålen – for dem ble hele støtten Og mens det ble kuttet til miljøbevegelsen, fikk den innvandringskritiske organisasjonen Human Rights Service doblet sin støtte. De var med å skrive de omstridte innvandringsforslagene til Fremskrittspartiet, og nå sier de: Vi trenger ikke en gang å søke om støtte, vi får bare pengene slengt etter oss. Det er en helt ny måte å fordele penger på, hvor regjeringen kutter til de organisasjonene de er uenig med, og øker til dem de er enig med. Det kan virke som om den nye vil kutte til dem som kan gjøre livet surt for dem selv. Kanskje var det nettopp derfor det gikk ut over miljøbevegelsen denne gangen, for de har god grunn til å kritisere den nye Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen. På Zerokonferansen skulle statsministeren presentere regjeringens klimapolitikk. Da sa hun at tiden var inne for å gå fra ord til handling, men selv kom hun ikke med noen forslag til ny politikk. politikk. Få dager etter fikk vi vite hva det egentlig betydde. Det var å fjerne CO2-kompensasjonen, det var kutt til CO2-rensing og kanskje aller verst var det et kutt på 400 mill. kr til regnskogsprosjektet. Det er mulig dette var å gjøre ord til handling, men god klimapolitikk var det definitivt ikke. Klimaforhandlingene strander bl.a. fordi de rike landene ikke vil være med og bidra.

I dag har den nye regjeringen fått mye kritikk for kutt i landbruksbudsjettet. Faktum er at det er behov for store endringer i norsk landbrukspolitikk. Knut Storberget nevnte her i stad mange gode poeng som de rød-grønne har oversett i de åtte årene de satt i regjering. Virkemidlene og tilskuddene må vris mot å nå landbrukspolitiske mål som f.eks. økt Det vi har erfart, er at 400 000 dekar jordbruksareal er tatt ut av produksjon siden 2005. Og 1 000 bruk er blitt nedlagt årlig under den rød-grønne regjeringen. Av 43 000 jordbruksbedrifter drives knappe 6 pst. på heltid. Det står 35 000 gårdsbruk med tomme hus rundt om i landet. Kornproduksjonen har Vi produserer altfor lite storfekjøtt og altfor lite lammekjøtt i forhold til etterspørselen her i Norge. Storfeproduksjonen er redusert med over 9 500 tonn siden 2005, og lammekjøttproduksjonen er redusert med 2 370 tonn siden 2005. Selvforsyningsgraden fra landbasert matindustri viser en negativ utvikling, og importen fra EU øker i omfang, samtidig som den norske befolkningen øker. Dette står i sterk kontrast til den tidligere rød-grønne regjeringens mål, valgløfter og stortingsmelding om landbruk. Dette vitner egentlig om at vi har hatt en rød-grønn regjering som har ført en gammeldags jordbrukspolitikk uten evne til fornyelse og handlekraft. Landbrukspolitikken har stått stille selv med en landbruksminister fra Senterpartiet. En kan selvsagt oppfatte den tidligere rød-grønne regjeringen som systemforvalter og administrator framfor å forme ny og framtidsrettet politikk for norske forbrukere og for den norske bonden. Regjeringserklæringen er rimelig tydelig. Det må komme endringer i landbruket som gjør næringen mer lønnsom, og som dekker behovet til konsumentene i dette landet mye bedre. Det er det behov for. for. Vi har fått en regjering som har vist evne og vilje til å prioritere og sette mennesker framfor systemet. Dette skal komme den aktive bonden og den norske forbrukeren til gode. Jeg ser fram til at regjeringen starter dette viktige arbeidet. Flere av de støtteordningene som vi har i dag, virker hemmende for å nå målet om økt matproduksjon i Norge. Derfor er det kjekt å se at enkelte forskere mener regjeringens politikk vil medføre økt norsk produksjon av mat, også i distriktene. Høyrepartiene som nå har dannet regjering, elsker å framstille seg som næringslivets fremste talspersoner og garantister for gode Regjeringsplattformen og valgløftene har formuleringer om å skape et robust næringsliv, om verdier som må skapes før de deles, at verdiskaping skal skje i alle deler av landet – og det skal selvfølgelig skje innenfor rammene av en ansvarlig økonomisk politikk. Men valgkampen er over, valgløftene er avblåst og realitetene har åpenbart seg,

Så har vi kjempet for å få på plass en CO2-kompensasjon. Det fikk vi også til, helt til regjeringen Solberg foreslo å halvere den. Heldigvis var det noen andre i denne salen som så at dette var lite heldig – for å uttrykke det mildt – og fikk reversert det forslaget. Men på veien forsvant det noe viktig, nemlig tiltroen til at regjeringen kan regnes som forutsigbar, og det har skapt stor usikkerhet om hvilke rammebetingelser som skal gjelde i framtiden. Skaden er allerede skjedd. valgkampen hørte vi statsministeren snakke alvorstynget om for mye oljepengebruk og for stor oljeavhengighet. Når man har kommet i posisjon, er det første man gjør, å forsyne seg av enda mer oljepenger, stikk i strid med det inntrykket man etterlot seg i valgkampen. For mitt hjemfylke, som er et stort eksportfylke når det gjelder både fisk, produkter fra havbruk, turisme og aluminium, fører dette til større risiko for tap av arbeidsplasser, fordi det vil bety et ytterligere press på renten, fare for styrket krone og dermed svekket konkurranseevne for landet. Det skjer i en tid der man melder om mørke skyer i horisonten. Nå står det neste store slaget overfor prosessindustrien om spørsmål om nettariffen. Spørsmålet melder seg – om man nå kan forvente seg et fullt tilbaketog fra høyrepartiene også her. Vil det da være slik at industrien skal få hele Det har det blitt skapt stor usikkerhet om. Når man betrakter dette første budsjettet fra regjeringen Solberg, er det ikke de gode ideene og løsningene som preger det. Etter min vurdering er det et budsjett som er preget av tilbaketog, løftebrudd med mange gale valg for framtiden, og det verste av alt: Det er skapt stor usikkerhet om hvilke rammebetingelser som skal gjelde for viktig industri i dette landet for framtiden. Norge er

Innovasjon, kunnskap og teknologi er nødvendige satsingsområder for å møte morgendagens konkurranse i en globalisert verden. Regjeringen vil øke satsingen på forskning, etablere flere verdensledende universitetsmiljøer og har ambisjon om at Norge på sikt skal bli et av de mest innovative landene i Europa. Regjeringen vil jobbe for at Norge skal være et land med små forskjeller og minimal fattigdom. De viktigste tiltakene for å bekjempe fattigdom er en god skole som utjevner sosiale forskjeller og et åpent arbeidsliv med plass for alle. Likevel vil det finnes mennesker som står utenfor viktige sosiale arenaer på grunn av dårlig økonomi eller dårlige levekår. Regjeringen mener det er en viktig samfunnsoppgave å sikre at også disse får den hjelpen de trenger. Noen grupper har utfordringer med å komme seg i arbeid, eller med å holde seg i arbeid over tid. Det gjelder spesielt funksjonshemmede, innvandrere og unge mennesker uten fullført utdannelse. Psykiske helseutfordringer har blitt en viktig årsak til sykefravær og frafall fra arbeidslivet. Regjeringen vil iverksette tiltak for å gjøre det enklere å være delvis i arbeid i perioder med psykisk sykdom, og på den måten unngå varig uførhet. Det skal foretas en full gjennomgang av Nav med sikte på å avbyråkratisere etaten for brukerne for å hjelpe flere fra trygd til arbeid. Todeling av økonomien gjør at det blir stadig viktigere å sikre Norge flere ben å stå på økonomisk. Derfor vil regjeringen sikre næringslivet over hele landet gode rammebetingelser og styrke det private norske eierskapet. Vi har en utfordrende tid framfor oss, og det er viktig å investere i vår felles framtid. Vi bør gjennomgå hvordan norsk arbeidsliv er organisert og vurdere endringer der det er formålstjenlig. Arbeidsmiljøloven er ikke statisk, og regjeringen har foreslått noen endringer for at den skal være smidig for nye arbeidstakere og de familiene som behøver en fleksibilitet i sin hverdag. Vi har en utfordring i vårt samfunn når ungdom ikke kommer i arbeid, eller dropper ut av videregående skole. På den ene siden har vi demografiutfordringen som viser at flere blir eldre, på den andre siden finansieringen av framtidige pensjoner der man er avhengig av at flere står i jobb. Det er viktig å få ungdom i arbeid av flere grunner én er økt livskvalitet gjennom å tjene egne penger og etablering av et sosialt nettverk i møte med andre arbeidstakere. En annen grunn er ungdommens tilhørighet og deltakelse i et samfunn. Norge vil bli satt på prøve i de nærmeste årene, men det er ingen grunn til at vi ikke skal bestå denne prøven dersom vi moderniserer og videreutvikler norsk

jeg har selv fått slike, og enda verre, beskyldninger rettet mot meg. Paradokset er imidlertid at slike beskyldninger har kommet fra bl.a. Støre selv. Og så vil jeg minne om at integreringspolitikk per definisjon må være rettet mot utvalgte grupper – en målrettet politikk med mål om å få flere inkludert i samfunnet. I Arbeiderpartiet og Støres integreringsdokument – Det nye norske vi – fant jeg på side 1 følgende honnørord: Vi er blitt et rikere og mer spennende land, Norge er blitt mer mangfoldig, Norge er blitt mer åpent og inkluderende og vi er blitt mer vellykket og flerkulturelt. Alt dette er vi blitt. Ja vel, men da er det underlig at den som fremhever alt dette, selv har valgt å bosette seg lengst mulig unna der dette forekommer. Det er altså kun vi andre som skal få ta del i Det nye norske vi – ikke Arbeiderpartiets finanspolitiske talsmann. Det må kalles selvoppofrelse av dimensjoner – for Det nye norske vi blomstrer vel ikke akkurat på Ris. Og de 500 ekstra flyktningene som Støre har etterspurt i debatten, ville nok uansett ikke bosatt seg i Risbekkveien. Men representanten Støre er ikke alene. Nesten samtlige andre med de samme politisk korrekte meningene har valgt nøyaktig den samme selvoppofrelsen. Ja, hele gjengen har valgt å bosette seg i Oslo vest eller Oslo nord. Så hører vi debatten om behovet for små forskjeller mellom folk. Med et femtitalls millioner i formue kan det jo hende at det er relativt små forskjeller – i Risbekkveien. Men kvalitet koster – f.eks. 1 500 kr for en skjorte. Da får jo selv ikke en sosialdemokratisk sekretariatsleder råd til særlig da er det betryggende å trøste seg med slagordene: Alle skal med, forskjellene skal bli mindre og det hele skal omfavnes av Det nye norske vi. De siste årene er

men også trafikk som kommer fra andre deler av landet. Det er i hovedstadsregionen fortsatt behov for store samferdselsinvesteringer. Nye veger må bygges. E18 i Vestkorridoren, rv. 4, E16 og Glommakryssing på rv. 22 østover er kanskje de største og viktigste vegplanene framover. Men den framtidige trafikkveksten i hovedstadsområdet veksten i trafikken – må først og fremst tas på kollektive transportmidler. Det er etter hvert rett og slett ikke plass til flere veger inn og ut av Oslo. Det må bygges mer bane – Follobanen, det nye dobbeltsporet, tunnelen Oslo–Ski, ny jernbanetunnel i Oslo og ny T-banetunnel. T-banen må forlenges og det må bygges bane til Fornebu – Fornebubanen, som har vært tema i debatten i flere innlegg her i dag. I planene som det så langt har vært jobbet med i Oslo og Akershus, har det vært lagt opp til start på Fornebubanen i 2018. Så husker vi utspillet fra slutten av mai, der de fire borgerlige partilederne gikk ut og sa at blir det borgerlig flertall, vil Fornebubanen bli bygd raskere – altså raskere enn 2018. Nå har vi hørt i dag, og sett i Budstikka i dag, at samferdselsministeren snakker om akkurat det samme – akkurat det samme som vi andre bestandig har sagt: raskest mulig, og at 2018 antakeligvis er et realistisk årstall. Det utspillet var altså null verdt. Folk i Bærum må føle seg lurt i dag når de ser uttalelsene fra samferdselsministeren og representanter fra Høyre og Fremskrittspartiet.

Oslo er blitt i tvil om hva statsråden sier, melder nå NRK. Hva som er situasjonen for Fornebubanen, er et komplett kaos. Høyre og Fremskrittspartiet har ikke klart å oppklare det. Forvirringen er større nå enn den var da vi startet debatten i dag tidlig, tydeligvis også blant sentrale tillitsvalgte i regjeringspartiene. Det kunne vært interessant å få høre hvordan Venstre og Kristelig Folkeparti, som var med på det famøse utspillet i grustaket på Fornebu i slutten av mai, vurderer situasjonen. Det kunne det sikkert, men nå er tiden ute, så det får vi vente litt med.

i det fellesskapet. Men de var også åpne på at mange som lever som rusavhengige, har det fryktelig krevende. Jeg er derfor glad for at regjeringen gjør to viktige grep i rusomsorgen: Vi gjeninnfører den gylne regelen i spesialisthelsetjenesten som innebærer å styrke veksten i rus og psykisk helsevern hver for seg mer enn veksten i somatikk, og vi øremerker 340 mill. kr mer av kommunenes midler til rustiltak, fordi erfaringer de siste årene viser at flere kommuner har nedprioritert sin innsats på rusfeltet etter at øremerkingen ble fjernet. I tillegg er rusomsorgen nå ytterligere styrket gjennom forliket mellom regjeringen og Kristelig Folkeparti og Venstre. Vi er enige om å øke bevilgningen til frivillig arbeid knyttet til rusarbeid i kommunene med mange millioner. Midler som bevilges innenfor frivillig sektor, er på en måte penger som vokser. De frivillige får mye ut av midlene, og de har en egen evne til å få med kommunene, givere og andre til å delta i viktige spleiselag. Behovet er stort for mer mangfoldig og større frivillig innsats, og mange av aktørene står klare til å gjøre mer av det som fungerer godt. Innenfor rusomsorgen må og skal mye av arbeidet gjøres av fagpersoner, men frivillige har også en viktig funksjon. Jeg har møtt mange som er avhengige av hjelp fra det offentlige – rusavhengige, psykisk syke og mennesker med funksjonshemninger. De er vant til å få hjelp av flinke helsearbeidere til å dekke mange av sine behov. Allikevel sier flere av dem at det noen ganger kan være godt å spørre om hjelp eller ha en samtale med noen som ikke skal ha betalt for å hjelpe. Det er her frivilligheten spiller en sterk og viktig rolle. Det har i dag vært mye diskusjon i denne sal knyttet til hvorvidt skattepolitikken skaper forskjeller i samfunnet. Jeg er glad for at regjeringen, sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre, nå gjør mye for dem som har fått for lite de siste årene, nemlig de rusavhengige. Vår satsing er allerede etter noen uker i regjering et viktig taktskifte – og bidrar på alle mulige måter til å utjevne forskjeller for noen av de svakeste i vårt

Og det som er verdt å merke seg, er at nær sagt ingen kommentarer som kommer fra utsiden av dette hus, er veldig kritiske til årets budsjettforslag. Tvert imot er det mye skryt å få fra både Strand, Kristiansen og mange andre. Vi får med oss ytringer fra Arbeiderpartiet og deres folk om at med regjeringens budsjett går man baklengs inn i eller spar på med oljepenger – når forskjellen i realiteten er minimal. Nå har jeg, i motsetning til andre, som tydeligvis har erfaring på området, aldri prøvd dette med tannkremtuben. Enhver tenkende person forstår at Fremskrittspartiet over natten ikke kan rydde opp i Stoltenbergs bompengeinnkreving i Norge. Vi ser at det går rett vei. Alternativet vet vi alle alt om. Jeg registrerte at representanten Snorre Serigstad Valen var sterkt bekymret for kutt i barnetrygden – i Finnmark. Han nevnte ikke et ord om at alle ville få mindre skatt, ikke et ord om at SV ville fjerne skatteklasse 2, eller at regjeringen i nysalderingen vil fremme forslag om å fjerne 360 mill. kr som avgiftskutt i Finnmark ved å fjerne bomstasjonene i Alta. Befolkningen i Alta og Finnmark kan få en avgiftsreduksjon som er nesten fem ganger mer enn kuttet i barnebidraget, om Stortinget vil, i behandlingen av nysalderingen. Med representanten Serigstad Valens politikk ville mange fått økte utgifter på både 15 000, 20 000 og 25 000 kr. Denne regjeringen prioriterer ikke mest til alt, men til områder som er viktigst for folk flest. Denne regjeringen prioriterer vekstfremmende skattelettelser som vil gjøre det mer lønnsomt å arbeide og investere. Dette er et løft for kunnskap og forskning, en økt satsing på samferdsel og infrastruktur og en styrking av asyl- og justispolitikken – ikke dårlig, med tanke på den tiden som vi har hatt. Etter ordene som er

Budsjettet tar oss tilbake til fortiden i barne-, familie- og likestillingspolitikken, for om man som parti mener at det er viktig at færre barn går i barnehagen, at det er viktig at foreldre betaler mer for færre barnehageplasser, at det er et utstrakt politisk mål at fedre skal tilbringe mindre tid med barna sine, og at mødre skal tilbringe mer tid på jobb – og hvis man ønsker å sende et klinkende klart signal til alle landets arbeidsgivere om at det er mer risikabelt å ansette en dame enn en mann – legger man fram et slikt budsjett.

I valgkampen kunne man høre sirenesanger om at det skulle bli så mange flere barnehageopptak i året, men det finnes ikke i budsjettet. Det skal bli færre og dyrere barnehageplasser for å få råd til mer kontantstøtte og mer skattelette til dem som har mest fra før. I salen har vi i dag hørt likestillingsminister Solveig Horne si at hun har tillit til at flere menn vil ta ut pappaperm, selv etter at regjeringen kutter i den. Det har jeg også hørt flere borgerlige kandidater si igjennom valgkampen. Det resonnementet har tre

Det Høyre lovet sine velgere i valgkampen, var nettopp kursendring. Vi ville ta alle krefter i bruk for å få ned helsekøene og gi et bedre tilbud til gruppene som sitter nederst ved helsebordet. De menneskelige omkostningene ved psykiske helseproblemer, rus og utenforskap er store. Det ligger utrolig mange enkeltskjebner bak sykmeldinger og uføretrygd. Psykiske helseproblemer koster samfunnet i dag om lag 70 mrd. kr i året, og psykiske lidelser står for 40 pst. av sykefraværet og 40 pst. av kostnadene ved uføretrygd. Det er derfor uhyre viktig å opprioritere området psykisk helse, med hensyn til både forebygging, behandling og rehabilitering. Vi vet også at 20 pst. av frafallet i videregående skole skyldes psykiske problemer. Et viktig satsingsområde for regjeringen er derfor å forsterke sikkerhetsnettet, slik at færre faller igjennom. Det må arbeides på flere hold for å forebygge psykiske lidelser. Regjeringens satsing på videreutdanning av lærere vil gi en bedre og at unge står utenfor arbeidslivet. Pasienter med rusavhengighet eller psykiske helseutfordringer må få et bedre tilbud og raskere behandling. Regjeringen øker derfor forslaget til bevilgning til de regionale foretakene med 300 mill. kr. Styrkingen skal først og fremst gå til å utnytte kapasiteten innen private og Regjeringen er opptatt av å utnytte kapasiteten i eksisterende avtaler og anskaffelsesregelverk, og det skal legges vekt på at private og ideelle organisasjoner får forutsigbarhet og langsiktighet gjennom offentlige anskaffelser. Under høringen i helse- og omsorgskomiteen og på besøk på rusinstitusjoner ble det framhevet av flere at det er et stort problem med lang ventetid på behandling. Denne regjeringen vil gjøre noe med det og bruke mer av den kapasiteten som finnes i private og ideelle organisasjoner. Det skal ikke gå på bekostning av den offentlige spesialisthelsetjenesten, men tvert imot utfylle og komplettere denne. Regjeringen setter enkeltmennesket i fokus, ikke systemet. Det er en del av kursendringen, ikke

i 2015, utgjør under en tredjedel av økninga som de rød-grønne partiene ville ha. Regjeringspartiene har sjøl beskrevet et taktskifte i kunnskapssatsinga. For studentenes del er dette i så fall et skifte til en lavere takt enn de rød-grønnes, i skarp kontrast til ordene om kunnskapssamfunnet, og til tross for at bl.a. Fremskrittspartiet har vært klar i sin tale. Daværende stortingsrepresentant Tord Lien uttalte i sommer til studentavisa Under Dusken: «Jeg kan også love 11 måneders studiestøtte innen fireårsperioden er omme.» Han tok, så langt jeg kan se, ingen forbehold om 16,3 pst. oppslutning. Det er interessant å se debatten denne høsten. Tidligere kritiserte deler av den daværende opposisjonen

Da er det for øvrig interessant hvordan de reagerer på Raymond Johansens innlegg i Aftenposten i dag. Nå er det vel bare han som vet hva Arbeiderpartiet mener om f.eks. arbeidsmiljøloven. Men til dagens tekst: Vi har kunnet se en debatt om tillit og forskjeller i det siste. Da Aftenposten gjennomførte et eksperiment for å se hvor mange som leverte tilbake mistede lommebøker, og de fikk 15 av 20 lommebøker tilbake, fant stortingsrepresentant Jonas Gahr Støre det opportunt å gå ut og si at det kan bli mindre tillit mellom folk hvis regjeringen får gjennomslag for sin politikk. For regjeringens politikk, sier Gahr Støre, fører til økte forskjeller i samfunnet, og økte forskjeller blir det mindre tillit av. Da har jeg lyst til å si: Tusen takk for diagnosen, men jeg tror ikke den stemmer. Jeg er enig i at samfunn hvor vi har tillit til hverandre, er gode samfunn, det er samfunn der vi stiller opp for hverandre, og det er samfunn der vi behandler hverandre med respekt. Arbeiderpartiet tror at man finner forskjellene i samfunnet i skattestatistikken, men det viser bare at Arbeiderpartiet i sin analyse hopper over det viktigste aspektet, nemlig den store forskjellen mellom dem som er i jobb, og dem som ikke er i jobb. Da er det viktig å ha en politikk som skaper trygge arbeidsplasser. Det har denne regjeringen, med skattelettelser som gjør det mer lønnsomt å investere i norske arbeidsplasser. Opposisjonen snakker om dette som skattelettelser til de rikeste. Det må de gjerne gjøre, men da må de også vite at de med all mulig tydelighet viser at det ikke er mulig å ha en fornuftig og interessant skattedebatt med en rød-grønn stortingsrepresentant. Samtidig er det viktig å ha en politikk som gjør det mulig for flere å komme inn i arbeidslivet. Her er det både politikkens helhet og enkelttiltak som er viktig. viktig. Det er grunnen til at vi øker antall tiltaksplasser for personer med nedsatt arbeidsevne med 3 000 plasser i 2014. Det å stå utenfor arbeidslivet og ikke få være en del av den felles kraftanstrengelsen som skaper velferden i Norge, er vondt. Det er mennesker i Norge som har noe å bidra med, og som ønsker å bidra, men som ikke får den muligheten. Da var det så utrolig hyggelig å lese avisen i går, hvor vi over en dobbeltside kunne se effekten av sosialt entreprenørskap, hvor en mann som har stått utenfor, misbrukt narkotika og havnet på avrusning, i dag er innenfor. Han har en jobb. Det viser at sosialt entreprenørskap er en viktig del av løsningen. Derfor er jeg glad for at vi i dette budsjettet bevilger betydelig mer til sosiale entreprenører enn det den rød-grønne regjeringen ønsket å gjøre. Jeg har hørt det er blitt sagt at denne regjeringen truer arbeidslinjen. Men det gjør den jo ikke. Tvert imot føres det nå en politikk for å få flere inn i arbeidslivet og skape trygge arbeidsplasser. Det blå-blå budsjettet er et budsjett for økt oljepengebruk og økt oljeavhengighet, selv om de blå-blå i valgkampen anklaget den rød-grønne regjeringa for å gjøre Norge mer oljeavhengig. Av hensyn til norske arbeidsplasser og

De siste åtte åra har vi sett et taktskifte når det gjelder satsinga på samferdsel i Norge. Vi i Arbeiderpartiet vil fortsette denne satsinga, noe vi ikke minst kan se av vedtatte Nasjonal transportplan. Arbeiderpartiet vil også støtte en styrking av budsjettene for vei og bane med 660 mill. kr, men vi kan ikke være med og støtte forslag utover dette til samferdselsformål, da dette er bygd på økt oljepengebruk. Når det gjelder samferdsel, gir regjeringa oss et budsjett som øker forskjellene mellom by og land. Jeg vil nevne noen eksempler. Økninga av midlene til fylkesveier på 280 mill. kr kan høres tilforlatelig og bra ut, men når man ser på hvor pengene hentes hen, at man samtidig kutter hele 430 mill. kr på fylkeskommunenes regionale utviklingsmidler, blir det ikke så bra som representanten Ebbesen fra Høyre og Nordland sa, at det ble mer penger til fylkene. Vitterlig harmonerer ikke det kuttet. Vi ser videre kutt i bevilgningen til fiskerihavner med 46 mill. kr, som betyr at fiskerihavnene Napp i Nordland og Sommarøy i Troms ikke blir oppstartet som forutsatt i 2014. Og skal jeg tolke minister Solvik-Olsens svar i replikkordskiftet i dag, kan det blir mer enn en utsettelse. Posten reduseres med 50 mill. kr, og man vil gå seks til fem postombæringsdager og vil i tillegg privatisere Posten. Ser vi på andre land hvor dette er gjort, ser vi at det har ført til kraftig redusering av kvaliteten, ikke minst i distriktene. Så kan vi se på jernbanen. Når det gjelder styrkingen av jernbanen, er vi enig i det – det er bra. Men det som ikke er bra, er Høyre og Fremskrittspartiets klare formuleringer om at de vil legge til rette for økt konkurranse også for persontransport med jernbane, som vil ramme distriktene ekstra hardt. God samferdsel er viktig for å møte framtidas utfordringer. Samtidig har vi som politikere et ansvar for en helhetlig politikk som ivaretar rettferdig fordeling og viktige oppgaver innen helse, omsorg, arbeid og skole. Budsjettet vi skal vedta i dag, peker ut en helt annen retning for Norge, med større forskjeller på disse områdene. I Norge har vi en sterk tradisjon for at folk eier sin egen bolig. Et av områdene det er

og skal føre en boligpolitikk som gjør det enklere å bygge flere boliger, lar kommunene bestemme mer og lar bankene i større grad vise skjønn. Men det er særlig to forslag i regjeringens tilleggsproposisjon som er ekstra gode nyheter for unge og nyetablerte som skal inn i boligmarkedet. For det første: Regjeringen avlyser de rød-grønnes forslag Og for det andre: BSU-ordningen utvides. Den rød-grønne regjeringen foreslo i sitt statsbudsjett at skatten skulle skjerpes for folk som kjøper boliger med det formål å leie ut. Hensikten var å hindre såkalt boligspekulasjon. Men i realiteten var ikke dette noe annet enn en usosial og byråkratisk skatt for å straffe dem som eier en ekstra bolig. Alle som bor i en by eller en vekstkommune, er smertelig klar over at for mange unge og nyetablerte handler det ikke bare om å komme inn i boligmarkedet, men også utleiemarkedet. Denne skatten ville bare ført til at færre ville leie ut boligen sin, og dermed ville dette presset utleieprisene ytterligere opp. Ordningen med Boligsparing for ungdom, BSU, er en målrettet og populær ordning. Hele åtte av ti i målgruppen under 34 år har eller har hatt BSU-konto ifølge en undersøkelse fra Synovate. Samme undersøkelse viser at minst ni av ti ungdommer som sparer i ordningen, gjør det selv uten såkalt foreldreinnbetaling. Det står i dag over 18 mrd. kr inne i boligspareordningene for ungdom. Sparepotensialet er likevel langt høyere. høyere. Det er viktig å stimulere langsiktig sparing framfor kortsiktig forbruk hos ungdom. At taket i BSU-ordningen var forhøyet fra 100 000 kr til 150 000 kr, er fint, men regjeringspartiene mener at dette er utilstrekkelig med tanke på boligprisveksten de siste årene. Regjeringen har derfor økt det årlige sparebeløpet som gir skattefradrag, til 25 000 kr. Videre er taket for samlet sparing i BSU økt til

For ikke mange dager siden aksjonerte mange hundre kunstnere og kulturentreprenører utenfor Stortinget. Det gjorde de fordi regjeringspartiene, Fremskrittspartiet og Høyre, har skapt en stor uro i dette tjenesteområdet med sin ønskede politikk. Det ble reversert for kunstnerstipendene takket være Venstre

Men dette er også den første spiren som skal til for at de skal drømme om å bli framtidens Leif Ove Andsnes, Pål Jackman, Pia Tjelta eller Tore Renberg. Det hjelper lite at den rød-grønne regjeringen innfridde Kulturløftets målsetting om 1 pst. over statsbudsjettet når Kulturløftet nå blir begravet av av regjeringens kulturpolitikk, og det lover ikke godt for kulturlivets frihet til å skape innenfor frie rammer. Det finnes ikke lenger noen store kulturløft. Dette betyr at det blir hardt arbeid fram mot 2017. Arbeiderpartiet skal overhodet ikke ligge på latsiden. Vi skal holde kulturdebatten levende hver

at dei tapte valet i september. Eg er svært glad for at regjeringa på rekordtid har klart å auke løyvingane til infrastruktur, til kunnskap, til forsking, til justisfeltet og til helse, slik som vi lova veljarane. Det har også vore svært gledeleg å sjå kor godt folk flest har teke imot satsingane på samferdsle som allereie er på plass. Vidareføring av rentekompensasjonsordninga og auka løyvingar til fylkesvegar har ført til at optimismen dei regionale vegplanane. I mitt heimfylke får regjeringa skryt for si satsing på fylkesvegar. Det same kan vi seie om at regjeringa stoppar bompengeinnkrevjinga mange stader og på mange bompengeprosjekt. ikkje berre ei ny regjering. I framlegget til statsbudsjett for 2014 tek vi dei første stega i ei ny og betre retning. Ein har også teke dei første stega for å stanse eit stort etterslep på vedlikehald, lange helsekøar, aukande byråkrati og mange uløyste utfordringar i justissektoren – berre for å nemne noko. Eit godt budsjettframlegg frå regjeringa har blitt endå betre gjennom forhandlingane med samarbeidspartia, og det er svært positivt at det har blitt lagt vekt på tiltak som kan stimulere verdiskaping og vekst. Her er nokre døme på viktige satsingar i framlegget til statsbudsjett: Løyvingane til kunnskapssektoren blir føreslege styrkte med nærare 400 mill. kr samanlikna med framlegget frå den raud-grøne regjeringa. Løyvingane til helse og eldreomsorg er føreslege auka med om lag 430 mill. kr utover framlegget frå den raud-grøne regjeringa. Løyvingane til riksveg og jernbane for 2014 er føreslege auka med til saman

sparing og investeringar. Det er bra. Framleis er det mange utfordringar å ta fatt på. Desse få vekene har vist at det skal skje mange viktige og framtidsretta endringar i åra som kjem, og dette arbeidet startar no. Eg gler meg verkeleg til å vidareføre dette arbeidet dei komande

Regjeringen hevdet tidlig, ved kommunalminister Jan Tore Sanner, at kommunene skulle spares for kutt. Virkeligheten ute i kommunene oppleves nå en smule annerledes. Regjeringen forsvarer seg med at de kun har gjort såkalte tekniske endringer, men flere kommuner varsler at de faktisk får mindre å rutte med enn det Stoltenberg II-regjeringen foreslo. I regjeringserklæringen ble våre lokalpolitikere framhevet ved at kommunene og kommunestyrene skulle få mer selvråderett og det skulle bli mindre byråkrati. Ved første mulighet kutter regjeringen og støttepartiene, Venstre og Kristelig Folkeparti, i denne friheten ved å trekke i kommunerammen og øremerke disse pengene til rus og at alle kommuner har gjort en for dårlig jobb med den satsingen. Regjeringen sier med all tydelighet at kommunene får mindre frihet, ikke mer frihet, slik de lovet før valget. Men de øker altså ikke rammene til rus og psykiatri for kommunene. De innfører et nytt byråkrati med en søknadsprosess for alle kommuner innen rus- og psykiatrisatsingen. De må nå bruke tid på en søknadsprosess og vil i mellomtiden være usikre på hvor mye de faktisk får, for alle vil vel ikke få det samme som i en rammeoverføring. Da ville jo en slik søknadsprosess være hinsides enhver fornuft jo en slik søknadsprosess være hinsides enhver fornuft og etter mitt syn nødvendigvis føre til at enkelte kommuner nå vil få mindre enn de ville fått med rammeoverføringen, stikk i strid med hva regjeringen har lovet. Det er dessverre slik at flertallet nå har lagt rammer for statsbudsjettet som ikke fremmer langsiktige og gode fellesskapsløsninger på viktige områder. Det er økt bruk av oljepenger som forsvinner rett i skattelette til dem som har mest fra før, og kommunene får mindre penger og mindre frihet til å prioritere tilbudene

Skal en skape trygghet for norske arbeidsplasser, er det viktig å føre en aktiv og forutsigbar næringspolitikk. Dette har vår regjering gjort i åtte år, og det har gitt gode resultater. Høyre–Fremskrittsparti-regjeringas budsjett vil forsterke todelinga i norsk økonomi. Dette sammen med forslag om kutt i tiltak for en aktiv næringspolitikk, som regjeringa Stoltenberg har ført, skaper usikkerhet. usikkerhet. I denne sammenheng vil jeg nevne den blå-blå regjeringas forslag om kutt på 123 mill. kr i CO2-kompensasjonsordninga som regjeringa Stoltenberg hadde fått på plass. Det skapte sterke reaksjoner rundt i hele landet og ikke minst fra næringa selv. Selv om dette kuttet ble forhandlet bort gjennom forliket med Kristelig Folkeparti og Venstre, vil jeg likevel påpeke at når regjeringa kommer med slike forslag, gir det svært dårlige signaler. Det er allerede skapt usikkerhet om hva som blir regjeringas holdning framover når det gjelder å sikre denne viktige næringa forutsigbare rammevilkår. Det andre som jeg vil påpeke, er kuttet på 430 mill. kr, som tilsvarer

Det er derfor svært uheldig at Høyre–Fremskrittsparti-regjeringa kutter dramatisk i disse midlene. I denne sammenheng vil jeg også vise til at Innovasjon Norge i sitt høringsinnspill til regjeringas tilleggsproposisjon bemerket at disse kuttene vil bidra til en lang periode med stor usikkerhet for gründere og bedrifter i distriktene. Dette bør også støttepartiene og Venstre merke seg. Vi ser også kutt i virkemiddelapparatet som er rettet inn mot viktige distriktsnæringer som landbruk, fiskeri og reiseliv. Det prioriteres i stedet skattelette og mer generelle virkemidler. Dette viser etter min mening at Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre allerede er i ferd med å forlate Stoltenberg-regjeringas aktive næringspolitikk. Regjeringa Solberg er

Regjeringa Solberg legg fram eit vekstfremjande budsjett, difor kuttar dei i alle positive tiltak for å fremja kvalitet og marknadstilgang for fiskerinæringa og tek bort alle særreglar næringa har hatt. Svært mange av representantane frå Høgre og Framstegspartiet har påpeikt at veljarane ved val gav tilslutnad til ei ny regjering. Denne tilslutnaden er det grunn til å tru byggjer på valløfta som vart gjevne. Difor må ein sjå på kva dei sa, og kva dei gjer.

Fiskeriminister Aspaker kalla til og med lineegnetilskotet og vekstpakken for kvitfisk for subsidiar, og sa at ordningane svekkjer incentiva for nødvendig omstilling i næringa. Bransjar som slit, kan altså ikkje venta seg tiltakspakkar i tida framover for å betra konkurranseevna. Høgre sa langsiktige, føreseielege rammevilkår. Det første dei gjer, er å setja rammevilkåra til fastlandsindustrien på spel, Hydro, Statskog, Elkem, Alcoa og mange fleire fekk endra rammevilkåra og forverra konkurranseevna over natta, og dei truga sjølvsagt med streik. Høgre sa skattelette for alle, og ikkje auka forskjellar. Fiskarane og bøndene får skatteskjerpingar, dei rike 40 000, og dei med lågast inntekt nokre hundrelappar. Og det er berre millionærar som tener på endringane i arveavgifta. Dette gjev auka forskjellar. Høgre sa rullerande barnehageopptak, men nei. Det dei likevel gjer, er

Det må vera lov å spørja seg: Oppfyller dei valløfta sine til småbarnsforeldre, studentar, fiskarar og bønder? Vert konkurranseevna betra ved at vekstpakkar og konkurransefremjande tiltak vert fjerna? Gjer auka bruk av oljepengar oss mindre oljeavhengige? Nei, Høgre og Framstegspartiet forsterkar todelinga i norsk økonomi. Dei svekkjer arbeidslinja og aukar

Regjeringa svikter studentene med å reversere forslaget om elleve måneders studiestøtte. Regjeringa svikter dem som har minst med å øke forskjellene. Regjeringa svikter derimot ikke Norges rikeste. Skattekutt som f.eks. gir Thon nesten 10 mill. kr mer i året – aldri før har vel bidragsyterne fått raskere avkastning på pengene sine enn han og andre med store formuer som har bidratt til å fylle Høyre og Fremskrittspartiets valgkampkasser. Folk flest, som Fremskrittspartiet ynder å kalle dem, må imidlertid ta til takke med lommerusk – ei krone eller to per dag er fasiten for dem. Jeg registrerer for øvrig at statsministeren heller ikke i dagens debatt er bekymret over en politikk for økte forskjeller. All erfaring tilsier at en politikk som stimulerer til økte forskjeller, slik regjeringa legger opp til, vil gjøre livet vanskeligere for flere. Når en kombinerer dette med en velferdspolitikk som trekkes mer mot markedsløsninger, og en arbeidslivspolitikk som svekker arbeidstakernes rettigheter, blir det riktig ille. Budsjettet ble ørlite bedre da Kristelig Folkeparti og Venstre inngikk forlik.

over at man fikk beholde 99,8 pst. av sitt opprinnelige budsjett urørt. Politikk handler om veivalg. For oss i Arbeiderpartiet er det viktigst å føre en trygg økonomisk politikk som gir alle like muligheter innenfor et sterkt velferdssamfunn og et trygt arbeidsliv, og – ikke minst – sørge for små forskjeller. Dessverre ser vi at dette trues regjeringa. Den norske modellen er med andre ord under Denne debatten har i stor grad handlet om Høyre- og Fremskrittsparti-regjeringas tilbaketog og løftebrudd i forhold til de store forventningene som ble skapt før valget. Den pose og sekk-politikken som ble forespeilet velgerne, lar seg ganske enkelt ikke gjennomføre. Når regjeringa hevder at den har hatt for kort tid til å utarbeide et alternativt budsjett, er det en litt merkelig påstand. For hvert eneste av de åtte årene under rød-grønt styre har de blå-blå regjeringspartiene fremmet sine alternative budsjetter, der betydelige skattekutt har vært kombinert med mer til de fleste gode formål. Finansministerens eget parti har overgått det meste av det vi har opplevd på løftefronten. De som kanskje har aller størst grunn til å føle seg snytt, er den store gruppa av pensjonister. Det var ikke måte på hvor mye det skulle bli i lommeboka til hver enkelt, bare Fremskrittspartiet fikk slippe til. Det var skattekutt, fjerning av bompenger og en betydelig økning i reguleringen av løpende pensjoner. Nå sitter Fremskrittspartiet med makta og styrer pengesekken. I regjeringserklæringen står det svart på hvitt at pensjonsforliket, som Fremskrittspartiet kalte tidenes pensjonistran, ligger fast. Hvilken nedtur for alle dem som trodde på de fagre løftene! Nå er ikke Arbeiderpartiet av dem som skal beklage seg over at pensjonsforliket ligger fast. Forliket handler om solidaritet mellom generasjoner. Det var helt nødvendig for å sikre at vi har råd til pensjoner også i framtida, uten å måtte pålegge ungdom i etableringsfasen og unge barnefamilier et skattenivå de med rimelighet ikke kan makte, i tillegg til utgiftene mange av dem har i et boligmarked Virkeligheten har nå også innhentet Fremskrittspartiet. Så til et annet spørsmål der tingene ikke helt henger sammen: Høyre og Fremskrittspartiet sier i finansinnstillingen at små forskjeller mellom folk er en styrke, at den største forskjellen er mellom mennesker med og uten jobb, og at det skal lønne seg å jobbe.